som også har kapital tilgjengelig og – skal vi si – den rette mentaliteten til å ønske å ville utvikle bedre miljøteknologi på ulike områder. Norge mangler heller ikke gode ideer, viser det seg. Vi har mange både små gründere og store selskaper som jobber i den retning, og som ser potensialet i både store og små produkt

så vi får en god debatt og besluttet gode virkemidler. Opposisjonen påpeker at dagens ordninger ikke er tilstrekkelige, fordi vi ofte opplever at store selskaper ikke får tilgang til midlene på en måte som gjør at de store prosjektene løftes. Vi ser også at en del små peker på at de gjerne får god hjelp til å sette ideer ned på papiret, men når man skal gå fra papiret til å teste det ut, og bevise det overfor markedet, skorter det. Myndighetene er derimot i en del tilfeller ganske velvillige med å hjelpe med produktet når det er kommersialisert. Men som en del av disse folkene i hvert fall har sagt til undertegnede: Når produktet har bevist sin funksjon, ordner markedet kommersialiseringen. Det er ikke da en trenger hjelpemidlene fra myndighetene, men for å bevise at produktet fungerer. Det er jo relevant i forhold til en annen sak som behandles i Stortinget, nemlig en ordning for demonstrasjon av havvindmøller, som også viser at aktørene tror på produktene sine hvis de bare får bevist det i markedet.

dette som jeg allerede har nevnt, at en ordning må legge til rette for at også den store norske industrien får ta del i støtteregimet. Jeg vil også understreke viktigheten av at norske industri- og teknologiklynger for framtiden får rammevilkår som gjør at de kan videreføre sin virksomhet her hjemme. Vi har sett f.eks. i forhold til klimakvoteloven, som regjeringen innførte, at det ikke er attraktivt å investere i ny industri i Norge, for man får dårligere tildeling av klimakvoter enn man får om man etablerer seg i andre land. Det sementerer dagens industristruktur i Norge, men gjør det vanskelig å være moderne og utvikle seg hvis man ikke har et godt hjemmemarked. I tillegg vil jeg påpeke at miljøvernministeren i sitt brev til komiteen datert 28. april i år

miljøkomiteen. Men et apropos i forhold til å bygge tillit til industrien er det at regjeringen faktisk informerer og har et korrekt virkelighetsbilde – det har de ikke hatt så langt. La meg få starte med å si at det i og for seg er

at det allerede skjer et arbeid i regjeringen med å utvikle en nasjonal strategi for miljøteknologi. Det er ikke mer enn noen uker siden det ble varslet at regjeringen vil bruke 500 mill. kr over tre år til nettopp ny miljøteknologi. Vi vet at norsk næringsliv er langt framme. Et av de ferskeste eksemplene på det fikk vi da Statoil og Statkraft dro i land gigantkontrakten på utbygging av havvind på

kommer ut som faste strukturer og kan brukes til alt fra gjødsel til superlette og superbillige karbonsykler – ikke CCS, men CCU, Carbon Capture and Use. Og det finnes mange andre små og store eksempler på norske bedrifter som kommer opp med fantastiske ideer. Den største svakheten vi har, er antakelig overgangsfasen mellom forskning og kommersialisering. Der er saksordføreren og jeg helt enige. Det er nødt til å være i fokus når klimateknologistrategien gjøres ferdig. Så ferdig. Så det å bruke penger på å utvikle klimateknologi er vi helt for. Så må jeg si at når man leser innstillingen, er den store enigheten om virkelighetsbeskrivelsen kanskje det mest slående. Det står f.eks. at vi har «sterke teknologimiljøer». Mange næringer «har utviklet seg langt innen et miljøvennlig tankesett», og norske «bedrifter har en «mental» konkurransefordel når miljøutfordringer blir en viktig del av konkurranseflaten globalt». Jeg er 100 pst. enig i det Jeg er 100 pst. enig i det en samlet komité her skriver, men det er jo nærliggende å spørre seg: Hvorfor har det blitt sånn? Har det skjedd helt av seg selv? Det er mange flinke, framtidsrettede aktører i norsk næringsliv, men dette er jo også et resultat av at Norge har ligget helt i front, med streng miljølovgivning, strenge krav, tidlig innføring av pris på CO2, en streng kvotetildeling. Det er fint å bruke penger på det man liker, sånn som klimateknologi. Men skal man komme noen vei, må politikken – hele det regimet som norsk næringsliv opererer i – henge sammen. Det er her Høyre svikter, for mens de snakker om fine symbolsaker – sånn som hva slags energimerke regjeringsbygget skal ha – i miljødebattene, så gjør de gang på gang feil valg når det kommer til å stille krav på de områdene der det virkelig betyr noe for utslippskuttene hva vi gjør. Jeg husker veldig godt alle debattene vi hadde om norsk tilknytning til det europeiske kvotesystemet, hvor Høyre var et av partiene som ropte høyest om at tildelingen var for streng – det skulle ikke stilles noen krav til norske bedrifter utover det som stiltes i Europa. Men vi ser jo at det gir teknologiutvikling. Hydros nye teknologi på lystgass er et veldig godt eksempel. Så jeg føler meg veldig trygg på at historien om Norge som hadde den strengeste kvotetildelingen i Europa,

gasskraftverk. Det er uklart for meg hva slags teknologiutvikling på klimasiden de skal ha ut av det. Her går man altså i spagat på én og samme dag – med bare en liten rovdyrdiskusjon i midten. For å komme tilbake til karbonfangst og -lagring og det mest omfattende klimateknologiprosjektet noensinne i denne landet: Opposisjonen var med på å stemme for testsenter Mongstad i fjor. Det er fint. Men det var absolutt ikke noe «trøkk» på CCS før den rød-grønne regjeringen kom i 2005. Vi har gått fra ingenting til å bli verdensledende. Én ting skal opposisjonen ha: Uten den rød-grønne regjeringen ville vi ikke hatt noen diskusjoner om utsettelse på Mongstad, for vi ville ikke hatt noe CCS-prosjekt i det hele tatt. Det er veldig nærliggende å nevne at Jens Stoltenberg i spørretimen sa at den som ikke har noen visjoner, skuffer heller ingen. Opposisjonen er ikke engang villig til å garantere at Mongstad-prosjektet vil bli fulgt opp dersom vi får et regjeringsskifte, sånn som miljøbevegelsen innstendig ber dem om. om. Noe av det viktigste Høyre kunne gjøre på dette feltet, var å sikre forutsigbarhet for det største klimateknologiprosjektet vi har. Til tross for dagens fine ord om klimateknologi er det dessverre blant de ambisjonsløse Høyre plasserer seg. La meg starte med det litt overordnede perspektivet for hvorfor dette forslaget er

Samtidig skal vi kutte klimagassutslippene med 80–90 pst. innen 2050. Økonomisk vekst skal bidra til å løfte mange hundre millioner mennesker ut av fattigdom – uten at det biologiske mangfoldet forringes, uten at utslippene til luft, vann og jord overstiger naturens og menneskenes tåleevne, uten at den globale oppvarmingen kommer ut av kontroll. Det er formidable utfordringer hver for seg – og Å løse dem vil kreve mye av menneskenes evne til oppfinnsomhet og vilje til å utvikle nye teknologiske løsninger. Verden må ta et formidabelt klimaløft fremover, og Norge må delta i dette løftet. Vi trenger bedrifter og enkeltmennesker som stimuleres til å forske, utvikle og kommersialisere nye teknologiske klimaløsninger. Vi trenger en flora av ulike innfallsvinkler til ett og samme problemkompleks, og vi trenger bedrifter som ser nye muligheter i grønne arbeidsplasser og grønn teknologiutvikling.

et system som gjør det lettere å overstige de hindringene som ligger i umodne markeder og betydelig teknologisk risiko. Dagens virkemiddelapparat i Enova og Innovasjon Norge er etablert med andre formål og har vist seg uegnet til å løfte frem forbedrede produkter og prosesser fra forskningsresultater innen miljøteknologi ut i bedriftene. Ofte blir de aktuelle bedriftene for store til å være mottakere av støtte fra dagens virkemiddelapparat. Vi må derfor kombinere en fortsatt høy innsats innen forskning og utvikling med støtte og et bedre virkemiddelapparat for å ta prosjektene fra de gode ideene til kommersialisering. Mange ulike teknologier kan være aktuelle for støtte fra et klimateknologifond. Det kunne f.eks. være energieffektivisering og energigjenvinning i industrien gjennom bruk av mer effektivt utstyr som elektriske motorer, kjeler, pumper og bedre integrering av prosessanlegg, utvikling av nytt fornybart brensel og drivstoff til erstatning for dagens fossile kilder, prosessforbedringer i industrien som gir lavere energiforbruk per produsert enhet, eller utvikling av erstatningsråstoff for koks og kull i industriprosesser – for å nevne noe. Verdens bærekraft er truet av en betydelig markedssvikt. Det er for billig å forurense og for dyrt å være miljøvennlig. Det løses best gjennom globale avtaler som hever prisen på utslipp, men den teknologiske utviklingen verken kan eller bør vente til verdens ledere Derfor trenger vi et fond og et virkemiddelapparat for utvikling av klimavennlig teknologi. Forandring trenger ikke være slutten på noe godt. Det kan like gjerne være starten på noe bedre. Det gjelder også forandringene som klimakrisen tvinger frem. Norge har alle forutsetninger – teknologi, kompetanse og kapital – til å gjøre klimakrisen til en mulighet, ikke bare et problem. Men det krever at vi spiller kortene våre riktig. Høyre mener investeringer i klimateknologi må være et av de viktigste strategiske veivalgene Norge kan gjøre for fremtiden. Derfor bør klimateknologi bli et fjerde satsingsområde for bruk av oljepenger, ved siden av de satsingsområdene Stoltenberg I-regjeringen la frem i forbindelse med stortingsmeldingen om handlingsregelen. Der fremgikk det at avkastningen av oljefondet skulle gå til vekstfremmende skattelettelser – det som av Stoltenberg II-regjeringen blir kalt for voodoo-politikk – infrastruktur som vei og jernbane og investeringer i kunnskap og forskning. Klima- og miljøteknologi bør inn i dette selskapet av kloke investeringer for fremtiden. La meg til slutt få lov å avlegge representanten Marthinsen en liten visitt. Hun påpekte i sitt innlegg at Høyre i denne saken står alene. Det viser jo at mindretallet ofte har rett. Hun påpekte også at industrien har gjort mye for å kutte utslipp på egen hånd, bl.a. gjennom frivillige avtaler, også fra Høyres side. Hun mener at Høyre har lite å skryte av i klimapolitikken. Vel, det var vi som opprettet CLIMIT. det var vi som opprettet CLIMIT. Allerede i 2002 stilte vi krav om rensing av CO2 i Bondevik II-regjeringens klimamelding. Jeg kan nevne område etter område hvor Høyre har gått foran, og hvor denne regjeringen har stemt ned våre initiativ. Jeg trenger ikke gå lenger enn til f.eks. våre forslag om energieffektivisering, som regjeringen ikke tar alvorlig, og vi er nå det eneste landet i Europa uten klare mål for energieffektivisering – for å nevne noen eksempler. Jeg vil på vegne av Høyre ta opp det forslaget som er inntatt i innstillingen. Representanten Nikolai Astrup har tatt opp det forslaget han refererte til. Neste taler er Erling Sande, deretter Snorre Serigstad Valen – ja, det er den talerlisten som står oppslått, som presidenten refererer til.
Takk for det, president. Det er vel berre 1 100 stemmer som skil, så det kan jo vere greitt at ein får vere før SV i debatten – ein gong iblant, iallfall. Verda kjem ikkje i mål med klimaarbeidet om det ikkje blir utvikla ny, klimavennleg teknologi. Vi treng teknologi som får utsleppa ned, og produksjonen av ny, grøn energi opp. Ikkje minst treng vi teknologisk utvikling som gjer at Noreg har solide bein å stå på når inntektene og sysselsetjinga frå petroleumsressursane våre ein gong tek slutt – anten det skjer av omsyn til klimaet, eller fordi det rett og slett blir tomt. Marknaden for grøn teknologi er enorm. Det er fleire grunnar til at Noreg må satse på utvikling av miljøteknologi: sjølvsagt fordi klimaet treng det, men òg fordi vi har økonomiske musklar til å gjere det, og fordi grøn teknologi er ein utruleg stor og veksande marknad – altså ei tilrettelegging for næringslivet på grøn teknologi-området, god og framtidsretta næringspolitikk. Kina er i ferd med å bli ein maktfaktor på dette viktige nemleg produksjon av grøn energi og miljøteknologi. Ein nyleg presentert rapport viser at Kina har sprunge frå USA når det gjeld investeringar i grøn teknologi. Grunnen til denne satsinga er openberr; det er her mange av framtidas vekstmoglegheiter ligg. Noreg har særs gode føresetnader for å bli gode på klimavennleg teknologi, med fordelar både for klimaet på kloden og næringsutviklinga i framtida. Det er ikkje lenge sidan vi handsama havenergilova i denne salen. Det er eit godt døme på ei satsing som markerer gode moglegheiter for norske bedrifter og norske kompetansemiljø. Den globale marknaden for vindkraft til havs er venta å auke kjapt. Noreg har betydelege fortrinn gjennom erfaring med olje- og gassproduksjon på norsk sokkel. Vi har lang erfaring med å byggje, drifte og vedlikehalde havbaserte installasjonar. Den erfaringa skal vi ta med oss vidare også når vi har flytta oss frå det som var gårsdagens solenergi, som vi no tek opp gjennom fossil energi, til å ta han i bruk som ferskvare gjennom bioenergi, vindkraft, solenergi og mykje meir. Regjeringa har varsla at ho vil bruke 500 mill. kr over ein treårsperiode på å utvikle ny miljøteknologi, og ein arbeider med ein nasjonal strategi for miljøteknologi. Det skal vurderast korleis staten sin innsats skal samordnast og spissast mot utvalde område der Noreg har moglegheit for internasjonal vekst. I Senterpartiet er vi glade for den felles forståinga som er i denne sal om at Noreg skal delta i lyftet for å ta i bruk ny teknologi teknologi for å gjere vårt forbruk og vår vekst berekraftig. Denne debatten minner meg om tidligere diskusjoner som har rast i offentligheten rundt hva det er som skal til for å Da tenker jeg spesielt på en debatt for noen år tilbake mellom de såkalte teknologioptimistene og dem som mente det var vårt forbruk det var noe i veien med, og at vi måtte gjøre forsakelser for å løse klimaproblemene. Jeg tror i dag at vi alle kan være enige om at løsningen ligger begge steder. Klimapolitikk er både utviklingspolitikk, fordelingspolitikk, teknologipolitikk osv. osv. At teknologien spiller en helt avgjørende rolle i det å nå våre klimamål, er det At teknologien spiller en helt avgjørende rolle i det å nå våre klimamål, er det ingen tvil om. Det hersker også liten uenighet om virkelighetsbeskrivelsen i saken, som representanten Marthinsen har vært inne på. Jeg skal derfor fatte meg i korthet og bare komme med noen tanker. Til nettopp teknologiens rolle i det å løse klimautfordringene våre, og det i løpet av ganske kort tid: Én ting er at vi skal ha nådd våre klimamål for å unngå mer enn to graders oppvarming i 2050, men vi skal være i rute i god tid før det – vi skal ha en utslippsbane som begynner å falle drastisk i veldig god tid før det. Selv et scenario der vi klarer å begrense klodens oppvarming til to grader, vil innebære svært teknologidrivende utfordringer. To graders oppvarming har vi vent oss til som et slags nullpunkt i debatten. Det er det vi er blitt enige om å nå, og vi må passe oss for å tro at en to graders oppvarming av kloden er uproblematisk. Det i seg selv vil føre til store endringer i klimaet, store endringer i befolkningsmønstre andre steder i verden enn i Norge, det vil føre til mange klimaflyktninger, det vil føre til endringer i livsforutsetninger for svært mange mennesker. Det vil også kreve teknologiske løsninger for å håndtere dette. Klimateknologi er altså ikke utelukkende teknologien for å begrense den globale oppvarmingen. Det er også teknologien som må til for at vi skal kunne håndtere den. Derfor er det godt at regjeringen har varslet at den vil bruke 500 mill. kr over tre år til et program for å miljøteknologi. Sånn sett er timingen for dette forslaget interessant, for det pågår som varslet et arbeid i regjeringen akkurat nå med å utvikle en nasjonal strategi for miljøteknologi, som jeg vil tro at man også i Stortinget kan bli enig om. Det vil være i den debatten at dagens Vil Høyre da være i stand til å stille krav og stimulere til utvikling når det kommer til stykket? Her vil jeg helhjertet slutte meg til de betraktningene representanten Marthinsen gjør. Representanten Astrup må gjerne vise til vedtak Bondevik II-regjeringen gjorde allerede i 2002, men det hjelper lite når Høyre i 2010 hopper mellom å kritisere regjeringen for manglende innsats på rensing av CO2-utslipp fra gasskraftverk, og så – få minutter etterpå, faktisk – gå til angrep på regjeringens såkalte særnorske krav til CO2-håndtering ved gasskraftverk. Bondevik II-regjeringens innsats i 2002 hjelper lite når Høyre i to saker i denne salen gjør sitt for å nøytralisere den innsatsen. reagerer også litt på noe av virkelighetsbeskrivelsen til Høyre. Jeg forstår at det ligger i rollen å være i opposisjon, men at Norge så til de grader ligger langt etter, vil jeg ikke være enig i. Jeg tror alle vi som sitter i energi- og miljøkomiteen, har besøkt mange teknologiaktører, mange i næringslivet og mange forskningsinstitusjoner som er beviser på det motsatte. Den rød-grønne regjeringen har økt forskningsinnsatsen betydelig siden den tok over, og vår industri har hatt en svært god utvikling når det gjelder utslipp, som må fortsette. Lenger etter ligger norsk sokkel. Der har vi en jobb å gjøre, og der tror jeg at de rød-grønne partiene er bedre i stand til å stille krav til oljeindustrien enn det Høyre er, basert på de erfaringene jeg har med de debattene. Jeg ønsker debatten om teknologiutvikling i et klimaperspektiv velkommen, og jeg vil utfordre Høyre til i senere initiativ å reflektere litt rundt forholdet mellom oljens framtidige rolle og hvilken annen og øvrig teknologiutvikling vi skal bruke kreftene våre på. Jeg er nemlig av dem som tror at en stadig økt innsats i olje- og gassindustrien nødvendigvis må komme på bekostning av satsinger på grønn og fornybar energi. Og jeg er svært interessert i å høre om forslagsstillerne på noen måte deler den

For Venstre er det imidlertid viktig at et slikt fond innrettes slik at det er industrien selv som finansierer det. For å oppnå god klimaeffekt må finansieringen være koblet til den enkelte virksomhets utslipp. Hvis ikke, blir dette et lite målrettet tiltak for Når det er sagt, har Venstre i sine alternative budsjetter allerede prioritert klimatiltak og klimateknologiutvikling høyt. For 2010 doblet vi støtten til pilotanlegg innenfor miljø, klima og energi. Vi har også ved gjentatte anledninger fremmet forslag om å opprette et halvstatlig investeringsselskap som skal stille med risikokapital til gode klimaprosjekter og

og det er at dramatisk teknologisk endring er den aller vesentligste løsningen på klimaproblemene. Det finnes ingen økonomisk teori eller praktisk handlemåte som kan redusere forbruket i den rike del av verden så dramatisk over så kort tid at det kan være den alternative løsningen på klimaproblemene. Med andre ord: Vi må sette alle kluter til for å få til en drastisk teknologisk endring, slik at vi kan oppnå det bl.a. Astrup er inne på, nemlig rask økonomisk framgang for verdens fattige, men med en energibruk og teknologi som er veldig mye bedre enn den vi har i dag. Dette er ikke områder hvor Norge ligger langt etter og kommer i bakleksa, som noen sier, jeg er enig med Marianne Marthinsen der. Det skjer utrolig mye positivt i norsk næringsliv på området. Det at Norge f.eks. har en solenergiindustri, er, når man ser ut av vinduet alle de 365 dagene i året – ikke alle er akkurat som i går går – forunderlig. Det skyldes jo bare lang industriell kompetanse og noen gründere av typen Alf Bjørseth, som så en historisk sjanse og grep den, mot alle odds. Jeg var med på å åpne Elkem Solars nye bedrift i Kristiansand, som er et stjerneeksempel på hva norsk solenergiindustri fra Burma her om dagen, leste jeg en lang artikkel i Herald Tribune om RECs investering i Singapore, som var full av lovprising av hva bedriften gjør der nede. Så det er ikke slik at vi ikke gjør noe. Det skjer mye positivt i norsk næringsliv. Havvindmøller er et annet eksempel. På torsdag skal jeg til Averøy ved Kristiansund og åpne den nye, store pelletsfabrikken der. Ja, miljøeffekten av den, men det er i alle fall et forsøk på en stor satsing på et område som har et stort potensial Men jeg tror Solvik-Olsen og jeg her er enige, og andre har vært inne på det i debatten og setter fingeren på det aller vesentligste: Der vi av og til sliter, er i kommersialiseringen av produktene – skrittet fra god forskning ved universitetene, fra god tenkning i bedriftene, til hvilke produkter som har det markedspotensialet at de virkelig kan settes ut i livet. Formålet med den store satsingen på klimateknologi og miljøteknologi som regjeringen nå annonserer, er å se på hvordan vi kan hjelpe bedriftene med å ta det skrittet ut i virkeligheten. Men skal vi gjøre det, må vi ta en ubehagelig debatt – og det er et område hvor det i hvert fall historisk har vært en forskjell på de rød-grønne partiene og Høyre, jeg vet ikke om det er det lenger – der den eneste praktiske måten å få det til på, er at man definerer noen strategiske hovedområder for Norge. Hvis vi skal spre pengene tynt ut på alle teoretiske og ikke-teoretiske prosjekter, vil det simpelthen ikke bli nok til en strategisk satsing. Så vi er nødt til å gjøre den for politikere vanskelige jobben, nemlig å definere noen brede hovedområder for Norge hvor vi ønsker å satse. Det kan f.eks. være mange ting innenfor skipsfart, hvor vi er en pionernasjon, det kan være ballastvannproblematikken, hvor Norge har store muligheter, og det kan være hvor det ligger vel til rette i Norge. Jeg tror ikke vi skal trekke konklusjonene i dette møtet, men jeg tror ganske sikkert at med mindre vi bestemmer oss for noen hovedområder og satser penger, tenkning og kraft der, vil vi ikke lykkes. De studiene Miljøverndepartementet har gjort ved å reise rundt i andre land – det er jo ikke slik, selv om Norge har gjort mye, at ikke andre land har gjort noe – viser at i Storbritannia, i Tyskland og i et raskt voksende utviklingsland som Sør-Korea, er det nettopp dette de gjør, de definerer noen nasjonale satsingsområder og setter både intellektuelle, pengemessige og organisasjonsmessige ressurser inn på de områdene. Jeg vet ikke om Høyre fortsatt har sin gamle tanke om at politikken skal være fullstendig teknologinøytral, men hvis de ikke har det, er vi enige. Har de fortsatt det, er dette et punkt hvor vi muligens skiller oss La meg til slutt si at disse nasjonale strategiene skal vi selvfølgelig komme tilbake til i Stortinget. Vi skal i forbindelse med budsjettet legge fram nærmere retningslinjer for bruken av det teknologifondet som blir annonsert. Jeg vil gå videre på et annet punkt, som bl.a. Astrup var inne på, og det er det faktum at en svært stor del av jordas

strøm. Norge har en stor jobb å gjøre i spørsmålet om hvordan vi kan bruke offentlige investeringer til å utløse langt større private investeringer i afrikanske land i vannkraft og solenergi, og i andre land også på vindkraft og andre områder, hvor de offentlige midlene kan utløse mye større private investeringer for å løse verdens energiforsyning på en mer miljøvennlig måte. Det blir replikkordskifte.

til å utsette Mongstad? Det er jo liten grunn til å tro at noen vil begynne å bygge et renseanlegg på Kårstø før man har sett om det funker på Mongstad. Derfor er spørsmålet: Tror statsråden det er mulig fra regjeringens side å jobbe fram et CO2-renseprosjekt på Kårstø før 2020? Jeg er glad for spørrerens tro på regjeringens handlekraft og raske tempo, i og med at dette spørsmålet ble stilt i høringen så sent som på torsdag. Man har i hvert fall tro på at vi handler raskt, om vi skulle kommet med et helt annet svar i dag. dag. Svaret er det samme som på torsdag: Dette skal vi komme tilbake til Stortinget med på en ordentlig og ryddig måte, og jeg vil ikke forskuttere noen konklusjoner med hensyn til Kårstø. Så til spørsmålet om tilgjengelig teknologi. Det henspiller på det forhold at ja, teknologien for å fange og spesielt for å lagre CO2 er tilgjengelig. Men det som er spørsmålet, er: Hvordan kan man gjøre dette i stor skala på Mongstad på en slik måte at dette er et prosjekt som kan inspirere til de tusenvis av tilsvarende prosjekter vi trenger i resten av verden? Det spørsmålet er ikke løst, og det er derfor det også har blitt en utsettelse. Statsråden er sikkert kjent med at jeg ikke har den største troen på regjeringens handlekraft. Grunnen til at en tar spørsmålet om igjen, er jo at regjeringen ikke svarer på spørsmålet. Dette er vesentlig, for vi vet nå det har vi ikke visst tidligere, men vi vet nå – at Gassnova flere ganger, første gang allerede i januar 2007, i hvert fall som er dokumentert, har anbefalt regjeringen å ikke ha to CO2-renseprosjekter på gang. Men det er likevel blitt brukt over en halv milliard kroner på å utrede og vurdere ting og tang i forhold til Kårstø-rensing. Når det gjelder tilliten til at regjeringen informerer korrekt – tilliten ut mot næringslivet i forhold til at pengene brukes på de rette prosjektene – så er det ganske avgjørende å vite om Kårstø vil være et spill for galleriet fordi regjeringen ikke er klar til å ta to kamper med miljøbevegelsen om to fallerte renseprosjekter, eller om en faktisk skjærer igjennom og sørger for at alle ressursene kanaliseres inn på det renseprosjektet som alle partiene står bak, nemlig på Mongstad. Derfor spør jeg igjen: Ville det ikke vært ryddig om statsråden bekjentgjorde hva som faktisk er teknisk mulig ifølge Det ville være helt galt om jeg skulle svare i Stortinget på et spørsmål som ligger under en annen statsråd, og som regjeringen så uttrykkelig har sagt at vi skal komme tilbake til på en ordentlig måte. Når det gjelder Mongstad, føler jeg at saken egentlig er ganske utdebattert, men sakens innerste kjerne er altså at dette er et område som vi, i motsetning til Fremskrittspartiet, satser enormt på. Fremskrittspartiets standpunkt er i det hele ytterst uklart. Det startet med at partiet var mot hele prosjektet. Det er litt mer klart nå, men det ville vært veldig interessant å få vite om Fremskrittspartiet vil fullføre Mongstad – ikke uansett prosjekt, men dersom Mongstad blir et anstendig prosjekt økonomisk, politisk og teknologisk. Vil da Fremskrittspartiet videreføre dette prosjektet? Det har vi ikke fått svar på, og det er den reelle debatten som nå gjenstår. Statsråden er sikkert klar over at det kan Fremskrittspartiet ikke svare på i dette replikkordskiftet i henhold til reglementet. Neste replikant er

Da spør jeg om statsråden er enig i at Enova ikke er et målrettet nok virkemiddel for å utløse den type teknologi som vi her snakker om, i kommersialiseringsfasen. Og hva er statsrådens vurdering av den kraftige kritikken som Riksrevisjonen har fremmet overfor Enova når det gjelder byråkrati, hvor transparent det er, og hvilken effekt virkemidlene som Enova har til rådighet, har. Når det gjelder Riksrevisjonens kritikk av Enova, må jeg henvise til olje- og energiministeren som ansvarlig for Enova. Når det gjelder det videre spørsmålet, om hvorvidt Innovasjon Norge og Enova er tilstrekkelige virkemiddelapparater, så er mitt svar at vi må i den prosessen vi nå skal gjennom med å vurdere dette, veldig nøye vurdere på hvilken måte disse apparatene kan brukes. Det er ikke slik at bare å gi penger ut til de apparatene vil være tilstrekkelig; vi er nødt til å ha en overordnet struktur, hvor vi sammen med – dette er ikke noe staten kan gjøre alene – de viktigste og tyngste aktørene i norsk næringsliv definerer for det første: Hva er satsingsområdene hvor Norge virkelig skal satse? Der er

SV er det første partiet som har vært med i en regjering der man i regjeringserklæringen har programfestet at man skal ha fullskalarensing av gasskraftverk fra dag én. Men den regjeringserklæringen viser seg ikke å være særlig mye verdt, for det har jo blitt bygd mange gasskraftverk i Norge, på norsk sokkel, uten rensing fra dag én. Det har blitt bygd mobile gasskraftverk i Midt-Norge uten rensing fra dag én. Og det ene fullskala gasskraftverket som har blitt bygd på norsk under den rød-grønne regjeringen – det prosjektet kom under den rød-grønne regjeringen og ikke slik statsråden flere ganger har prøvd å gi inntrykk av, at det kom før de begynte å styre – står uten rensing. Og det blir rensing tidligst åtte år etter oppstart. Jeg vil minne om det samme som representanten Astrup tok opp, nemlig at da Bondevik-regjeringen fremmet klimameldingen, sto det nye krav der om at det skulle være rensing på alle nye gasskraftverk fra dag én. Det som står i Soria Moria-erklæringen, er altså ikke noe nytt. Det som er nytt, er at kravet ikke innfris, og det synes jeg er spesielt. Så vil jeg også minne om hva SV vektla da Stortinget behandlet gassmeldingen året etter, nemlig 2003. Da vektla nemlig SV, som ikke var med på å stille krav om rensing fra dag én i 2002, at CO2-renseteknologi var en umoden teknologi med store utfordringer og store kostnader. Og så prøver man i dag å framstille det som om man har vært forkjemper for CO2-rensing fra dag én. Problemet er at SV har vært imot bruk av gass – selv med rensing – og dermed ikke har vært en pådriver for å få til teknologi som gjorde det mulig. Så utfordrer statsråden Fremskrittspartiet på om vi vil være med på fullskala rensing på Mongstad.

for å få oppmerksomhet bort fra egen politikk og egne resultater. Her har man altså utsatt klimameldingen, slik at det tidligst kommer tiltak ut fra klimameldingen i statsbudsjettet for 2013, i realiteten. Det haster åpenbart ikke å redde verden likevel. Vi har utsettelser på Mongstad i minst fire år i et nedskalert prosjekt, og dette er da regjeringens prestisjeprosjekt. Høyre har fremmet en rekke offensive forslag. La meg også minne om at vern av regnskog, som jo er det eneste området hvor regjeringen virkelig lykkes, var et forslag fra Høyre i forbindelse med klimaforhandlingene. Det er et utmerket forslag, fordi det er billig og effektivt å effektivt å verne regnskog for å få ned utslippene, og jeg synes regjeringen så langt har gjort en meget god jobb på det området. Men på alle andre områder har man altså ikke lykkes. Jeg minner også om at det var vi som foreslo at man skulle slette noen av kvotene i det europeiske kvotehandelsmarkedet, fordi vi vet at det vil gi umiddelbar effekt med hensyn til å redusere utslippene. Vi har foreslått konkurransedyktige rammebetingelser i hjemmemarkedet for biodrivstoff, vi vet jo alle hva regjeringen mener om det. Vi har foreslått i dag dette fondet for klima- og miljøteknologi, som regjeringspartiene stemmer ned. Vi har kommet med forslag som går på energieffektivisering – med klare mål og konkrete tiltak, som virkelig vil ha effekt på energieffektivisering – som regjeringspartiene har stemt mot. Vi har foreslått mer småkraft, mer vannkraft, avgift på forbrenning og dobling av deponiavgiften. Det siste er delvis innfridd nå, men så sent at veldig mange av de kontraktene som var i markedet, er gått til Sverige, dessverre, og klimagevinsten av det er heller tvilsom. Så jeg mener at her har Høyre ingenting å skamme seg over, mens regjeringen kanskje burde gå mer i seg selv før de retter pekefingeren mot andre.
Neste taler er Erling Sande, deretter

politikk. Det vi har hatt av historieskriving her i dag, er rimelig full av hull. Det er nok riktig at Bondevik sa nei til gasskraftverk uten rensing, at det skulle være et mål. I Stortinget her nå har Kristelig Folkeparti og Venstre også sagt at man ikke skal ha gasskraftverk uten rensing. Det man da forutsetter, er at det er noen andre som utvikler renseteknologi, noen andre som får dette på plass – og så skal man plugge det inn. På den andre siden har vi Fremskrittspartiet og Høyre, som vi ser på andre forslag her, hvor gasskraftverk kun er en energibidragsyter. Man ønsker ikke å stille krav om i forbindelse med oppstarten av gasskraftverkene, man vil ha en frikopling mellom teknologiutviklingen og det energipolitiske gasskraftverket. Det vår regjering gjør, er at vi får opp å gå et og vi får i gang konkret forskning, konkret utvikling av renseteknologi som skal brukes i full skala på Mongstad. Det er det ingen som har gjort før. Hvorfor har vi gjort det? Fordi vi har hatt evnen til å inngå kompromisser i regjering, som peker framover. Vi har vært villige til å bli skitne på nevene for å få til resultater i klimapolitikken. Det gjennombruddet var viktig – det er viktig. Så er det, som Jens Stoltenberg sier, og som det har vært referert tidligere her: Har du ingen ambisjoner, har du ingen visjoner, så skuffer du heller ingen.

om teknologiutvikling, må det være en sammenheng mellom hvilke virkemidler vi setter inn for å utvikle forskningen, og hvilke krav vi stiller til industrien for at de skal ta i bruk forskningsresultatene for å få til det som er poenget her, nemlig ikke forskning, men resultater i klimapolitikken. Det gjør denne regjeringen, det var det de forrige regjeringene ikke klarte å gjøre.

og bruk av CO2 som trykkstøtte. Desse tinga synest eg det er viktig å få fram, så eg kom berre opp her for å sørgja for at Ketil Solvik-Olsen blei oppdatert historisk. Presidenten setter meget stor pris på historiske debatter, som et genuint konservativt menneske, men vil bare gjøre oppmerksom på at dette er første sak på dagens kart, og at det er en del saker igjen.
skal gje ros til Høgre for å ha kome på betre tankar i klimapolitikken. Ingenting er betre enn dersom det er situasjonen. Men det som er spesielt, er ikkje samanlikninga Høgre før 2005 og Høgre i opposisjon. Det som er mest spesielt, er Høgre i 2010 og Høgre i 2010 i denne salen. Her står eine dagen Nikolai Astrup og presenterer Høgre sin miljøpolitikk, og to veker før står representanten Røbekk Nørve, òg frå Høgre, og kritiserer regjeringa for å stille særnorske reinsekrav til gasskraftverk og derfor hindre bygging av gasskraftverk i delar av landet som treng meir kraft, og kritiserer regjeringa for ikkje å starte opp dei mobile gasskraftverka i Møre og Romsdal for å få ned prisane på kraft. Dette samsvarar ikkje, dette står i motstrid til kvarandre. Då er det openberre spørsmålet: Kva er det som gjeld, kva er Høgre sin miljøpolitikk? Er det representanten Astrup si framstilling her i dag, eller er det Røbekk Nørve si framstilling? Dersom det på eit merkeleg vis går an å sameine desse to bodskapane, korleis samsvarar dei med det klimaforliket som Høgre har vore med på i Stortinget? Og korleis har ein då tenkt å oppnå dei nasjonale kutta som ein har forplikta seg på å nå?

Men man trengte ikke Mongstad-gasskraftverket for å kunne utvikle teknologien, den kunne man gjort på Kårstø. Så der er det selektiv argumentasjon. Problemet med den politikken regjeringen fører når de sier nei til alle andre gasskraftverk med krav om rensing, er at man får ikke bidratt til å utvikle mer CO2-renseteknologi av den grunn. Industrikraft Møre, som har krav om rensing ved oppstart, har ikke kapital til å bidra til å utvikle et slikt renseanlegg på egen hånd. er rett og slett at man ikke får bygd gasskraftverk i Norge. Det gjør at man har en situasjon der regjeringen tillater å bygge mobile gasskraftverk uten rensing. Nå skal man til og med begynne å bygge det i Hordaland, fordi man ikke tillater andre typer kraftprosjekt, f.eks. gasskraft, som kunne ryddet opp i situasjonen på permanent basis. Jeg synes ikke det er god politikk å tillate å bruke gass gass på offshore, i mobile kriseløsninger, men man får ikke bruke det på de beste måtene, nemlig et fullskala moderne gasskraftverk på norsk jord. Det har regjeringen sagt nei til gjennom sin politikk. Der burde man hatt en helt annen tilnærming: Støtt teknologiutviklingen, men la oss også bruke gassen med den teknologien som er på plass! Presidenten vil minne den siste taleren og de kommende talerne om reglementets § 38, hvor det står: «Taleren bør holde seg strengt til den sak som er under debatt.» Presidenten minner om at taleren og de kommende talerne om reglementets § 38, hvor det står: «Taleren bør holde seg strengt til den sak som er under debatt.» Presidenten minner om at debatten dreier seg om et representantforslag om opprettelse av et fond og virkemiddelapparat for utvikling av klimavennlig teknologi. I diskusjonen i dag er det veldig gledelig å se hvor samstemte man er tverrpolitisk i forhold til behovet for å satse på nettopp miljøvennlig teknologi for å bekjempe klimautfordringen. Det har blitt litt temperatur i debatten, og Jens Stoltenberg har blitt referert til. Har man ingen ambisjoner og visjoner, skuffer man heller ingen. Jeg sitter igjen med en følelse av at vi fra Høyres side i dag legger frem solide ambisjoner om hva vi ønsker av satsing innenfor miljøteknologi. Så er svaret, spesielt fra de rød-grønne partiene, et kraftig angrep på Høyres miljøprofil. Jeg hadde håpet og er svaret, spesielt fra de rød-grønne partiene, et kraftig angrep på Høyres miljøprofil. Jeg hadde håpet og trodd at vi tverrpolitisk kunne stått sammen om å få en solid satsing på miljøteknologi. Statsråd Solheim sa selv i sitt innlegg at det eneste som virkelig monner i forhold til klimautfordringen, er drastiske teknologiske nyvinninger for å vinne kampen. kampen. De rød-grønnes angrep på Høyres miljøprofil tar jeg som et tegn på et forsøk på å dekke for dårlige resultater av egen politikk. Senest i morges, på NRKs nyheter, kunne vi høre at Norge var det nest dårligste landet i Europa på ny produksjon av fornybar energi ifølge Det internasjonale energibyrå. Det er ett område til hvor den rød-grønne regjeringen har spilt fallitt i forhold til sine egne ambisjoner. Jeg kan berolige representantene fra de rød-grønne partiene og statsråd Solheim med at Høyre skal levere innenfor klimaarbeidet. Det er ikke noen motstrid, mener vi, mellom det å si at vi kan akseptere gasskraft uten rensing fra dag én og samtidig være tydelige på at vi er en samtidig være tydelige på at vi er en partner i klimaforliket og står ansvarlig for det sammen med de andre partiene. Det er

Det skjedde absolutt ingenting med bevilgningene til fornybar energi og teknologiutvikling på dette området under den forrige regjeringen. Den rollen som Norge har internasjonalt, har noen vært inne på. Opposisjonen støtter det som gjøres. Det er fint, men det ble et annet driv også over Norges internasjonale klimaengasjement med denne regjeringen. Alle som så hvilken rolle Norge spilte både før, under og ikke minst i innspurten av Og selv om jeg hører til dem som sterkt mener at vi trenger en offensiv klimapolitikk for innenlandske kutt, bl.a. fordi det fører til teknologiutvikling, kommer jeg likevel aldri til å være med på en beskrivelse av at utenlandske kutt på en eller annen måte er mindreverdig. som representanten Astrup avla en visitt, er utrolig viktig for tillitsbyggingen mellom nord og sør. Representanten Meling håpet og trodde på enighet og fryd og gammen her i dag, men det er grenser for hvor mye moralisering over klimapolitikken man skal måtte tåle fra et parti som har utrettet fint lite. Én ting er hva en sier i debattene som handler om klima, som handler om miljø. Men ta en prat f.eks. med Høyres egne folk i transportkomiteen. Det er nok å se på alle de OPS-prosjektene man vil legge inn i Nasjonal transportplan, og som vil bidra til kraftig økt veitrafikk. Det bekymrer meg. Høyre er et av de partiene som var med på klimaforliket og de tingene som ble sagt om behovet for reduserte utslipp fra veitrafikken der, men senest for noen dager gikk Høyre og Fremskrittspartiet sammen i innstillingen om Bergensprogrammet og advarte kraftig mot bruk av køprising som virkemiddel. I hele vinter har vi hatt Høyre-politikere på denne talerstolen – representanten Røbekk Nørve har det blitt referert til – som har ropt på å sette i gang sterkt forurensende mobile gasskraftverk i Midt-Norge av prishensyn, selv om vi vet at effekten på prisen ville vært minimal. Hadde man gjort en sammenligning av hvor store CO2-kutt denne regjeringen totalt sett har bidratt til, med det den forrige bidro med, tror jeg de fleste vet hvordan den ville sett ut. Det er tross alt det som teller, og det gir absolutt ingen grunn til desperasjon fra denne representantens side. Nikolai Astrup har hatt ordet to ganger og får nå ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt.

som har gitt så mange konsesjoner til vannkraft som Bondevik II-regjeringen gjorde. Det var Høyre som tok initiativ til å innføre CO2-avgift på norsk sokkel, som er det enkelttiltaket som har gitt det største bidraget til reduserte klimagassutslipp i Norge. Det er greit å ha det i hodet. Det er vel ingen som har vernet så mye skog i Norge som det Børge Brende gjorde da han var miljøvernminister. så mye skog i Norge som det Børge Brende gjorde da han var miljøvernminister. Når det gjelder veitrafikk, vel, se til Oslo, styrt av Høyre og Fremskrittspartiet: Veitrafikken går ned, kollektivandelen øker dramatisk. Det mener jeg er et resultat av fornuftig miljøpolitikk med Høyre i forsetet. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1. Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen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

Forslagsstillerne ber videre om at bestandsmålene endres fra å være basert på årlige ynglinger til å telle antallet faktiske individer. Forslagsstillerne vil også at Mattilsynet skal få myndighet til å kreve at skadedyr tas ut for å forhindre dyretragedier, og at dette også må gjelde bufe og rein. Til slutt ber forslagsstillerne om at regjeringen foretar de nødvendige endringer av viltloven slik at nødvergeretten utvides til å gjelde rett til nødverge ved rovdyrangrep mot hund og når rovdyr opptrer aggressivt på innmark. I 2004 ble rovdyrforliket inngått mellom alle partiene på Stortinget, med unntak av Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Den rød-grønne regjeringen bygger sin politikk på dette forliket. I rovdyrforliket slås det fast at det skal være 3 årlige ynglinger ulv, 15 årlige ynglinger bjørn, 39 årlige ynglinger jerv, 65 årlige ynglinger gaupe og 858–1 200 hekkende par kongeørn. Gjennom rovdyrforliket ble det også lagt opp til Gjennom rovdyrforliket ble det også lagt opp til regional forvaltning gjennom seks regioner. Dette var et viktig virkemiddel for Bondevik II-regjeringen, som la fram rovdyrpolitikken, og som Stortinget ga sin tilslutning til. Vi vet at det til tider kan være et høyt konfliktnivå rundt rovdyrforvaltning. rovdyrforvaltning. Derfor er det med tilfredshet en ser at en samlet komité også i dag gir sin fulle støtte til komitéinnstillingen fra 2004 om livskvalitet. La meg sitere: «Komiteen mener livskvalitet og bosetning og næringsutvikling i distriktene må tas hensyn til ved Forvaltningen må etter komiteens syn gjennomføres på en måte som skaper tillit mellom lokalbefolkning og regionale og sentrale myndigheter.» Det kan være høy temperatur i disse debattene. Men jeg tror at en debatt som den vi har i dag, nok en gang kan bevisstgjøre oss på om det føres en politikk som er den Innstillingen viser at dagens flertall ikke vil gjøre noen endringer i rovdyrpolitikken nå. Men på ett punkt varsles det at en innen høsten 2010 vil ha en gjennomgang av bestandsmålet for ulv og bjørn. Regjeringen signaliserer også i brevet fra miljøvernminister Erik Solheim at de allerede nå ønsker et bredt forlik rundt dette spørsmålet.

et vedtak. Når det gjelder forslaget om å gi Mattilsynet myndighet til å kreve at skadedyr tas ut, peker flertallet i komiteen på at rovviltforvaltningen er rovviltmyndighetenes ansvar, og at uttak av rovvilt må skje i samsvar med naturmangfoldloven, viltloven og rovdyrforskriftene. Det siste forslaget i representantforslaget, Dokument 8:95 S for 2009–2010, dreier seg om å endre viltloven for å utvide nødvergeretten. Flertallet i komiteen viser til regjeringserklæringen på dette punktet, der en skal se til de svenske erfaringene når det gjelder å innlemme hund i nødvergebestemmelsene. De siste sekundene av min taletid vil jeg bruke til å snakke om Kristelig Folkepartis synspunkter. Vi støtter

av denne typen må i de konflikter og utfordringer som en til enhver tid står oppe i, Rovdyrforliket fra 2004 var i sin tid et utrolig viktig steg i retning av en forvaltning av de store rovdyrene i Norge som både sikrer artenes overlevelse, og som bidrar til færre konflikter og tydeligere rammer for dem som skal bo og drive næringsvirksomhet i områder hvor det finnes rovdyr. Fortsatt er forvaltning av rovdyr konfliktfylt, det foregår mange til dels opphetede diskusjoner om hva rovdyrforliket betyr og ikke betyr. Men vi skal huske at bakteppet den gangen, i 2004, var mange år med enormt høyt konfliktnivå og steile fronter. Man hadde fått tre stortingsmeldinger om rovdyr i løpet av ti år, og man satte seg som mål å komme fram til et forlik som kunne stå seg over tid, og som kunne skape ro og forutsigbarhet i rovdyrforvaltningen. Med tanke på hvor sensitive ting det er snakk om her, mener jeg at man har lyktes ganske godt med det. Nå, seks år senere, er vi der at det skal gjøres nye vurderinger av bestandsmålene for bjørn og ulv, og man skal evaluere gjeldende arealdifferensiering i rovviltregionene. De grunnleggende prinsippene i rovdyrforliket ligger imidlertid fast. At disse prinsippene fortsatt står seg, betyr at det ble gjort et godt håndverk av dem som forhandlet fram rovdyrforliket i 2004, selv om vi, naturlig nok, ser uenighet i en del enkeltsaker. Forslagsstillerne er opptatt av regionalpolitisk medbestemmelse. Det er jeg også. At rovdyrpolitikken har troverdighet lokalt, der hvor folk faktisk lever med rovdyr, er helt avgjørende for at lover og regler skal bli respektert, og for at forvaltningen skal bli god. De regionale rovviltnemndene som ble opprettet i kjølvannet av rovdyrforliket, skal sikre akkurat det. Det er nemndene som skal gjennomføre rovdyrpolitikken, det er de som kan lage forvaltningsplaner, det er de som skal fordele midler til konfliktdempende tiltak, og, ikke minst, fastsette kvoter for jakt og felling når det regionale bestandsmålet er nådd. At vedtak i nemndene kan påklages, mener jeg er ganske selvfølgelig. Det er et prinsipp som gjelder i alle deler av forvaltningen, og det er viktig for rettssikkerheten at det finnes mulighet til å klage. Jeg synes – med all respekt – at det er utrolig rart at Fremskrittspartiet er så opptatt av å fjerne klageadgangen. Det er nærliggende å spørre om dette er et resultat av en prinsipiell holdning til klageadgang, og om vi kommer til å se forslag om å fjerne den også på andre områder. Men når det er sagt, vil jeg si at det skal være svært høy terskel for at Miljøverndepartementet skal kunne omgjøre vedtak fra nemndene. Når det en sjelden gang skjer – for det skjer sjelden – skal det være en tungt faglig begrunnelse for det. Minst like viktig for den lokale forankringen mener jeg det er at folk skal kunne ha tillit til at de bestandstallene man opererer med, faktisk er riktige. Vi ser veldig godt at uenighet mellom lokalsamfunn og naturforvaltningen om hvor mange dyr man faktisk har, er en kime til mistillit og vanskeliggjør godt samarbeid. Observerer man stadig ulv i et område, men får beskjed fra forvaltningen om at dyret ikke finnes, er det selvfølgelig veldig vanskelig å stole på at et bestandsmål ikke er nådd. Derfor er vi opptatt av både overvåking og bestandsregistrering og, ikke minst, av at den lokale deltakelsen økes. DNA-registreringen av bjørn, hvor lokale jegere er med på innsamlingen, er et veldig godt eksempel på hvordan dette kan skje. I forslaget ber representantene om at man endrer bestandsmålene fra å være basert på antall årlige ynglinger til å telle antall faktiske individer. Når antall ynglinger er valgt, er jo det først og fremst fordi dette er lettere å overvåke enn antall individer, og fordi det gir veldig viktig informasjon om utviklingen i rovdyrbestandene. Men det har vært utfordringer – det er det ikke mulig å legge skjul på – særlig når det gjelder bjørn, når vi vet at det har vært mange flere hannbjørner gående rundt enn det beregningene basert på antall ynglinger skulle tilsi. Det gjør at det nå er blitt laget en ny modell for beregning av ynglinger av bjørn, som er bedre tilpasset situasjonen i Norge. Spørsmålet om nødverge for hund er en gjenganger i denne salen, og jeg antar at opposisjonen er veldig godt kjent med at dette kommer som en egen sak til Stortinget. I forbindelse med proposisjonen om nødverge ble det understreket fra opposisjonens side at dette er en sak som må komme så raskt som mulig. Soria Moria II slår fast at man skal se nærmere på de erfaringene som er gjort i Sverige. Vi vet alle at de erfaringene har vært gode.

og dei gir klart uttrykk for det, og at det trugar livsforma deira. Vi kan lese i Moss Avis den 24. april om Karen Eg Taraldrud som i eit innlegg fortel om den reduserte livskvaliteten sin etter at ulven har slått seg ned i hennar nærområde. Ope erkjenner ho at ho er redd for ulv. At ulven er farleg for oss menneske, grunngir ho med at to menneske er drepne av ulv berre det siste

eit faktum at når mange viser til det rekordstore talet rovdyrskadar som er meldt, med påfølgjande økonomiske belastningar i tillegg til dei bufe- og reinsdyrtragediane dette inneber, er det ikkje basert på følelsar og tru, men ein realitet. Dette viser at dagens rovdyrpolitikk aukar konfliktnivået i Distrikts-Noreg og synleggjer tydeleg behovet for ei revidering og at ei endring i forvaltninga av rovdyrpolitikken er langt på overtid. overtid. Konfliktnivået er høgt, og etter Framstegspartiet si meining altfor høgt. Det er mange eksempel på kvifor konfliktnivået aukar. Den såkalla Galventispa er eit eksempel. Ho blei flytta etter åtte månaders jakt, bedøvd og flytta til eit sauefritt område. Men før denne flyttinga hadde ulvetispa teke mange sauer og gjort skader for store beløp. Det blei med andre ord brukt millionbeløp før ein fekk hjelp av helikopter til å flytte skadedyret. Kva var grunngivinga for denne nølinga med å felle ulvetispa? Jau, det var at den genetiske verdien ho representerte, var stor og sjeldan. Men nokre veker etter at området blei ulvefritt, kom det inn ei ny tispe i området, så argumentet om sjeldan og fell på steingrunn. Det gjekk ikkje så mange dagar før også denne ulven gjorde stor skade på sauebestanden i det som skulle vere eit ulvefritt område. Det er fornuftig nok gitt fellingsløyve på denne Galventispa 2 etter at ho har teke livet av rundt 25 sauer i Næroset i Ringsaker. Eg les i dagens nyheiter at ho no er skoten og representerer ikkje lenger nokon fare, og

og press på eit levevis i utkantane som fleire og fleire kjenner på seg er uhaldbart. Vi ser i oppslag at vi har Senterpartiet med oss i argumentasjonen rundt denne problematikken. Dessverre viser ikkje dette seg i denne debatten i denne salen, og viser at Senterpartiet har svikta distrikta. Vi ser i oppslag at Senterpartiet står fram og seier at det er altfor mange rovdyr og ny rovdyrkamp i regjeringa, men også i denne saka vinn Sosialistisk Venstreparti. Senterpartiet må nok ein gong stå fram som ein som ikkje slår ring om distriktsverdiar. Så til slutt nokre ord om nødverjeretten, som etter vår meining må gjelde hund. All erfaring frå våre naboland viser at det er få tilfelle der det krevst handling for å verje hund. Så blir det sagt frå representantar at Framstegspartiet og forslagsstillarane veit at dette kjem som eiga sak i denne salen. Spørsmålet er då: når? Vi ser i dag at det er oppslag på oppslag om eit storting som går på tomgang, og at Stortinget etterlyser saker, så eg ser gjerne at denne saka kjem fort, slik at vi får avgjort dette på ein hensiktsmessig og god måte. Presidenten antar at representanten etter dette innlegg også ønsker å støtte sine egne forslag og ta dem opp. Det ønskjer eg! Representanten Oskar Jarle Grimstad har dermed tatt opp

mange lokalsamfunn innanfor forvaltningssonene er det ei sterk kjensle av å ha blitt overkøyrd av storsamfunnet ved at dei må betale ein høg pris for å ha levedyktige rovviltbestandar her i landet. Manglande moglegheiter til å kunne ta ut rovdyr som oppfører seg trugande eller gjer skade, gjev ei sterk kjensle av maktesløyse. Det reduserer livskvaliteten i mange lokalsamfunn, som føler at dei har liten påverknad på levevilkåra sine. blir meldt om fleire observerte rovdyr, fleire drepne eller hardt skadde hundar og andre husdyr som følgje av rovdyrangrep, utan at dei som er råka, føler at situasjonen blir teken alvorleg. Rovdyr i nærområdet har dramatiske konsekvensar for trivsel og tryggleik i eit lokalsamfunn. Det vil ofte vere avskrekkande for dei som skal busetje seg i slike område, ikkje minst folk som ikkje er vane med å leve med rovdyr frå før. Det er også sterkt hemmande på landbruksnæringa og jakt og friluftsliv. Mykje tyder på at det er ein stor auke i bestandane for fleire rovdyrartar sidan rovdyrforliket vart inngått. Det gjer at det hastar med å ta ein fullstendig gjennomgang av heile rovviltforliket. Høgre har stor tiltru til det lokale sjølvstyret og meiner at det er viktig at mest mogleg av forvaltninga av rovdyra skjer lokalt, nærast dei som det gjeld. Nasjonale lover og forskrifter og nasjonale bestandsmål for den einskilde forvaltningsregionen skal vere grunnlaget for Høgre meiner at dei regionale, folkevalde rovviltnemndene må ha reell myndigheit, utan å bli overprøvde av statlege forvaltningsorgan. Høgre støttar derfor dette forslaget. Høgre meiner at omgrepet «antall ynglinger» er problematisk. Det blir tolka av

Dermed kan ikkje DN gå med på uttak av ulveflokken før bestandsmålet på tre ynglingar er dokumentert oppnådd. Dette er ikkje godt nok. Høgre vil likevel avvente regjeringa si utgreiing og nye vurderingar av bestandsmålet for ulv og bjørn før bestandsmålet eventuelt blir endra frå talet på ynglingar til talet på individ. Når det gjeld ulv, har ein rimeleg god oversikt, men med bruk av talet på ynglingar som bestandsmål ligg ein konsekvent minst eitt år etter reell utvikling. For bjørn og andre rovvilt er det meir uoversiktleg. Høgre vil derfor ikkje støtte dette framlegget no. Høgre meiner at rovviltforvaltninga er viltmyndigheitene sitt ansvar, og uttak av rovvilt må skje etter naturmangfaldlova, viltlova og rovdyrforskriftene. Høgre vil derfor ikkje støtte framlegget der Mattilsynet får utvida fullmakter. Då Stortinget handsama endringane i naturmangfaldslova, var naudverje eit viktig tema. tema. Trass i at regjeringa har hatt fleirtal bak seg i snart fem år, har ho ikkje klart å konkludere i saka om naudverje for hund. Dette er eit nytt eksempel på sterk usemje og handlingsvegring i regjeringa. Trass i dei positive erfaringane ein har hatt i Sverige med innføring av nytt lovverk i denne tidsperioden, og som gjer at naudverje skal gjelde for hund, stemmer regjeringspartia likevel mot at ei slik ordning skal innførast i Noreg. Høgre meiner at tida no er inne for å gje moglegheit til å forsvare hund ved direkte angrep frå ulv, og støttar derfor dette forslaget. Høgre meiner at tida er komen for å evaluere rovviltforliket, og ein må leggje til grunn aksept og godkjenning av at det å leve med rovvilt tett innpå seg medfører belastning ved at livskvaliteten blir redusert og rettar går tapt. Desse Sonepolitikken er ein reservatpolitikk. Dersom denne politikken skal halde fram, må Stortinget klargjere at områda er reservat, med dei erstatningsmessige konsekvensar dette har både overfor alle brukarinteresser og overfor allmennheita. Ingen stader skal rovvilt ha ein så særskild beskyttelse at mennesket ikkje skal ha rett til å beskytte seg og sitt. Fleire av rovviltartane er grenseoverskridande. Det er derfor utfordrande å forvalte

SVs standpunkt. Men jeg har noen få kommentarer. Fremskrittspartiet er interessante, for de veksler mellom å si at SV alltid blir overkjørt, sist i debatten i forrige uke, da Ketil Solvik-Olsen tillot seg å kalle partiet – hva var det – fornøyd pusekatt, til i dag, ifølge representanten Grimstads ord, å være et parti som alltid vinner, og vinner for mye. Som vanlig har Sosialistisk Venstreparti fått gjennomslag, sa representanten Grimstad. Det gleder meg selvfølgelig stort at representanten Grimstad er i stand til å se at SV er et parti som har stor innflytelse på norsk politikk. Men det aner meg jo at det er noen vikarierende hensikter ute og går her, og Fremskrittspartiets nyvunne rivalforhold til Senterpartiet kan jo ha noe med saken å gjøre. Det er ikke en veldig redelig måte å debattere på av Fremskrittspartiet, hvor de er fullt klar over at de fleste partiene på Stortinget står inne for et rovdyrforlik, og at de rød-grønne partiene står godt sammen om det. Det er kun unntaksvis at Miljøverndepartementet har funnet det nødvendig å omgjøre vedtak om jaktkvoter og kvoter for felling av rovvilt som er fattet av rovviltnemndene. Det er kun forslag nr. 4 jeg har tenkt å å si noe om her, for det reiser et interessant spørsmål. Både næringsinteresser og miljøverninteresser kan ha interesse av å kunne påklage vedtak fattet i rovviltnemndene. Det sier egentlig seg selv. Klageadgang er noe ganske selvfølgelig i enhver forvaltning. Å foreslå å fjerne denne klageadgangen er derfor et lite hensiktsmessig forslag fra forslagsstillerne. At Høyre støtter forslaget, er desto mer overraskende. Partiet er vanligvis svært så komfortable med sitt rettssikkerhetsimage. Jeg er overbevist om at tilliten til forvaltningen, ønsket om et lavt konfliktnivå, og tryggheten om at en er godt ivaretatt med tanke på rettssikkerhet, ikke er tjent med å fjerne denne klageadgangen. Jeg tror heller ikke det i det hele tatt vil bidra til det dempede konfliktnivået og den reduserte graden av tilspisset og hard konflikt som jeg tror er vårt felles mål i rovdyrpolitikken. Debatten om dagens rovdyrpolitikk og rovdyrforvaltning er viktig. Senterpartiet er oppteke av at vi har ei rovdyrforvaltning som tek på alvor og har respekt for dei som skal leve og drive næring i område med rovdyr. Vi trur ikkje nødvendigvis at det ultimate tiltaket for å styrkje legitimiteten til rovviltforvaltninga er å fjerne ankemoglegheita på vedtak fatta av rovviltnemnder eller andre delar av forvaltninga. Det er vel slik at vi må leggje til grunn at ein fjernar ankemoglegheita anten ein meiner rovviltnemnda har vore for restriktiv eller for liberal. Det trur ikkje vi i Senterpartiet er det som skal til. Samtidig er det viktig for meg å få sagt at det skal vere ein svært høg terskel for å oppheve vedtak gjorde i dei regionale rovviltnemndene. Vi er òg nøydde til å arbeide vidare med organiseringa og med korleis vi oppnemner nemndene. Den debatten må vi våge å ta. Det er viktig at rovviltnemndene har solid forankring i dei områda der dei har ansvaret for forvaltninga. For å forankre forvaltninga i dei aktuelle områda er det etter Senterpartiet sitt syn minst like viktig at dei delane av forvaltninga som er i kontakt med lokalbefolkninga og dei næringsdrivande, legg stor vekt på å respektere dei utfordringane som ligg i det å leve og drive næring i område med stor rovdyrbelastning, og at ein samarbeider konstruktivt og godt med lokalbefolkninga. Observasjonar og funn må registrerast og følgjast opp. Den erfaringsbaserte kunnskapen som lokalbefolkninga har, og som dei har opparbeidd seg i løpet av generasjonar når det gjeld utmark generelt, men òg når det gjeld rovdyr, må takast på alvor og nyttast. Forslagsstillarane er vidare opptekne av bestandsregistreringa. Her vil vi frå Senterpartiet si side vise til det arbeidet som no blir gjort i samband med bestandsregistrering for bjørn,

I Senterpartiet er vi vidare glade for at regjeringa har varsla ein gjennomgang av bestandstala for bjørn og ulv, og det får vi sjansen til å drøfte i salen her på eit seinare tidspunkt. Så ynskjer forslagsstillarane vidare at Mattilsynet får fullmakt til å ta ut skadedyr. Eg trur at det for både beitedyr og dyreeigarar er all grunn til å tru at viktigare enn kven som tek ut skadedyra, er det at det faktisk blir gjort, og at det blir gjort hurtig. Skadedyr skal takast ut, og det er viktig at dette blir gjort så fort at skadane blir avgrensa til eit minimum. Det er vidare viktig at ein brukar sporsnø aktivt for å ta ut potensielle skadedyr i dei områda der beitedyra har prioritet. Vi har i dag for mange tilfelle av rovdyrangrep i dei områda der beitedyra skal ha fyrsteretten. For høge rovdyrtal i desse områda fører ikkje berre til ressurskrevjande jakt og skadejakt

nærgåande eller opptrer unormalt, er derfor ein viktig del av arbeidet med å sikre rovdyrpolitikken legitimitet blant folk i område med rovdyr. Frå Senterpartiet si side ser vi fram til den saka som kjem om rovdyrpolitikken når bestandstala skal reviderast, slik regjeringa har lova. I det arbeidet må det vere eit overordna mål å skape ein som har større legitimitet blant dei som skal leve i område med rovdyr, og som jamleg skal hanskast med desse. Når det gjeld nødverje, har det vore nemnt av fleire her. Spørsmålet om nødverje for hund kjem altså regjeringa tilbake til. La meg først starte med det store bildet, som jeg skal komme tilbake

I tre av dem er det i all hovedsak forslag om at regjeringen skal gjøre det regjeringen allerede gjør. Men hvis vi ser på summen av dette, avtegnes det et veldig interessant politisk bilde – et bilde av et Høyre som hopper på Fremskrittspartiets forslag på område etter område – områder hvor Høyre aldri sto for det før – og et bilde av et samarbeid mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti. Vi har ikke rukket å stemme ennå, så jeg skal ikke forskuttere Venstres syn, men jeg vil ikke bli forbauset om de stemmer sammen med Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene når det gjelder nesten alle forslagene her. Så det er i hvert fall et veldig interessant politisk bilde vi ser. For å holde seg til presidentens påpeking om å snakke om det som er saken: I rovdyrpolitikken er regjeringspartienes og helt sikkert også Kristelig Folkepartis syn at vi skal gjøre hva vi kan for å redusere konflikter på dette området. Jeg reagerer derfor litt når Fremskrittspartiet synes å trives veldig, veldig godt ikke med å redusere konflikt, men med å piske opp til konflikt, i den tro at man kan vinne stemmer på det. Det ville jo ikke være dumt, hvis noen i Norge f.eks. er redde for å bli drept av ulv på basis av noen ytterst få tragedier andre steder på kloden, å nevne det faktum at det – i hvert fall så vidt jeg vet – ikke finnes ett dokumentert tilfelle i Norge der noe menneske er blitt drept av ulv. Det betyr ikke at det ikke kan skje, men det betyr at sannsynligheten for det iallfall ikke er stor, siden det i løpet av de 150 årene man har hatt dokumentasjon på dette, ikke har skjedd. Oppfordringen til Fremskrittspartiet er at de i kontakt med velgerne bringer også denne informasjonen ut, slik at vi kan redusere og ikke piske opp frykten. Så kan jeg slutte meg til nesten alt som ble sagt av saksordføreren om gjennomgangen av de enkelte Unntaket der er nødverge for hund. Det vil regjeringen komme tilbake til. Vi merker oss selvsagt synspunktene fra mange av stortingspartiene på det området. Jeg skal komme tilbake til det på en ordnet måte senere, også ut fra vurderinger av hvordan dette har virket i Sverige, og ut fra de forskjellene i regimet som er mellom Norge og Sverige – og hva en eventuell innføring av uttak av revirhevdende lederulver, og hvordan det vil virke. Dette kommer vi tilbake til. Det viktigste forslaget som er fremmet, er forslaget om at de regionale rovdyrviltnemndene skal få en absolutt makt på området. Jeg slutter meg til det Snorre Serigstad Valen sa om det. Det er et forslag som det Det er altså et forslag hvor det ikke vil være noen ankemulighet på området, og hvor man ikke har den totrinnsstrategien som Høyre ellers i rettsstatens interesser veldig ofte står for, nemlig at vi vektlegger veldig hva den regionale rovviltnemnda kommer fram til. Det er ytterst få tilfeller der dette er overprøvd. Det siste jeg kan komme på, var spørsmålet om gaupe i rovviltnemnda for Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, som var spørsmålet om gaupe i rovviltnemnda for Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, som Stortinget har behandlet tidligere, men i all hovedsak bygger vi altså på hva de regionale rovviltnemndene kommer fram til. Jeg er enig med Erling Sande i at det skal være en veldig høy terskel for å gå mot det. Men likevel: Skal man ha en nasjonal politikk, skal Stortinget kunne fastsette nasjonale mål på området, skal Norge være ett rike, må det også være mulighet for, i siste instans, å overprøve det som skjer lokalt i overordnede, nasjonale interesser. Det gir også næringsinteresser, bondeorganisasjoner, miljøorganisasjoner og alle en mulighet til å anke en beslutning de mener er gal, Når det gjelder forslaget om å endre bestandsmålene fra å være basert på årlige ynglinger til å telle antall faktiske individer, tror jeg ikke noen i Stortinget har noe religiøst, prinsipielt standpunkt til det, at det må være sånn eller sånn. Det er et praktisk spørsmål om hva som er den mest hensiktsmessige måte. Så langt har vi kommet til at det er mest hensiktsmessig å måle antall ynglinger, fordi det er lettere å overvåke på en presis og hensiktsmessig måte, men det er selvsagt noe som man fortløpende kan vurdere, i tråd med ny teknologi på området. Vi legger også, som vi tidligere har snakket om i Stortinget, fram en ny modell for beregning av ynglinger av bjørn som er bedre tilpasset situasjonen i Norge. Forslaget om at Mattilsynet skal kunne gripe direkte inn, føler jeg er en tilsidesetting av det som er det andre elementet i forslaget som er fremmet, nemlig at de regionale rovviltnemndene skal tillegges veldig stor innflytelse. innflytelse. Det henger ikke helt på greip både å mene det og at Mattilsynet skal være de som griper inn. Det forslaget tror jeg vi bør la ligge, og holde oss til at det er de relevante viltmyndighetene som bør foreta avveiningen på dette området. Det blir replikkordskifte.

Så blir det jo helt meningsløst å si at det gikk åtte måneder, for de åtte månedene var jo på det tidspunktet hvor det ikke var sau på beite. Jeg lovet landbruksorganisasjonene i Hedmark i fjor høst at vi ikke skulle gå inn i en ny beitesesong med Galventispa i områder med mye sauehold. Det løftet ble holdt, og Galventispa ble altså flyttet før beitesesongen. Det er jo ikke likegyldig hvilke av årets måneder måneder Galventispa gikk løs i skogene i Hedmark. Jeg håper at statsråden er enig i at vi skal ha rovdyr i norsk fauna, men jeg, som har mange perioder bak meg i viltnemnda lokalt, er i den situasjonen at hvis jeg tvinges til å velge, så velger jeg Rødhette. er nå god dokumentasjon på at det er flere revir enn det som lå til grunn i rovdyrforliket, f.eks. Linnekleppen-reviret. Det rapporteres også fra mitt fylke om at det er et nytt mulig revir i Sarpsborg, i Skjebergdalen, og spørsmålet til statsråden er hva statsråden selv vil. Vil han åpne for at det blir økt beskatning for å håndheve

Som et ledd i det vil vi selvsagt prøve å innhente mest mulig informasjon om hvilke revir som eksisterer, og maksimal kunnskap om hva som er den faktiske situasjonen. Vi kan ikke basere det på et hvilket som helst avisoppslag om at det kanskje kan tenkes å være et revir et sted. Vi er helt avhengige av at den gode forvaltningen, den store kunnskapsbase vi har, innhenter en best mulig informasjon. Så bygger vi på det, og så kommer vi tilbake til

mellom lokalbefolkning og regionale og sentrale myndigheter.» Vi går nå inn i en beitesesong. Mitt spørsmål til statsråden er: Hvilken plan har statsråden for denne beitesesongen vi nå går inn i for å skape tillit mellom lokalbefolkning og regional og sentral myndighet og prøve å redusere de konfliktene som vi vet vil komme med en

uttak. Det var også en del av det som lå i materialet her. De profesjonelle, altså Statens naturoppsyn og andre, skal hjelpe lokale jaktlag, vi ønsker at lokale jaktlag skal gjøre jobben. Jeg var i Hedmark, jeg tror det var for tre uker siden, og møtte den lokale rovviltnemnda, en rekke landbruksorganisasjoner og andre.

Konfliktdemping er en viktig del av rovviltforvaltningen. Vi ser en del eksempler på at hannbjørner, spesielt, overvintrer i enkelte områder – ikke bare én vinter, men to og tre vintre. Disse bjørnene har da forsynt seg godt av sauebestanden både sommer og høst, går så i hi, kommer ut igjen og ligger da og venter på at sauen skal slippes på beite. Det er da sikkert ikke spesielt moro for sauebøndene å slippe sauen rett i gapet på bjørnen. Det har i den forbindelse blitt sendt inn en del søknader som gjelder felling av bjørn på og disse blir avslått av direktoratet og av departementet. Vil statsråden sørge for at felling på sporsnø blir et aktuelt og godt konfliktdempende tiltak? Hver enkelt slik søknad og hvert enkelt slikt tilfelle vil selvsagt bli vurdert. Men når fagmyndighetene på dette området har ment at jakt på sporsnø ikke er noe generelt godt tiltak, er det fordi man mener at det er veldig upresist. De hannbjørnene som det er snakk om her, er hannbjørner som beveger seg over et veldig stort område. De har ikke et revir, som en ulv, og holder seg ikke, som ulv ofte gjør, på et relativt lite område. De kan bevege seg

utenlandske tragedier, hvor folk har blitt drept. Men jeg kan fortelle statsråden at det er ikke spesielt trivelig å ha ulv rundt hushjørnene og det er om ikke en daglig, så i hvert fall en ukentlig opplevelse. Jeg er glad for at statsråden kom til saken og ikke bare var opptatt av partikonstellasjoner. Når det, som statsråden sier, til stadighet er debatter om rovdyrpolitikken, er nok det fordi regjeringen har valgt kartet og ikke terrenget. Det er helt tydelig at kartet ikke stemmer med terrenget – det er ikke bare tilfeldige avisoppslag. Jeg sitter selv i viltnemnden denne perioden – jeg har gjort det i flere perioder tidligere – og ser bare i mitt fylke når det gjelder hjorteviltbestanden, særlig i grensetraktene, og da på østsiden av Glomma, at de grunneierne som har store skogeiendommer, og som har disse ikke bare for å drive friluftsliv, men også for å ha det som næring, opplever at beskatningen av hjorteviltet er nesten null. Det er nå god dokumentasjon på at det er flere ynglende ulvefamilier, og at det er flere ulveflokker enn det som ligger til grunn i rovdyrforliket. Blant annet har Høgskolen i Hedmark dokumentert dette, og det kommer stadig inn dokumentasjoner. Det er ikke tilfeldige folk som gjør disse observasjonene. Det er mye god erfaring ute i de lokale viltnemndene som rapporterer både om sporinger, dyretragedier og herjinger der rovdyr har Det er de lokale samfunnene som bærer belastningen med dagens rovdyrpolitikk. Folk i bygdene i mitt område, i grensetraktene, undrer seg noe over alle de gode midlene som faktisk tilflyter lokalsamfunn for å gjøre det attraktivt å bo der, samtidig som man på den andre siden ikke har muligheten til å utøve den beskatning som er nødvendig.

På mitt spørsmål svarte statsråden at hannbjørner beveger seg over store områder, og at felling på sporsnø er «upresist». Når en bjørn overvintrer i ett område og kommer ut igjen, tar sau i dette området, går en runde,

I Oppland har det per i år blitt levert inn tre søknader om felling. Den første, som ble avslått, ble levert den 25. januar, og den ble så anket til departementet. Den er ennå ikke behandlet! Den 29. april ble det søkt om skadefelling på bjørn. Den fikk de svar på nå på Den 7. mai ble det også sendt inn en søknad, altså en anke, og den er ennå ikke besvart. Det kan godt hende at departementet ikke avviser så veldig mange anker. Når de ikke svarer, kan de godt si at de ikke har avvist dem, de har bare ikke giddet å svare. Det tyder på en arroganse som ikke er forenlig med en god rovviltpolitikk som kan være konfliktdempende. Jeg synes at statsråden, med den holdningen, er med på å Jeg synes at statsråden, med den holdningen, er med på å piske opp en stemning, som Fremskrittspartiet også var beskyldt for å gjøre. De fleste partier i denne sal står samlet om rovviltmeldingen, og det kan nok være riktig. jeg vet at de aller fleste partier rundt omkring i Norge, som sitter i rovviltnemndene, er sterkt imot den rovviltmeldingen. De ønsker store forandringer i meldingen. Jeg tror at regjeringspartiene hadde tjent mye på å lytte til sine lokale politikere – da hadde vi kanskje fått en rovviltmelding som er i tråd med virkeligheten.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

tidligere i dag, hvor partiene kaptes med hverandre om å være mest for utvikling av klimateknologi. I denne saken står to av partiene sammen om å ville fjerne kravet om at ny gasskraft i Norge skal renses. Det vises bl.a. til at det er betydelige teknologiske utfordringer knyttet til teknologi for fangst og lagring, og at «dagens teknologiske løsninger for rensing av gasskraft fremstår derfor ikke som kommersielle». Her siterer jeg

med daglige historier om at månelandingen skjedde i 1983, at i Kina har de landet på månen for småpenger, og at det står altså teknologileverandører i kø, som kan garantere at de kan levere en renseteknologi som både fungerer og er billig, er det litt underlig å høre de partiene som har gjort seg til talerør for disse påstandene, hevde at det er umulig å stille krav om rensing av gasskraft i Norge.

Norge. Hovedkonklusjonen var jo at dette ble dyrt, dette er krevende, det er ganske vanskelig, og det vil koste mange penger. Å få store utslipp fra gasskraftproduksjon i Norge kommer til å koste oss noe, selvfølgelig vil det det! Det kommer til å koste oss mye i form av tiltak på andre områder for å nå 2020-målsettingen vår, som jeg antar at Høyre tar alvorlig. Vi gjør i hvert fall det. Sist jeg hørte noe fra Høyre og Fremskrittspartiet om fornybardirektivet, var de også enige i at dette er et direktiv som er EØS-relevant, og som Norge må ta. Selv om det ikke er klart hva Norges forpliktelser vil bli, er det veldig lite trolig at vi ender opp med å kunne redusere norsk fornybarandel, fylle på med betydelige mengder fossil energi, uten at det må kompenseres med fornybar for å holde andelen oppe. Fornybar energi er vi for for all del! Men det er dyrt, og det betyr naturinngrep. Dette scenarioet blir også ganske rart, sett i lys av at det de store energiaktørene sier om tiden framover, om hvordan verden vil se ut fram mot 2020, dreier seg om at Norden vil bli et overskuddsområde for kraft. Det er et utfordrende bilde for dem som er opptatt av incentiver for fornybar og teknologisk utvikling på det området. Så har vi utfordringer i noen områder. Midt-Norge er det mest åpenbare eksemplet på det. Det er stor enighet om at det er behov for mer nett for å bli kvitt flaskehalser og for å få kraftmarkedet til å fungere skikkelig. Jeg vil også si at rensekravet betyr ikke at det ikke finnes interessante gasskraftprosjekter med rensing i Norge hvor myndighetene kan spille en rolle. I forslaget vises det og det er veldig mange interessante elementer i det prosjektet, f.eks. muligheten for avtaler med offshoreselskapene om elektrifisering fra land. Siden sokkelen ikke omfattes av fornybardirektivet, vil heller ikke det prosjektet omfattes av den problematikken, så det er bra at det signaliseres fra dem at det jobbes videre opp mot myndighetene med det prosjektet. Men kravet om CO2-håndtering ved nye gasskraftverk ligger fast, og det er helt tydelig slått fast i Soria Moria II. Jeg må si at jeg ser fram til, og håper på, i den kommende debatten at vi får høre Høyres forklaring på hvordan nasjonale klimamål skal nås, om man skulle få gjennomslag for det forslaget vi nå diskuterer. Det er

Med ei proaktiv haldning til klimautfordringene og energibehovet i Midt-Noreg må ein sjå etter løysingar som tener alle partar. Spørsmålet er korleis. Ved oppstart av Industrikraft Møre vil ein kunne overta reservekraftverkas rolle, og dei kan demonterast. Vi vil få eit anlegg med dobbel verknadsgrad i forhold til dagens reservekraftverk og halverte utslepp. Vi vil kunne få ei avtale med offshoreselskapa om elektrifisering frå land og installasjonar på sjøen. Det vil opne for synergiar med vindkraftprosjekt som har fått konsesjon i regionen, og i tillegg ei endring av produksjonsstrategi, slik at vindkraft, overskotskraft i andre regionar og varierande tilsig kan utnyttast maksimalt. Gjennom dette opplegget får vi eit anlegg som gir god forsyningssikkerheit og løyser problem knytte til høge områdeprisar og overføringstap. I vinter ville eit slikt anlegg ha gått for fullt, mens andre år ville det har vore langt lågare brukstid. I eit anlegg som blir drive på denne måten, bør det vere lettare å akseptere at reinsing ikkje må krevjast frå dag éin. Anlegget vil uansett vere førebudd på reinsing, slik som alle anlegg som blir levert i dag, er, og endring av kravet om reinsing må òg kome i eit etter regjeringas revurdering av framdrifta på Mongstad, der det blir slått fast at fullskala reinsing ikkje vil vere på plass før tidleg i 2018. Alle veit at innan den tida er det behov for betydeleg meir kraft både til Ormen Lange fase 2 og eventuell elektrifisering av eksisterande og nye installasjonar i Norskehavet. Eg nemner i denne samanhengen Heidrun, Åsgard, Kristin, Luva og I tillegg ser vi at Hydro Sunndal sannsynlegvis startar opp igjen produksjonen for fullt i haust, noko som er veldig positivt, men det blir samtidig ei betydeleg utfordring for kraftsituasjonen i regionen. Dersom ein stiller eit absolutt krav om CO2-handtering for Industrikraft Møre frå første dag, kan resultatet bli at ein sit tilbake med reservekraftverka og kraft generert offshore, og og begge desse alternativa har dobbelt CO2-utslepp i forhold til Industrikraft Møre, vel å merke utan CO2-handtering på nettopp dette anlegget! Utan eit slikt krav vil ein kunne få ein vinn-vinn-situasjon, der ein varetek behovet til både næringslivet og innbyggjarane i regionen. Vi kan kvitte oss med den dyre og miljøkrevjande kriseløysinga som reservekraftverka representerer, ved å bruke sunn fornuft og endre krava om umiddelbar CO2-reinsing frå dag éin. Når vi så i dag kan lese at Statnett beskriv ei omfattande tiltaksliste som omfattar flytting av nettopp desse reservekraftanlegga til Hordaland, noko som har skapt sterke reaksjonar i heile Midt-Noreg, og at dei vil stoppe at nye forbrukarar får tilgang til sentralnettet det rett og slett nei til ny etablering av næringsaktivitet i Midt-Noreg. Det er fullstendig uakseptabelt og viser ei regjering som er handlingslamma og utan truverd, dersom dei ikkje ser alternative løysingar som ligg opne framfor oss og bør nyttast. Eg tek opp forslaget vårt i innstillinga. Vår elektrisitetsforsyning er i all hovedsak basert på vannkraft. Det gjør oss sårbare, fordi vi innenfor dette energisystemet er

og vi har importert elektrisitet fra våre naboland. Gasskraftverket på Kårstø har imidlertid også bidratt signifikant til kraftbalansen dette året. Norge er en stor eksportør av naturgass til bl.a. kontinentet. Faktisk er det slik at vi i et klimaperspektiv oppmuntrer våre naboland til i større grad å gjøre bruk av gass til erstatning for kullkraftverk, siden gass bare har halvparten så store klimautslipp som det kull har. I Europa blir også denne energiformen sett på som en miljømessig god energiproduksjon. I Norge derimot stiller regjeringen krav til CO2-rensing fra første dag for nye gasskraftverk. Dette anses å være kommersielt så krevende at vi i overskuelig fremtid sannsynligvis ikke kan regne med at det vil komme nye gasskraftverk. Høyre mener at dette er beklagelig. Som det er sagt i debatter tidligere i dag, blir det en motstrid mellom at en på den ene side utsetter Mongstad og rensing på Mongstad, mens en på den annen side setter krav til at renseteknologi skal være på plass fra dag én i nye gasskraftverk. Høyre er også opptatt av at vi skal satse på forskning og utvikling for å få frem kommersiell teknologi for rensing av gasskraftverk. Derfor har vi støttet bl.a. den satsingen som foregår på Mongstad. Forskjellen er at Høyre mener at vi må kunne stille krav til tilrettelegging for rensing, men at rensing i seg selv ikke skal være et krav fra oppstart. Høyre er en del av klimaforliket, og vi er oss bevisst at konsesjon uten rensing gjør at vil bli mer krevende totalt sett. Vi ønsker imidlertid å styrke vår egen kraftbalanse gjennom å få en større totalproduksjon, men minst like viktig er det at vi får en mer diversifisert produksjon, hvor vi gjør oss noe mer uavhengig av vannkraften alene. I denne vinteren har deler av Norge opplevd svært høye strømpriser. Bakgrunnen er en kombinasjon av flaskehalser i nettkapasiteten, at svensk kjernekraft var ute av produksjon på grunn av vedlikehold, og at vinteren var kald og nedbørsfattig. Det er uheldig at enkelte deler av landet, bl.a. Midt-Norge, skal betale en så høy pris for en feilslått energipolitikk. Både privatpersoner og næringsliv har måttet betale denne prisen. gjelder ikke bare eksisterende næringsliv, men det handler også om hvor attraktivt et område skal være for nye bedriftsetableringer. Da er tilgang på energi, forutsigbare priser og konkurransedyktige priser et viktig element. Derfor vil Høyre støtte forslaget fra Fremskrittspartiet om å endre krav om umiddelbar CO2-rensing ved nye gasskraftverk og ber regjeringen stille de samme krav i Norge som i Spørsmålet er hva som er overordnet viktig. Klimautfordringen er overordnet viktig, men energibalansen og det å sørge for en tilstrekkelig høy grad av forsyningssikkerhet er også viktig for et samfunn. Jo mer gass vi bruker til energiproduksjon, jo mindre kullkraft trenger vi for å fyre. Det betyr at gass som erstatning for kull er en god miljøløsning i en overgang på vei til et samfunn hvor vi får mer fornybare og bærekraftige energikilder. Jeg håper at regjeringen vil finne gode, pragmatiske løsninger på bl.a. den kraftsituasjonen som er i Midt-Norge, at regjeringen kan holde et fokus på kortreist kraft og bl.a. se positivt på den prosessen som Industrikraft Møre nå jobber

Vi ønsker også rensing, men vi ønsker ikke å stille krav om det fra dag én nettopp for å få opp en større og mer fleksibel energiproduksjon. Innlegget fra representanten Innlegget fra representanten Meling var jo en interessant øvelse med tanke på debatten vi hadde først i dag. La meg først si at kraftsituasjonen i Midt-Norge er til å bli svært bekymret over. Det har vi diskutert mange ganger i salen i løpet av vinteren, som seg hør og bør. Jeg har spesielt reagert på de urettferdige utslagene man får av måten kraftmarkedet i Norden fungerer på i dag. Mange ganger i vinter var det dyrere å koke vann, varme opp huset og gjøre andre basisoppgaver i Midt-Norge enn det var å varme opp oppkjørselen eller øvrig luksusforbruk i Oslo vest. Sånn kan vi ikke ha det, og derfor har jo SV i løpet av vinteren i debatten fremmet en rekke forslag, som regjeringen kommer til å se nærmere på, smarte måter å utnytte kraftnettet bedre Vi ser på muligheter for hvite sertifikater som kan stimulere til energisparing, og vi vil styrke Enovas rolle ytterligere. Her er det mye å gjøre, og i hvert fall i løpet av den tiden det vil ta å bygge et nytt gasskraftverk på Møre, har jeg tro på at vi skal få til veldig mye for å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge. Jeg vil minne om det jeg sa forrige gang vi i komiteen var samlet til debatt i stortingssalen, nemlig at en kilowattime spart alltid er bedre enn en ny kilowattime bygd. Så er det jo et stort sprik mellom fortellingen vi hører fra Høyre nå, og fortellingen vi hørte fra Høyre – ikke i forrige debatt, men i debatten før – for om lag to timer siden. Da fikk vi høre skryt fra Høyre, av seg selv vel å merke, over hvor visjonær Høyre var i 2002 da de ville kreve Denne rensingen fra dag én avlyser Høyre åtte år etter i stortingssalen. Det står til stryk. Fremskrittspartiet, representert ved representanten Ketil Solvik-Olsen, som var veldig opptatt av hva SV skrev i merknads form i 2002, skriver det samme selv i år 2010, nemlig at «det er betydelige tekniske utfordringer knyttet til teknologi for fangst og lagring av CO2, og dagens teknologiske løsninger for rensing av gasskraftverk fremstår derfor ikke som kommersielle.»

begge deler samtidig. Det samme gjelder jo Høyres argumentasjon for hva disse gasskraftverkene skal brukes til – altså gass fra Industrikraft Møre kan ikke både brukes for å løse kraftutfordringene i Norge og tas til inntekt for eksport til Europa der den skal erstatte kullkraft. Man må bestemme seg for enten–eller! Hvis det skulle ha vært en klimatroverdighet i Høyres tilslutning til Fremskrittspartiets forslag her, ville jeg forvente at Høyre kunne si noe i sitt innlegg om hvordan de forventer å kompensere for de økte utslippene dette forslaget vil føre til. Betyr det at Høyre vil avlyse punktene der de truer med å trekke seg fra klimaforliket? Vil vi se et Høyre som blir tilhenger av rushtidsavgift? Vil vi se et Høyre som er villig til å bruke tøffere virkemidler overfor oljebransjen, som kanskje er villig til å øke CO2-avgiften offshore? Det gjenstår å se. Det vet ikke jeg, men jeg med at Høyre mener alvor med sin merknad om at eventuelt økte utslipp ett sted må føre til reduksjoner et annet sted. Så langt har jo Høyre problemer med å forklare hvordan vi i utgangspunktet skal nå 15–17 mill. tonn kutt i CO2-utslipp med sin politikk, for når det kommer til stykket, velger alltid Høyre minste motstands vei. Jeg forventer at representanten Røbekk Nørve fra Høyre kommer representanten Røbekk Nørve fra Høyre kommer til å ta ordet senere i debatten. Representanten Røbekk Nørve kommer til å si det diametralt motsatte av det som representanten Astrup har hatt som budskap fra Høyre de siste ukene i debatten om Mongstad. Den debatten kommer til å bli et riktig så interessant kaos fra opposisjonens side, og sånn sett ser jeg fram til en slik debatt, selv om jeg tror vi kunne vært

Verda står overfor store utfordringar. Klimagassutsleppa må ned. Den raud-grøne regjeringa har ambisjonar om å delta aktivt i den globale klimadugnaden. Derfor har ein signalisert offensive klimamål både globalt og nasjonalt. I lag med dei andre regjeringspartia Kristeleg Folkeparti, Venstre og Høgre inngjekk Senterpartiet klimaforliket på Stortinget, som m.a. ber i seg mål om 15–17 mill. tonn reduksjon i dei nasjonale utsleppa av CO2. For å nå måla lyt ein ha ein politikk som samsvarar med dei måla ein har sett seg. Regjeringa sitt krav til CO2-handtering ved bygging av gasskraftverk er ein del av ein slik politikk. Klimakur-rapporten peikar også på CO2-handtering som eit av tiltaka for å nå dei nasjonale måla om CO2-reduksjonar. Nye store punktutslepp av CO2 ville gjere det vanskeleg, ja, for ikkje å seie nesten umogeleg å nå måla om dei klimagassreduksjonane Noreg har sett seg nasjonalt, støtta av det store og breie fleirtalet i denne

ja, då kan konklusjonen bli den same. Eg veit ikkje kva for ei av desse to linene som Framstegspartiet er på i dag, men det er langs desse to aksane partiet har bevega seg i klimapolitikken, og då er det ikkje unaturleg å fremme eit forslag om å lempe på krava til reinsing av CO2 på punktutsleppa. For dei partia som inngjekk klimaforliket, bør eit slikt forslag vere vanskeleg å støtte støtte samtidig som ein står fast på dei forpliktingane som er gjorde i klimaforliket, nemleg ein vesentleg reduksjon av utsleppa våre. Igjen: Det er i det biletet partiet Høgre står fram med opptil fleire tunger i denne debatten. Her argumenterte ein for berre nokre timar sidan for viktigheita av reduksjon i utslepp globalt og nasjonalt. Representanten Meling sitt Representanten Meling sitt innlegg her i dag er eit forsøk på å balansere ut det som Nikolai Astrup sa tidlegare i dag, og antakeleg det som representanten Røbekk Nørve kjem til å seie om nokre minutt. Det er to forskjellige ting, og det er heilt openbert at ein her kjem med forskjellige vitnesbyrd, alt etter kva forsamling ein snakkar til. Så det som det står igjen å få svar på i denne salen, i denne debatten, er nettopp: Kor skal utsleppa i

når det er usikkerhet innad i regjeringen og tvetydige signaler, prøver industrien, gjennom politiske partier, å endre rammebetingelsene. Jeg skjønner derfor at Industrikraft Møre prøver å tilrettelegge sin framtidige virksomhet slik at de kan få en grønn argumentasjonsrekke, til tross for at de ikke skal bruke rensing fra dag én. Jeg støtter ikke denne strategien, men når det oppstår tvetydige signaler om dette prosjektet og andre prosjekter – det er klart i hvert enkelt prosjekt, men tvetydigheten kommer fram når man setter mange så skjønner jeg at man prøver å endre argumentasjonsrekken. For Kristelig Folkeparti er rensing av gasskraft nokså enkelt: Krevende, ja – vi sier rensing fra dag én. Det tok vi også konsekvensen av i 2000 da vi forlot regjeringskontorene. Så har vi nå fått en diskusjon i forhold til Høyre, hvor de eventuelt skal ta kuttene, fordi dette forslaget vil føre til økte utslipp. Vi må jo kunne stille spørsmålet tilbake, selv om jeg støtter regjeringen i denne saken: Hvor skal Mongstad-kuttene tas? La meg først påpeke at selv om representanten Line Henriette Hjemdal angrep regjeringen, viser saken til fulle at Kristelig Folkeparti er

Ja, det er en vanskelig sak å rense de store industriutslippene og også energiutslippene som allerede er etablert. Der er det mange. Det er Melkøya. Det er Kårstø. Det er store industribedrifter. Alt dette er punktutslipp som er etablert i fortid, under ulike regjeringer, med gode hensikter av norsk industri. Å få til rensing av disse i ettertid er en og Mongstad er spissprosjektet fra regjeringens side i å utvikle den teknologien. Så håper vi selvsagt at den teknologien som blir utviklet på Mongstad, også kan brukes på mange av de andre punktutslippene. Det vi står overfor nå, er noe helt annet. Vi skal starte nye, svære norske punktutslipp i tillegg til dem vi har, som vil gjøre det veldig mye vanskeligere for oss å nå de samlede målene vi har i klimaforliket, og som, hvis vi skulle følge Høyre og Fremskrittspartiets politikk her, vil gjøre det veldig mye vanskeligere for oss å nå de samlede målene vi har i klimaforliket, og som, hvis vi skulle følge Høyre og Fremskrittspartiets politikk her, ville bety at vi måtte stramme inn mye mer overfor norske bilister, overfor norsk industri eller på andre områder. For vi er alle – unntatt Fremskrittspartiet – enige om at vi skal nå det norske utslippsmålet i 2020. Betydningen av det er til og med påpekt i en egen merknad men det betyr også at hvis vi nå gir anledning til å skape nye, store norske punktutslipp med betydelig økning, må vi stramme inn vesentlig mye mer, enten for norsk industri, for norske bilkjørere eller eventuelt for norske hjem. Det er ikke noen andre steder å stramme inn. Det er ikke i cyberspace vi kan gjøre det. Det er på bakken, i Norge, overfor norsk industri eller overfor norsk trafikkmønster. Jeg vil veldig gjerne høre opposisjonspartiene fortelle hvilke av disse områdene de da skal stramme mer inn på, siden de nå ønsker at vi skal gi anledning til å åpne nye – jeg gjentar nye – vesentlige norske punktutslipp. Det er egentlig ikke så veldig mye mer å si i debatten, for det er dette det gjelder. La meg bare si at jeg synes Snorre Serigstad Valen hadde en fortrinnlig gjennomgang av Høyres selvmotsigelser på området. området. Det er fullt mulig, og jeg har betydelig forståelse for at man av og til forsøker å raljere litt over det, at regjeringen ikke er rask nok til å gjennomføre rød-grønn politikk. Vi står opp tidlig om morgenen og jobber hardt for å bli bedre til å gjennomføre rød-grønn politikk. Det er fint at Høyre og Fremskrittspartiet og andre fra tid til annen påpeker at vi må bli enda flinkere til å gjennomføre rød-grønn politikk, altså Men hvordan den kritikken at vi ikke er raske nok, konsekvente nok og tøffe nok når det gjelder å gjennomføre rød-grønn politikk på Mongstad, henger sammen med at man samtidig – by the way – ikke synes det er så farlig å starte nye, store norske punktutslipp, er ikke lett å få til å gå opp. Det er klart at det er vidunderlig å være i opposisjon – jeg var også det lenge men det er en grense for hvordan man i opposisjon kan gå både nordover og sørover samtidig, klage på både at det er for varmt, og at det er for kaldt – å være såkalt værkritiker. Det er ikke riktig akkurat nå, men det kan ikke være både for kaldt og for varmt samtidig; man må på en måte velge i hvilken retning man vil rette kritikken. Da vil vi få en mer opplyst og fornuftig debatt. La meg til slutt si at jeg er veldig glad for at Erling Sande pekte på det som er det underliggende i dette – når vi raljerer her – nemlig at temperaturen på jorda stiger. Hvor du enn kommer, unntatt i Nord-Europa og på den amerikanske østkysten, som har hatt en veldig kald vinter, er altså klimaendring veldig høyt oppe på dagsordenen. Alle snakker om det. Man har opplevd meget dramatiske virkninger. La meg bare nevne at det i den kinesiske Yunnanprovinsen, altså den sørligste provinsen i Kina, fra den norske ambassaden, har vært åtte grader varmere enn normalt, med dramatiske konsekvenser. Et land som Kina har selvsagt ressurser til å håndtere de konsekvensene, men det er utrolig dramatisk for mennesker på bakken. Lignende ting så jeg i Burma i forrige uke, og lignende ting så jeg i Haiti og i Den dominikanske republikk da jeg var der. Lignende meldes fra Men på grunn av en kald vinter hos oss og hos makthaverne på østkysten av USA har vi ikke helt tatt det inn over oss. Men det må være det underliggende alvor i denne debatten, hvor vi ellers kan utveksle finter. Det blir replikkordskifte. Statsråden snakker som om Mongstad er et gammelt anlegg som eksisterte før regjeringen overtok, men det er et nytt rød-grønt anlegg, så

Nå har Statnett sagt at de gjerne kan bygge mobile gasskraftverk i Hordaland for å sikre kraftforsyningen til Bergen. Det er åpenbart et nytt anlegg. Vil statsråden da stille krav om rensing av dette anlegget, eller vil han være realistisk og ta det i bruk og frafalle krav om rensing på et slikt anlegg? Regjeringen vil få rik anledning til å komme tilbake til det spørsmålet i Stortinget, men la meg si at det er en fundamental forskjell mellom et mobilt anlegg som er der for en veldig, veldig kort krisesituasjon, som har utslipp i tilknytning til en veldig kort krisesituasjon, og noe som skal stå der permanent, over lang tid. Utslippene fra det som er en kriseløsning, er veldig, veldig små og har nesten ingen betydning for det totale norske klimagassutslippet, men det å etablere store, nye punktkilder, som står permanent og bidrar med utslipp, er av en helt annen betydning. Så får vi komme tilbake til det spørsmålet som ble stilt, som ligger til videre behandling. Neste replikant er representanten Siri A. Meling, deretter representanten Snorre Serigstad Valen. Det viser seg at Valen har bedt om ordet til et treminuttersinnlegg, og ikke ønsker å ta replikk på egen statsråd. Det kunne blitt interessant!

miljøvennlig som erstatning for kull. Statsråden deler tydeligvis ikke denne oppfatningen. Jeg kunne godt tenke meg å høre ham resonnere litt rundt det – så lenge gasskraft bare utgjør halvparten av de klimautslippene som kullkraftverkene representerer, og vi vet at klimautfordringen er

at når vi har satt oss som mål at vi skal redusere utslippene i Norge med 15–17 mill. tonn, som Høyre og regjeringspartiene er enige om, og som er en meget ambisiøs og vanskelig oppgave, er det da sannsynlig at vi kan nå det målet med å starte med å øke? Vi sliter hardt med å redusere alle utslippene, både fra industri, fra oljevirksomhet og fra bilisme – jeg skal komme tilbake til Klimakur og hvordan vi skal gjøre det – men det blir fundamentalt mye vanskeligere for oss å nå det målet hvis man skal øke først for så å redusere enda mye mer etterpå. Det er altså sånn at hvis man vil begynne å gå nedoverbakke, lønner det seg ikke å begynne å starte med å gå oppover. Jeg synes det er

En velger ut enkelte områder som er symbolsk viktige, krever rensing, selv om de innrømmer på Mongstad at teknologien ikke er tilgjengelig, mens i alle andre sammenhenger der det bygges gasskraftverk – store og små – er det ikke krav om rensing. Men opposisjonen får masse kjeft hvis en ønsker å bygge den mest effektive form for gasskraftverk uten rensing i dag. Vi sier ikke at vi aldri skal rense i framtiden. Vi sier bare at vi får stille de samme krav som EU har om rensing, og da må en tilrettelegge for rensing på et senere tidspunkt. Men norsk sokkel – på hvilke nye kraftverk vil det være krav om rensing der? Hvis jeg nå ser i en annen retning enn på Ketil Solvik-Olsen, er det for ikke å bli vippet av pinnen av forsøket på å tro at grimaser kan få en statsråd til å bli vippet av pinnen. Så enkelt er det altså ikke. Det jeg skulle ønske Solvik-Olsen av og til kunne gjøre, var å ta inn over seg alvoret i situasjonen. Alvoret ble godt beskrevet av Sande, og det er også godt beskrevet her av Høyres ulike talspersoner. Alvoret er at jorda varmes opp. Det er en veldig farlig situasjon. Vi i Norge må gjøre hva vi kan for å redusere det problemet. Og da er regjeringspartienes hovedsynspunkt – og heldigvis også Kristelig Folkepartis og Venstres – at man kan ikke begynne med å redusere et problem ved å øke det. Og det er det som jo ville vært tilfellet hvis man gikk inn for å tillate nye, store gasskraftverk, store, nye punktutslipp. Da ville man altså i arbeidet med å redusere noe, starte med å øke det, som ville gjøre det mye, mye vanskeligere å nå det målet som alle andre partier enn Fremskrittspartiet har sluttet seg til. Han svarte ikke på spørsmålet. Det er

når fullskala rensing var på plass. Mitt spørsmål er – bare for å prøve å skjønne argumentasjonsrekken her: Hva er forskjellen på det vedtaket som regjeringen gjorde når det gjelder Mongstad, kontra andre saker? Det er nye anlegg vi snakker om, og de ligger i regioner som trenger kraft. Hva er den politiske forskjellen på det vedtaket som ble gjort i 2006 kontra de avslagene som er kommet i ettertid, når vi tar alvoret inn over oss, som Kristelig Folkeparti deler med regjeringen? Hele 1970-tallet brukte jeg til å bekjempe AKP og alt dets vesen, og et av AKP s hovedproblemer var at de angrep mest dem som var mest enige med dem. Jo lenger unna dem du sto, jo mindre interessert var de i det. De som var Jo lenger unna dem du sto, jo mindre interessert var de i det. De som var aller nærmest, men bare lite grann forskjellig, de fikk hovedangrepet. Det er det jeg ikke forstår med Kristelig Folkeparti, som altså i summen av alle saker her i dag i all hovedsak er enig med regjeringen, med noen ytterst få unntak. Når man er utålmodige, vil gjerne at regjeringen raskere skal gjennomføre løftet vi har gitt, vil ha mer av den rød-grønne politikken som regjeringen står for, hvorfor retter man da så systematisk skytset mot regjeringspartiene i stedet for å se det overordnede bildet? Vi er enige om hovedutfordringene. Derimot vil Høyre og Fremskrittspartiet – og særlig nå Høyres flukt inn mot Fremskrittspartiet – i summen av disse sakene og den saken vi har foran oss nå, åpne nye gasskraftverk, som altså Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene er enige om at vi ikke skal. Det er en virkelig farlig linje.

Det kan gjøres ved at en markerer når en ber om replikk, at en ønsker begge replikkene det partiet tilkommer, f.eks. ved å bruke begge fingre når en ber om ordet. Presidenten foretrekker da at en begynner med pekefingeren! Statsråden sier at nye punktutslipp kan ikke regjeringen tillate, for det vil gå ut over kvoten man ønsker å redusere totalt. Men Industrikraft Møre ønsker jo også å bygge gasskraftverk, på samme måte som gasskraftverket på Mongstad – jeg har selv vært på Mongstad for to uker siden. Det er under oppstarting, så det må vel sies å være et nytt anlegg, det også. Jeg synes at regjeringen her helt klart gjør på Industrikraft Møres tiltenkte anlegg og det som er bygd på Mongstad. Så mitt spørsmål til statsråden er om han kan peke ut en teknologi som gjør at Industrikraft Møre kan komme i gang fortere, for å sikre strømforsyningen til Midt-Norge. Det er ikke opp til meg å angi teknologi. Jeg registrerte i den offentlige debatten rundt Mongstad at en rekke teknologileverandører hevder at de har teknologi som umiddelbart kan integreres og brukes i et nytt gasskraftverk. Hvis det er tilfellet, så er det fri anledning til det, og ikke bare det, men det ville være fantastisk flott om Industrikraft Møre kunne starte et nytt gasskraftverk på Møre med integrert CO2-håndtering fra start. Det vil få full applaus fra regjeringen, og det vil være i tråd med hva vi har hørt i debatten, at det finnes slik teknologi tilgjengelig som kan brukes fra dag én. Jeg kan ikke være overdommer på om det vil være mulig.

fordi svenske kjernekraftverk var ute av drift, samtidig som vannkraftproduksjonen var lav. For konkurranseutsatt industri og folk flest er dette uholdbart. Norge og verden for øvrig står foran store utfordringer for å redusere utslippet av klimagasser. Et moderne gasskraftverk vil sjøl uten CO2-håndtering halvere CO2-utslippene sammenlignet med kraft produsert fra kullkraftverk i Europa. Det store kraftunderskuddet som vi har i Midt-Norge, medfører at Industrikraft Møres gasskraftverk vil ha lang driftstid, noe som muliggjør CO2-rensing med høy fangstgrad. «Ingen nasjon i Europa har ein meir hyklersk energipolitikk enn Norge», skrev Sunnmørsposten i sin leder 5. mai. Det er ikke vanskelig å si seg enig i den uttalelsen. Undertegnede har flere ganger vist til «nisseluepolitikken» som føres når vi i Norge bruker ren energi på å sende norskprodusert gass til Europa, der norske Statkraft etablerer gasskraftverk med miljøstempel ved bruk av norsk gass, som så foredles og sendes tilbake, sammen med kraft fra til Norge. I Norge bruker vi masse energi til å transportere norsk gass tur–retur Europa, fremfor å bruke kortreist kraft produsert på egen gass der den kraftkrevende industrien ligger. Industrikraft Møre har lenge jobbet for å starte gasskraftverk i Elnesvågen, midt i klyngen av kraftkrevende industri. Et slikt gasskraftverk ville gitt kraftproduksjon der behovet er størst. Høyre er opptatt av klimautfordringene. Satsing på teknologiutvikling for å rense gasskraftverk vil være et viktig bidrag i så henseende. Vi ser nå at regjeringens planer om fullskala rensing av varmekraftverket på Mongstad må utsettes i flere år, og at fangst og lagring av CO2 fra gasskraftverket på Kårstø er utsatt på ubestemt tid. Begge deler skyldes store tekniske og kommersielle utfordringer knyttet til fullskala fangst og lagring av CO2 med de teknologier som er vurdert. Høyre vil derfor ikke pålegge gasskraftverk rensing fra første dag, men vi vil kreve at anleggene bygges med tanke på rensing på et senere tidspunkt. Jeg har en følelse av at regjeringen på Soria Moria har lest altfor mye fra eventyrboken om «prinsesse vil ikke», for når det dreier seg om å finne effektive og gode løsninger for å demme opp for den kommende energikrisen i Midt-Norge, vil den rød-grønne regjeringen overhodet ingen ting. Den driver en feilslått energipolitikk, og den stemmer ned alle gode forslag fra opposisjonen.

Under debatten i første sak her ble det spådd nettopp den spagaten som vi i dag ser, spesielt i Høyres politikk på dette området. Man kan diskutere klima med stor entusiasme, men man snur helt vekk fra sine standpunkt når diskusjonen kommer inn på energipolitikk. Hadde det ikke vært fordi implikasjonene i dette, det underliggende temaet, er så alvorlig, så alvorlig, kunne man sett humoristisk på den stillingtaken som spesielt partiet Høyre har i denne saken. Men det kan vi ikke. Jeg mener at det er poeng det som Høyre og Fremskrittspartiet sier i innstillingen, at gasskraftverk kan bli et betydelig tilskudd til energiproduksjonen, og har fortrinn ved at gasskraft kan produseres uavhengig av nedbørsmengden, i et land som vårt, som er avhengig av vær for å produsere vannkraft. Men saken er den at vi har satt oss mål med hensyn til utslipp og reduksjoner av utslipp. Da bør vi ikke med åpne øyne gå inn og øke utslippene i én sektor. Høyre og Kristelig Folkeparti påpeker at man i så tilfelle skal kompensere med tilsvarende utslippsreduksjoner innen andre sektorer. Men la oss se på

hvor vi har store og akutte problemer med trafikkforurensning. Vi vet at trafikkavviklingen står for en uanstendig stor andel av CO2-utslippene i Bergen. Er man villig til å gjøre noe med trafikkavviklingen? Er man villig til å gå til trafikkreduserende tiltak i Bergen? Nei, det er helt umulig å få til. Snakker vi om å få til køprising, steiler man man i Bergen. Dette gjelder både Kristelig Folkeparti og Høyre, og nå har vi også fått inn Fremskrittspartiet i byrådet i Bergen. For å si det sånn: Det er ingen grunn til å tro at klimapolitikken vil bli mer offensiv i Bergen. Jeg synes representanten Hjemdal bør være betydelig mer bekymret

men regjeringen har altså gjort det samme på Mongstad. Jeg klarer ikke å forstå at det er så mye verre å ha utslipp i Midt-Norge enn det er å ha det i Hordaland. Hvis Henriksen skal ha troverdighet i det han sier, skulle han argumentert mot at Mongstad fikk åpne. Han skulle i hvert fall argumentert for at utslippstillatelsen ikke blir utsatt når regjeringen ikke klarer å komme i land med sitt prosjekt. Når spesielt SV og Arbeiderpartiet her prøver å komme unna sitt eget hykleri ved å påstå at politikken til Høyre og Fremskrittspartiet ikke henger sammen, viser det bare at de ikke har forstått hva Fremskrittspartiets politikk er. Fremskrittspartiet sier ja til å utvikle CO2-teknologi. Men vi sier det samme som statsråden nå har begynt å si i en del debatter: En kan ikke vedta når teknologien skal være på plass. I praksis ser man at den politikken regjeringen fører, er et forbud mot gasskraftverk inntil videre. Da bør regjeringen si det åpent og ærlig, men da bør det også gjelde på alle punkter. Det må ikke være sånn at hvis du setter et gasskraftverk på land og det er effektivt, skal du ha forbud mot det, men hvis det er et ueffektivt, som du håper du ikke skal bruke, er det greit. Hvis du bygger det til sjøs, er det greit, for da har åpenbart CO2-en en annen sammensetning som ikke tar livet av framtidige generasjoner, for å bruke statsrådens egne ord. En må kunne skille mellom hva det er som er driveren i teknologutviklingsprosjektene her, som alle i Stortinget er for, og hva som er en fornuftig del av energipolitikken. Hvis du først bestemmer deg for å pumpe opp gassen, må jo debatten heller gå på hvor du skal bruke den for å få mest mulig energi og minst mulig CO2-utslipp. Da er det åpenbart for meg at det å bruke den nærmest mulige kilden er den mest fornuftige måten. Det er ingen land som renser CO2-utslippene fra sine gasskraftverk. Ergo: Jo nærmere kilden du kan bruke den, jo mer energieffektivitet får du ut av den, og jo mindre CO2 blir det per kilowattime. Det å høre statsrådens replikksvar til representanten Skumsvoll er nesten litt hysterisk morsomt, fordi vi vet at mens regjeringen har utsatt renseanlegget på Mongstad og skylder på teknologiske utfordringer, applauderer en muligheten for at Industrikraft Møre kan ha fullskala rensing på sitt anlegg, som de da må betale

Presidenten må få bemerke at begrepet «hykleri» om politiske motstandere eller politiske motstanderes standpunkt, ikke er et parlamentarisk uttrykk, og at tale fra Stortingets talerstol bør være parlamentarisk. Det å være et ansvarlig parti og ha en ansvarlig politikk innebærer å balansere – balansere ulike interesser og ulike mål osv. opp mot hverandre. Det er ikke sånn at vi bare har én tanke i hodet til enhver tid. Kunsten er å kunne tenke på flere ting samtidig, også i sin politikk. Det betyr at vi fra Høyres side mener at vi har en balansert tilnærming til det spørsmålet vi diskuterer i dag, i forhold til og få mer kortreist energi inn i områder, samtidig som vi opprettholder vår fokusering på klimautfordringene. Vi mener at energiutfordringene og klimautfordringene må ses i sammenheng. Så kan jeg ha forståelse for at representanten Serigstad Valen ønsker å karakterisere dette som et kaos og setter spørsmålstegn ved hvorvidt Høyre fremdeles står ved den klimaavtalen som vi inngikk med regjeringspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre. Representanten Sande har oppfattet at Høyre står stødig på den avtalen vi har inngått, mens representanten Serigstad Valen nok har en egeninteresse i å prøve å så tvil om det for å tildekke de manglende resultatene i regjeringens egen politikk.

som bl.a. vil være samfunnsøkonomisk lønnsomme. På sakskartet senere i dag er det et representantforslag som inviterer bl.a. representanten Serigstad Valen til å være med på at vi får igangsatt tiltak for å møte klimautfordringene offensivt. For sannheten er jo at det er regjeringen selv som er en sinke i disse spørsmålene, når den utsetter en handlingsplan om klima. I tillegg har vi i dag diskutert et klimafond. Høyre ønsker å etablere et fond nettopp for å utvikle gode teknologiske løsninger for å møte klimautfordringene på en måte som også bygger opp under muligheter for Norge og våre industrielle miljøer og våre kompetansemiljøer. Dette forslaget ser det heller ikke ut til at de rød-grønne partiene og representanten Serigstad Valen ønsker å stemme for. Så hvis noen skulle være sinke når det gjelder å ta klimautfordringer på alvor, er det ikke minst den rød-grønne regjeringen, som representanten Serigstad Valens parti er en del av.

å bli minnet om den kuvendingen Kristelig Folkeparti gjorde da muligheten for mer regjeringsmakt meldte seg året etter, knyttet til et gasskraftverk på Melkøya som Kristelig Folkeparti ikke løftet en finger for å rense. Noe annet er kanskje ikke å forvente fra et parti som det året ikke gikk til valg på politiske slagord, men på slagordet «Stem på en statsminister». Så må jeg konstatere at det kaoset jeg spådde fra Høyres side, slo til. Representanten Røbekk Nørve har i løpet av tre veldig effektive minutter avlyst det meste av Høyres kritikk mot regjeringen i et klimaperspektiv, og forvirringen øker. Mener eller mener ikke Høyre at vi skal oppfylle våre nasjonale klimamål i tråd med klimaforliket? Ja, sier representanten Meling. Nei, sier realiteten i forslaget vi behandler Hvis ja, hvordan kan Høyre argumentere med at den norske gasskraften skal erstatte EUs kull? Ellers sier Høyre gjerne at det er norsk gasseksport i seg selv som erstatter kullet. Hvilken kullkraft er det gasskraftverk på Møre vil erstatte om en skal gi kraft til et område i Midt-Norge? Er energi kortreist om den eksporteres til Europa for å erstatte kull? Og kan representanten Meling stå inne for det representanten Røbekk Nørve sier? Kan representanten Astrup stå inne for det representanten Astrup selv sa for to debatter siden? Stadig flere sånne spørsmål melder seg på løpende bånd, og jeg regner jo ikke med å få svar på dem. Men jeg må innrømme at det er interessant å høre representanten Meling, som er opposisjonspolitiker, etter hvert begynne å prate fra talerstolen som om hun satt i regjering – en Bondevik II-regjering, vel å merke.

Det er åpenbart slik at det tar litt tid for noen å få det med seg. Høyre står fast på klimaforliket, og jeg vil nesten si i motsetning til regjeringen, da det jo ikke skjer noen ting for at de skal oppfylle klimaforliket. Jeg blir ganske provosert over den kritikken som blir Høyre til del, når da klimameldingen er utsatt, og vi ikke får noen konkrete tiltak før i 2013. Vi har foreslått i dag for at de skal oppfylle klimaforliket. Jeg blir ganske provosert over den kritikken som blir Høyre til del, når da klimameldingen er utsatt, og vi ikke får noen konkrete tiltak før i 2013. Vi har foreslått i dag igangsetting av samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak. Det fikk ikke regjeringspartienes støtte. Jeg minner om det. Så vi står på klimaforliket, og det betyr at vi forutsetter at rensing må på plass innen 2020 på nye gasskraftverk i Norge, alternativt at vi at når det var mulig så sent som i 2009 å ha anbudsrunde, eller i hvert fall tanker om å ha anbudsrunde, på rensing av Kårstø, er det også mulig å rense et nytt gasskraftverk i 2020. Forutsetningen vår er altså ikke rensing fra dag én, men at det blir rensing – ikke nødvendigvis fra dag én fordi teknologien ennå ikke er tilgjengelig, men selvfølgelig skal vi ha rensing. Dette har vi støttet hele veien. Og Og dette er vi helt enige om i hele partiet. Jeg bare forsikrer om det også. Så er det også sånn at et gasskraftverk på land i den delen av landet som kan kompensere for offshore gasskraft, vil være god klimapolitikk på nettoen. Det bør man også tenke litt over. Det hadde vært enda bedre med vannkraft, men vi har fremmet forslag, som har blitt nedstemt i denne sal, om mer vannkraft i dette landet. Det hadde vært enda bedre med småkraft, men la oss si det sånn, der har jo bransjen selv omtalt dette hus som skammens hus. Det var regjeringens tvilsomme ære. Så vi er krystallklare på at vi skal satse på fornybar energi, og ikke skal ende nest nederst, kun med Tyrkia bak oss, på oversikten over hvem som er best på fornybar energi i Europa. Vi er for mer vannkraft, vi er for mer småkraft. Vi er også for at vi skal kunne bygge gasskraftverk i de delene av landet der det er behov for det, med rensing til slutt. Og det er klart at på marginen importerer vi kull, og erstatter vi det med gass, er det også god miljøpolitikk. Det tror jeg nok også representanten Serigstad Valen kan slutte seg til. Jeg må si at denne debatten er

Jeg registrerer at Høyre er opptatt av den himmelvide forskjellen det visstnok skal være på ikke å stille krav til rensing kontra ikke å stille krav til rensing fra første dag. Men Høyre har presentert svært få tanker om når det eventuelt skal kreves. «På et senere tidspunkt», står det i innstillingen. Når er det? Når utbygger sier at de er klare? Jeg tviler på at det vil være mange som rekker hånda i været frivillig. Når gasskraftverket nærmer seg slutten på levetiden sin, er det da man skal stille det kravet? Jeg tror at representanten Meling, i likhet med meg selv, har fantasi til å se for seg alle de diskusjonene – alle de debattene – som da vil oppstå. Vi har et eksisterende kraftverk, det er krevende å koble til, ikke mulig å koble til nyeste teknologi. Skal vi virkelig stille krav om gammeldags, dyr rensing nå som gasskraftverket har levd halve levetiden sin? Det er den typen diskusjoner. Og når Høyre ikke har noen tanker om krav, men tvert imot har vist at de glir bort fra sitt gamle standpunkt om rensing fra dag én, som de sto for for åtte år siden, så har jeg ingen tro på at det vil bli noe krav av betydning. Med Høyres retorikk i replikkvekslingen med statsråden kan man spørre seg om hvorfor Høyre vil rense i det hele tatt. Det må jo framstå som ganske bortkastede penger. Det lyder også noe hult når representanten Røbekk Nørve forsikrer om at Høyre er opptatt av klima. Teknologiutviklingsperspektivet i dette, som man var så opptatt av i første sak, er i hvert fall ikke lenger særlig viktig i denne debatten. Det er jo nærliggende å spørre Høyre om de tror det blir mer eller mindre urensede gasskraftverk i Norge med dette forslaget. Så må jeg også si at Kristelig Folkepartis forsøk på å angripe posisjonen på en sak hvor vi er helt framsto som ganske underlig. Men jeg velger å la det ligge. Jeg er først og fremst glad for og tar det som et uttrykk for at det bare er to partier som vil ta to steg tilbake i denne saken og fravike kravet om rensing fra dag én. Representanten Solvik-Olsen sier at de rød-grønne ikke har forstått Fremskrittspartiets politikk. Det er meget mulig, den er ikke alltid så enkel å forstå. Men jeg hører i hvert fall Solvik-Olsen argumentere med at har du utslipp ett sted, så er det helt greit å ha det alle andre steder også. Og én ting er helt sikkert, at du løser ikke klimaproblemet med den tilnærmingen. Så må jeg beklageligvis bare registrere at til tross for innstendige oppfordringer er Høyre ikke i nærheten av å prøve engang å gi oss et svar på hvor de skal ta de klimakuttene som skal kompensere for økte gasskraftutslipp.

Marthinsen glemte å ta med at Arbeiderpartiets representanter på Møre-benken, inkludert Else-May Botten, sammen med Arbeiderpartiets fylkesleder og LO kjørte denne saken ganske så klart. Så her var det faktisk flere fra Arbeiderpartiet som var med. uttrykte bekymring for kraftsituasjonen i Midt-Norge. Det synes jeg var på tide. Det er helt nye toner fra SV, ettersom både tidligere miljøvernminister fra SV Helen Bjørnøy og tidligere stortingsrepresentant fra SV

vannkraftverk. En ny rapport viser nå at Norge – etter Tyrkia, som det har vært hevdet her tidligere – er dårligst på utvikling og bygging av ny fornybar energi. Da kan man lure på om Senterpartiet, som har hatt energistatsråden – tre stykker – kan leve med så dårlige resultat etter fem år i regjering. Kortreist kraft fra Industrikraft Møre vil være den beste løsningen på en anstrengt kraftsituasjon i Midt-Norge. Kortreist kraft gir svært mange fordeler ved at overføringstapene reduseres, leveringssikkerheten øker, husholdninger og næringsliv unngår å måtte betale mer for strømmen enn i andre deler av landet, og vi kan kvitte oss med den dyre kriseløsningen som reservekraftverkene representerer. Jeg vil derfor på det sterkeste anmode regjeringspartiene og statsråden om å snu i denne saken, om ikke annet å gå inn for at saken vedlegges protokollen fremfor å avvise den helt.

pussig å trekke fram Snøhvit, for det må jo være det representanten Serigstad Valen peker på med tanke på en kuvending, når vi vet at Stoltenberg I-regjeringen, da den overtok etter Bondevik I-regjeringen, brukte all sin tid til å detaljere Snøhvit-prosjektet – og det lå klart på bordet da vi overtok regjeringskontorene i 2001, etter valget. Men den store forskjellen, som jeg tror representanten Serigstad Valen kanskje har glemt,

viktig å minne om at gasskraftverket på Snøhvit gir den energiforsyningen som trengs til dette anlegget. Snøhvit er underlagt petroleumsloven. Det har full CO2-avgift. Det betaler fullt ut sine kvoter – til en pris av 326 kr, ifølge Finansdepartementets beregninger nå i revidert. Sammenligner vi dette med Mongstad, vet vi at her har regjeringen gitt gratiskvoter. De skal betale en lav sats når det gjelder CO2 – en tonnpris på 25 kr. Så vet vi at dette varmekraftverket på Mongstad skal gi energi til Troll, det skal gi energi til Bergen by og til raffineriet. Så det er litt vanskelig å sammenligne pærer og epler. Jeg har lyst til å sitere hva partileder Kristin Halvorsen hva partileder Kristin Halvorsen sa 9. mars 2000. Hun ga sentrumsregjeringen sin fulle støtte og kalte regjeringens avgang «en avgang i ære». I debatten her i salen uttalte Kristin Halvorsen: «SV er helt sikker på at når man skal se tilbake på denne sakens realiteter – om 10 år,» – det er ti år nå – «om 20 år, når ungene våre skal overta – da er det vi som har hatt rett.» Kristelig Folkeparti gikk av på en miljøsak, vi ønsket ikke å uthule lovverket. Vi tok også konsekvensen av det og forlot regjeringskontorene. Andre velger å være i regjeringskontorene, og da må de ta en politisk konsekvens av det her i salen. Jeg beklager litt at jeg forlenger det som ellers er

i hvert fall har de ikke gjort den kjent for omverdenen. Det interessante fenomenet er Høyre som sier at vi skal redusere norske klimagassutslipp, som har vært med på en konkret målsetting – tallfestet sådan – på dette området, men som sier at på veien dit må vi øke dem først. Det er den politikken jeg har så fundamentalt liten tro på. Jeg har av og til hørt det i sosialistiske sammenhenger også. Folk sier at for å komme til et mål, må man gjøre det motsatte først. Men det viser seg nesten alltid å være galt. Hvis man ønsker å gå nedover et fjell, er det nesten alltid lurest å starte med å begynne å gå nedover – ikke å gå litt oppover først, før man begynner å gå nedover. Man kan ikke både kritisere den rød-grønne regjeringen for ikke å være rask nok på Mongstad, og samtidig si at man skal ha mer av det samme. Man kan ikke kritisere at det både er for varmt og for kaldt samtidig, man må velge: Enten er det for varmt eller så er det for kaldt – ikke at begge deler er like galt. For det man ender opp med her, for å fortsette bildebruken: Dette er varm is, det er våt ørken, det er danske fjell – det er ting som rett og slett ikke henger sammen, og som alle vet ikke henger sammen. Vil man gå nedover, så begynner man å gå nedover, man begynner ikke med å gå oppover. Og for å fortsette med to andre, veldig klare spørsmål som er stilt, og som vi ikke har fått svar på. Vi har hørt begrepet «kortreist kraft» gjentatt flere ganger som et mantra. Hvis det er tilfellet, må det jo være for at denne kraften skal brukes lokalt. Da kan man ikke samtidig erstatte kullkraft i Europa, som er det man sier skal være et klimagass-pluss i det hele regnskapet. Det er enten–eller. Man kan ikke få begge deler samtidig. Og det aller siste og mest alvorlige, hvis Høyre ønsker å være et seriøst parti:

hvis partiet ikke skal være et rent populistisk parti, er: Hvilke andre kutt skal det norske samfunnet utsettes for for å kompensere for denne økningen? Er det strammere regler for biltrafikken? Er det andre deler av norsk industri som skal måtte kutte mer? Hvem andre skal måtte kutte mer for at Høyre skal vinne det de tror er noen velgere på Møre? Representanten Henriksen sier at Fremskrittspartiet og Høyre har en frikobling mellom energipolitikk og klimapolitikk, men er

fra mobile verk er det ok, fra sokkelen er det ålreit, men hvis Industrikraft Møre ønsker å starte nytt anlegg, da er det veldig farlig, for da er det ikke noe forhold mellom energipolitikk og klimapolitikk. Det er akkurat det det er i Fremskrittspartiets politikk. For regjeringen betyr det klart ingenting at Statkraft produserer strøm med gass i Tyskland – urenset. Vi må begynne å tenke på hva som er mest betydningsfullt – den CO2-en som slippes ut i Norge eller i Tyskland? Det er ingen grenser, det er ingenting som stopper gassen i Tyskland fra å skade miljøet like mye som den ville gjøre i Norge. Og til det siste som statsråden sa: Det er klart at kortreist kraft er bra, men det krever mye mindre energi å sende strøm ut av landet enn det krever å pumpe gass gjennom lange gassrørledninger til Europa. Så vi bør produsere gasskraften i Norge, og hvis det er overskudd, hvis ikke den kraftkrevende industri eller andre kan benytte seg av den kraften, så bør vi eksportere den gjennom kabler. Det er mye mer CO2-vennlig enn å pumpe gassen i rør. Snorre Serigstad Valen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til inntil 1 minutt. Representanten Røbekk Nørves påstander om «nye toner» fra SV når det gjelder forsyningssituasjonen i viser jo – eller sier iallfall meg – at hun kanskje bør være litt til stede i stortingssalen også når hun ikke skal sende billige populistiske poeng hjem til Møre og Romsdal. For er det ett parti som under kraftkrisen i vinter fremmet en rekke forslag til hvordan vi på både kort og lang sikt kan forholde oss til forsyningssituasjonen i Midt-Norge, så var det SV. Representanten Røbekk Nørve hadde én løsning, og det var mobile gasskraftverk. La meg minne representanten Røbekk Nørve om stortingsbehandlingen av Ormen Lange. Jeg har flere ganger tidligere her i salen sitert Røbekk Nørves egen olje- og energiminister – riktignok fra Kristelig Folkeparti, men det var samme regjering – nemlig Einar Steensnæs, som glatt har at alle var for begeistret av industrimulighetene for Ormen Lange til å ta høyde for den vanskelige forsyningssituasjonen som ville oppstå. Det var to partier som advarte mot det – Fremskrittspartiet og SV – mens representanten Røbekk Nørve var for opptatt av å vinne stemmer. Statsråden var vel ute da jeg holdt mitt innlegg, siden han kunne holde et slikt innlegg etterpå. For hadde han vært her i salen mens jeg snakket, hadde han visst at det ikke er noen motsetning mellom Høyres energipolitikk på den ene siden og Høyres klimapolitikk på den andre siden. Men jeg vil henvise statsråden til Stortingets referater, slik at han får med seg det innlegget. Det har også dukket opp noen andre ting. Representanten Marianne Marthinsen lurer på når vi skal ha rensing. Vel, jeg gjorde det ganske klart i mitt innlegg at Høyre står fast på klimaforliket, og det betyr at vi må ha som ambisjon at disse gasskraftverkene som bygges nå, skal ha rensing innen 2020. Klarer vi ikke det, må vi ha andre tiltak. Og da spør statsråden: Hvilke tiltak vil vi ha? Spørsmålet om tiltak er det for øvrig bedre å rette til statsråden, som jo skal legge frem en melding til Stortinget, om enn noe forsinket. Men vi vil f.eks. satse på biodrivstoff. Så vet vi jo at det krever litt andre rammevilkår enn det vi har i dag, for at man skal ha et hjemmemarked som fungerer. Og vi vet hvor regjeringen står i den saken, så jeg skal ikke rippe opp i det. Men vi har altså fremmet en rekke forslag, bl.a. om biodrivstoff, som handler om hvilke kutt vi vil ta, så det skal ikke være noen tvil om det. Jeg synes jo det er underlig at vi får denne kritikken når vi i realiteten går inn for å gjøre akkurat det samme som regjeringen Kårstø, utsatt på ubestemt tid. Det synes jeg er veldig trist, men teknologien er ikke tilgjengelig, ifølge statens faglige rådgiver i dette spørsmålet, Gassnova. Og jeg har lært de siste ukene at man skal lytte til det Gassnova sier, for det er statens faglige råd. Statsråden snakker om dette med kortreist kraft. Det vil jo være sånn at på marginen importerer vi kull. Hvis vi øker produksjonen i Norge, blir det mindre behov for import av kull, og dermed vil klimagassutslippene gå ned. Jeg kan ikke forstå at det skal være så fryktelig mye vanskeligere enn det, men det er mulig at det er jeg som misforstår statsråden i dette. Det vi nå imøteser, er konkrete tiltak fra regjeringen. Vi har fremmet en rekke forslag. Regjeringspartiene har stemt dem ned, ett etter ett, gjennom hele denne sesjonen. Hva er det da regjeringen har tenkt å foreslå for å kutte utslipp? Det lurer jeg på, og jeg har ikke lyst til å vente helt til statsbudsjettet i 2013 med å få rede på det, så det kunne være fint hvis vi begynte nå. Den muligheten har regjeringspartiene ved å stemme for det forslaget som kommer litt senere på dagsordenen – nemlig at vi starter nå med å gjennomføre samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i Klimakur. Det er det hadde begynt å nærme seg ei avklaring under Astrup sitt innlegg. Viss eg forstod Astrup riktig, vil ein altså stå fast ved klimaforliket. Det er gledeleg å høyre. Ein vil krevje reinsing av alle gasskraftverk, ikkje frå dag éin, men frå 1. januar 2020. Det kunne vore interessant å høyre Framstegspartiet sitt syn på det. Viss det ikkje går, vil ein erstatte dei utsleppa ein får, ved biodrivstoff. Slik var i alle fall representanten Astrup sitt innlegg å tolke. Eg synest ikkje denne debatten handlar om at ein har manglande respekt eller ikkje forstår opposisjonen sitt syn. Utfordringa er at opposisjonen her representerer fire-fem ulike synspunkt. Det er store sprik i dei innlegga som blir haldne frå Høgre, altså er det fleire syn innanfor Høgre. Eg har respekt for Framstegspartiets syn i denne saka. Eg er rykande ueinig, men eg har respekt for at dei – med det klimasynet dei har – foreslår noko slikt. Eg har for så vidt respekt for Røbekk Nørve, som deler det same synspunktet, i alle fall framstår det slik når ho held innlegg her. Eg har for så vidt respekt for at representanten Astrup ynskjer å stå ved klimaforliket og er oppteken av å redusere utsleppa. Det er ein god ting å ha fleire tankar i hovudet samtidig, men desse tankane kan ikkje stå i direkte motstrid til kvarandre. Då kjem ein ingen veg. Eg synest dei rundane vi har hatt, har vore

for Høyres vedkommende krystallklart at det ikke er én sektor som kommer til å bære kuttene for Norge, men alle sektorer. Vi har et behov for å få de norske klimagassutslippene dramatisk ned, og målet kan heller ikke være lavutslippssamfunnet, men det som kjennetegner debatten så langt, er at regjeringspartiene ønsker å bruke teknikken: Med harde ord skal egne løftebrudd fordrives. Når f.eks. representanten Snorre Serigstad Valen lister opp at regjeringen og spesielt Sosialistisk Venstreparti har fremmet en rekke forslag – på kort og lang sikt ser vi effekten av dem? Når ser vi at denne sal bruker det flertallet som er, til nettopp å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge og å bidra til at norske klimagassutslipp går betydelig ned? I så måte er Høyre mer enn villig til å hjelpe til å få på plass en akseptabel kraftsituasjon i Midt-Norge, og ikke minst å få på plass et system som bidrar til å få norske klimautslipp kraftig redusert. Jeg deltok på tiårsjubileet til Agder Energi i helgen, et selskap som gjør det godt for tiden, et selskap som nå har blitt tredje største energiprodusent i Norge. Det som tegner seg som et bilde for alle energileverandører, er at de sliter med å få tatt i bruk den fornybare energien som finnes i Norge. Innenfor vindområdet er det nærmest evigheten som setter begrensninger for saksbehandlingstid. Det er ikke bare et drøyt lokalt saksbehandlingskompleks, men også staten og ikke minst fylkesmann og riksantikvar setter grenser. Det er et skattesystem som ikke gjør det lønnsomt å satse på fornybar energi i Norge. Det ser vi gode eksempler på når det gjelder Statkraft, som heller bruker sin kapital i utlandet, og ikke i Norge. Et annet område som vil ha stor lokal verdiskaping, er nettopp småkraft. Vi ser at det er kommuner, og ikke minst grunneiere, som ønsker å ta i bruk sin kraft. Men de som sitter som proppen i systemet, er nettopp forvaltningsmyndighetene. Da har statsråden selv muligheten til å gjøre noe fundamentalt ved å være en pådriver for omlegging av å gi fylkesmannsembetene krystallklar beskjed om at klima er ett av de momentene som må inn i bildet når man har en diskusjon om den skal bygges ut eller ikke, den lille bekken som grunneieren kanskje har på sin egen tomt. Nikolai Astrup har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får anledning til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Når jeg nå tar ordet, er det fordi representanten Erling Sande er forvirret, og jeg har lyst til å hjelpe ham litt med å få klarhet i hvor tingene står. Alle Høyres representanter stiller seg bak klimaforliket, alle representanter i denne sal har i dag sagt at de stiller seg bak klimaforliket, derom er det ingen tvil. Alle Høyres representanter i denne salen er enige om at dersom gasskraftverk skal bygges nå, er det under forutsetning av at det blir rensing. Det følger jo av det første punktet, nemlig at vi alle stiller oss bak klimaforliket, men ikke nødvendigvis fra dag én. Dette er den samme politikken som regjeringen tilfeldigvis fører på Kårstø og Mongstad. Vi er enige om viktigheten av at vi skal ha på plass rensing. Men forteller oss at det ikke er mulig. Dersom det var mulig, hadde vel regjeringen ferdigbehandlet Sargas sin søknad om å bygge gasskraftverk med rensing i Hammerfest som de leverte inn i 2005. Det har de ikke gjort. Elisabeth Røbekk Nørve har også hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, Etter representanten Serigstad Valen fra SV sitt siste innlegg følte jeg at det var riktig å ta ordet. Han beskyldte undertegnede for å ha fremmet kun ett forslag for å møte energikrisen i Midt-Norge, og da nevnte han mobile gasskraftverk. Det er med respekt å melde en stor bløff. Hvis ikke jeg får lov til å si det, er det i hvert fall langt fra sannheten, for Høyre har fremmet ikke mindre enn tre forslag om en egen handlingsplan for Midt-Norge. Samtlige tre forslag har blitt nedstemt av denne regjeringen. Tidligere statsråd Enoksen lovte å komme med en slik handlingsplan allerede i 2006. Mitt spørsmål til regjeringen er: Kan noen gi et godt svar på når vi skal få en slik handlingsplan for Midt-Norge, som kan bidra med energi til både industrien og folk flest? Dette forslaget fremmet Fremskrittspartiet fordi vi ønsket å kunne styrke kraftsituasjonen når bruk av gasskraftverk anses som nødvendig, og for å få bort prinsipiell forskjellsbehandling i regelverket. Det er urimelig at et gasskraftverk på Mongstad kan få bygges uten krav om rensing ved oppstart, mens alle andre må ha det. Det viser også at regjeringens retorikk her ikke henger sammen, en sier at det er greit med punktutslipp på CO2 på Mongstad, for da var det nødvendig for å redde regjeringens ære og overlevelse i 2006, men en later som at det ikke skal gjelde for andre. Det er uryddig. En krever altså bruk av en teknologi som en selv ikke klarer å vise til at fungerer, og som en på Mongstad har utsatt implementering av fordi en synes at det er problematisk. Man fraviker dette kravet når det gjelder norsk sokkel, eller når det gjelder Statnett. Så lenge statlige selskap, eller Statoil, ønsker å bygge gasskraftverk, er det ikke så viktig, mens hvis private aktører ønsker å bygge gasskraftverk, er det viktig å ha rensing ved oppstart. Til SV stiller jeg spørsmålet: Hva skjer med CO2-utslipp fra den gassen som Norge pumper fra norsk sokkel? Er det slik at hvis vi bruker den i andre land, har det ingen CO2-effekt, mens hvis den brukes i Norge, er det helt grusomt? Selvsagt er det ikke slik. Da vil jeg prøve å forklare representanten Serigstad Valen og statsråden hvordan kraftmarkedet fungerer. det er nettopp slik at om en bruker gassen i Norge eller i EU, er helt irrelevant med tanke på de totale globale CO2-utslippene, så lenge ingen land renser. Men selvsagt er det slik at om en bruker den i Norge, så har en tilsvarende mindre å eksportere, men importbehovet for kraft blir også tilsvarende mindre. Det å kunne bruke kraften, eller gassen, i et kraftverk nær der den pumpes opp, gjør at en får større energieffektivitet ut av den. Enten kan en redusere importen av kullkraft fra andre land, eller så kan en eksportere mer norsk gass. Så vil det påvirke behovet for kullkraft i de landene som importerer den norske gassen. Den effekten har det uansett, det fortrenger kull så lenge kull er det marginale i kraftmarkedet – og det er det. Konklusjonen på denne debatten er at regjeringen forsvarer at den har en prinsipiell ulik behandling av like aktører. De krever en teknologi som de selv mener ikke er tilgjengelig. Norsk energipolitikk blir underlagt nasjonale CO2-rammevilkår i stedet for at man ser på energiforsyningssikkerheten som en nasjonal ting og klimapolitikk som en global ting. Det viser at uansett hva Kristin Halvorsen prøvde å kommunisere for fem år siden at 15 år med norsk gasskraftstrid er over, så lever den i beste velgående. For med en gang en nevner ordet gasskraftverk i denne sal, det fullstendig i de logiske sammenhengene i regjeringens energipolitikk, og en klarer ikke å komme videre. Norsk gass er bra så lenge en eksporterer den, men det er grusomt når vi bruker den i dette landet. Det er en politikk jeg tar avstand fra, og jeg tror velgerne i 2013 også vil ta avstand fra det. Billedbruken i denne debatten når stadig nye høyder. Representanten fra Kristelig Folkeparti prøvde tidligere i debatten å forklare at det å sammenlikne epler og pærer ikke er

Jeg er, som sagt, veldig glad for at Kristelig Folkeparti sammen med posisjonen er med på å stille krav om rensing fra dag én, og på den måten er med på å isolere Høyre og Fremskrittspartiet som de eneste partiene som vil ha mer urenset gasskraft i Norge. Det er bra. forsøker representanten Astrup å klargjøre hva Høyre egentlig mener om rensing en gang i framtiden. 2020-målsettingen skal stå fast, sier han. Det er også betryggende å høre. Det er greit at man som en konsekvens av det må ha ambisjoner om rensing innen 2020, men det er ganske rart å begynne med å skulle bygge ut mer urenset gasskraft. Det må i hvert fall være lov til å si at man ikke gjør det noe lettere for seg selv på den måten. Så må jeg oppi all kritikken som har vært mot Høyre i dag, si at det er fint å observere at de nå sier at man må lytte til Gassnova. Det er nye, men veldig velklingende toner derfra. Representanten Astrup etterlyser konkrete tiltak. Jeg kan godt bruke tid på å ramse opp: Europas strammeste kvotetildeling, innstramming av bygningsforskriften, tredobling av bevilgningene til fornybar energi og energieffektivisering, omlegging av bilavgifter, åtte sentre for miljøvennlig energi som kom i fjor, dobling av bevilgning til kollektivsatsing i de store byene, fjernvarmesatsing, og nå sist 500 mill. kr til klimateknologi. Det finnes flere punkter, i denne debatten. Når jeg likevel velger å gjøre denne oppramsingen, er det fordi det blir veldig rart å framstille det som at det å føre en klimavennlig konsekvent politikk, er det samme som å stemme for Høyres ganske løsrevne Dokument nr. 8-forslag fremmet i opposisjon. Ingen flere har bedt om ordet til sak
beriktiget innstilling på representantenes plasser i salen. Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til statsråden.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

og behandlet, men Stortinget har ikke tidligere gitt sin tilslutning til lignende forslag. Det har i mange år vært et viktig prinsipp at strandsonen skal være tilgjengelig for alle, og at en trenger verktøy til å stå imot et vedvarende press om å bygge i strandsonen. Det er nok et press som alle vi som enten bor eller oppholder oss mye i kystnære kommuner med fin skjærgård e.l., er og som er gjenstand for mye politisk diskusjon både på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. I Norge har det vært lovfestet byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen helt siden 1965. I motsetning til den siste tids signaler fra enkelte partier er vi, de rød-grønne partiene, opptatt av at allmenne interesser skal gis fortrinn i dette 100-metersbeltet. Det er grunn til å minne om at det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet har vært gjenstand for bred politisk enighet i lang tid. Det kan dermed ikke være noen overraskelse for høyresiden at ønsket om å ivareta allmennhetens interesser har ført til en innstramming i adgangen til dispensasjon. Saken er egentlig enkel. Folk som ikke eier, skal ha tilgang til sjøen og strendene. Folk som ikke eier, skal kunne ha denne tilgangen uten å føle at de gjør noe galt. Kysten vår må ikke mures igjen av bebyggelse som gjør strandsonen utilgjengelig absolutt overalt. Det er viktig å ivareta. En kan enkelte ganger i denne debatten få et inntrykk av at det ikke er kommunene som har ansvaret for å behandle slike saker, men det er det. At Fremskrittspartiet likevel er overrasket over at fylkesmennene er en medvirkende aktør i dette arbeidet, er derfor litt spesielt. Fylkesmennenes oppgave er å ivareta nasjonale interesser til vårt felles beste i strandsonen. Fremskrittspartiet, som i andre sammenhenger gjerne roper etter mer statlig styring, mer sentral kontroll, har derfor begrenset troverdighet når de på prinsipielt grunnlag kritiserer dagens ordning. Utkastet til retningslinjer om strandsonen har fått mange høringsuttalelser. Her er det mange som har påpekt at inndelingen av områder med stort og mindre press ikke bør følge kommunegrensene. Det er et innspill regjeringen følger opp, og som statsråden også har uttalt er en god innvending. Det samme gjelder innspillene fra de 24 kommunene som uttaler at de er feil plassert i kategorien for kommuner med stort press på arealene. Her har både statsråden og departementet en fornuftig og lyttende holdning, og de skal se nærmere på hver enkelt kommunes sak. Det er i denne sammenheng verdt å minne om at Høyre i regjering ikke praktiserte en slik differensiering. Høyres nåværende iver for liberalisering og privatisering av våre fellesverdier tar seg derfor litt dårlig ut, for vi vet av erfaring at partiet er i stand til så mye bedre. Som det går fram av innstillingen, er flertallet, bestående av de rød-grønne partiene pluss Kristelig Folkeparti, opptatt av arbeidet for å få til en god håndheving av forvaltningen av strandsonen, samtidig som behovet for differensiert forvaltning mellom ulike deler av landet

måte avslører forskjellen mellom den rød-grønne regjeringen og høyresiden i norsk politikk. Det søkes framstilt slik at saken dreier seg om en er for eller imot lokalt selvstyre, men det er ikke riktig. Det er ikke en riktig framstilling av hva denne saken dreier seg om. La oss så ta forslagsstillerne på alvor. Spørsmålet blir da hvor godt egnet det lokale selvstyret er til å ivareta en nasjonal verdi som allmennhetens tilgang til attraktive strandområder rundt omkring i hele landet er. Hvordan vi forvalter våre felles nasjonale naturverdier, er selvsagt en sak som er Det er ikke utelukket at det for hvert enkeltstående vedtak i dette land som omhandler utbygging eller nedbygging av vår strandsone, kan føres en rimelig god og rasjonell argumentasjon isolert sett. Dette er heller ikke poenget, og det er heller ikke bakgrunnen for vår innstramming. Poenget er at summen av alle de kanskje isolert sett fornuftige og rasjonelle enkeltvedtakene skaper et samfunn som vi ikke vil ha – et samfunn der tilgangen til attraktive strandområder blir for de få og ikke for oss alle sammen. Det er dette saken dreier seg om. Det er vår alles allemannsrett vi skal ivareta. Ivaretakelsen av våre fellesgoder er et ansvar som ikke kan Vi kan ikke ha 430 ulike typer politikk for å ivareta en strandsone for alle. Både erfaringene og historien de siste tiårene har lært oss alt om det. Det er noe med å ta virkeligheten inn over seg og utforme politikken etter det. Svinesund og følger kysten rundt til f.eks. Stavanger, er svaret på dette spørsmålet helt klart og tydelig: Det lokale selvstyret har ikke ivaretatt strandsonen på en måte som har vært i allmennhetens interesser. Erfaringene er entydige. Våre mest attraktive strandområder er sterkt utbygd med den konsekvensen at vanlige folk – og da snakker jeg om hundrevis av mennesker – ikke har tilgang til disse områdene lenger, til tross for at det har vært lovfestet byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen helt siden 1965. Dette byggeforbudet er også videreført i den nye plan- og bygningsloven. Vi har justert lovverket for å stoppe en videre utestenging av vanlige folk fra attraktive strandområder. I forbindelse med den nye loven blir de statlige planretningslinjene presisert og strammet inn når det gjelder forvaltningen av 100-metersbeltet. Samtidig vedtok vi i den nye loven at kommuner som gjentatte ganger gir dispensasjon i strid med statlige retningslinjer, kan miste adgangen til å gi dispensasjon. Alle de tingene som er blitt gjort, er blitt gjort fordi det som har vært før, ikke har virket. Jeg registrerer at enkelte ting sjelden eller aldri forandrer seg. Der vi i Arbeiderpartiet og de andre rød-grønne partiene setter grunnleggende rettigheter for folk flest i første rekke, setter markedsliberalistene på ytterste høyre fløy i norsk politikk den sterkestes rett i første rekke. Gjennom knitrende sedler og klingende mynt skal vanlige folk holdes på mer enn en armlengdes avstand. På disse politikkområdene er det i dag, som før, fortsatt veldig stor avstand mellom de sosialdemokratiske verdiene og dem som forsvarer pengemakten. Og da mener jeg Fremskrittspartiet. Så må jeg si jeg har vært lokalpolitiker i 18 år. Jeg har den største respekt for lokaldemokratiet. Men jeg vet etter 18 års virke som kommunepolitiker hvor vanskelig det var å stå imot både sterke næringsinteresser og folk som betydde noe i kommunen, og som ville bygge ned både strandsonen og fjellheimen, hvor vanskelig det var å si nei. Jeg opplevde til stadighet – og jeg sier igjen at jeg var kommunepolitiker i 18 år – at lokalpolitikere på høyresiden ble holdt oppe av skinnet og ikke av ryggraden. Det er vanskelig å se de nasjonale interessene når en sitter i sin egen lille kommune og skal tenke på hva som er godt innenfor sine egne gjerder. Jeg fikk lov til å være politisk rådgiver i Miljøverndepartementet i et år under Thorbjørn Berntsen. Å være der i et år bekreftet alt for meg, at alt ville sett ut som et eneste lappeteppe – og tilgangen for vanlige folk ville vært enda mer begrenset – hvis en ikke hadde hatt det regelverket en har. Spørsmål og problemer rundt kommunenes selvråderett i strandsonen har gradvis hardnet til de siste 30 år. Fylkesmannens miljøvernavdeling er en av de minst likte offentlige organer. Svært mange har opplevd at drømmer og byggeplaner er blitt stoppet av fylkesmannen. I begynnelsen av 1980-årene var lovverket og retningslinjene for strandsonen mindre strenge. Hvem har vel ikke opplevd å få avslag fordi tiltaket kunne ses fra sjøen, fra luften, fra riksvegen nær tiltaket eller fra den andre siden av fjorden? Senere kom også begrunnelsen om det biologiske mangfoldet. Oppfinnsomheten når det gjelder avslag hos saksbehandlerne både på fylkesnivå og på departementsnivå, kjenner ingen grenser. Grunntanken om å være restriktiv med bebyggelse i Problemet er imidlertid at i stedet for å ha fornuftige retningslinjer har verneinteressen og forbudspolitikken tatt helt overhånd. Fastlands-Norge har ca. 25 000 km kystlinje, og størsteparten er ubebygd. Lovforslagene har kommet på grunn av bygging ved Oslofjorden, ved kysten mot Sverige og ved Kristiansand. Med dagens politikk ville f.eks. ingen av de ettertraktede hvite sørlandsbyene blitt bygget. Ønsket fra regjeringens side om å kontrollere utbyggingen er nok den største drivkraften for innstrammingen i lovverket og de rikspolitiske retningslinjer. Fremskrittspartiet vil med sitt representantforslag sette lys på den utviklingen som har pågått under skiftende regjeringer, med stadig strengere lover og håndheving av disse. Lokalpolitikerne er i virkeligheten fratatt Dette ønsker Fremskrittspartiet å endre, slik at disse får tilbake styringen over egne arealer. Jeg vil nevne eksempler på tiltak i strandsonen som tidligere kunne tillates, men som nå blir stoppet: Har boligen eller hytta landfast forbindelse, tillates det ikke å bygge en liten brygge for å lande sin båt. Hvem husker vel ikke saken om mannen til en statsråd som hadde festet en ubetydelig brygge til grunnen utenfor sin hytte? Rikspressen slo dette opp som om det skulle være en stor forbrytelse. Dersom «latterlig» er et egnet parlamentarisk ord, så er dette ordet det eneste som kan beskrive det offentliges inngripen, men også pressens håndtering av saken. Andre eksempler på avslag gjelder tilbygg på hytter. Størrelsen på tilbygget har ingen betydning. Frittliggende anneks på tomten avslås også. Det hadde vært interessant dersom statsråden kunne utdype det rasjonale i å nekte tilbygg eller anneks på ellers egnet tomt. Ordet «presedens» går ofte igjen i avslagene. Er betingelsene for tillatelse til stede, bør dette gis. Det er feil å avslå en sak i påvente av at andre søker i samme område. Grunnen til den strenge praksisen for å få bygge i strandsonen er ønsket om allmennhetens tilgang. Problemet er at generelle regler for hele landet ikke tar hensyn til lokale forhold. Lokale politiske myndigheter vurderer hver sak ut fra dens realiteter. Det er neppe tilfellet når saken avgjøres på fylkesmanns- eller departementsnivå. Fremskrittspartiet mener at en slik politikk er med på nærmest å stoppe utviklingen i svært mange kystkommuner, og er bekymret for en slik overstyring. Regulering av strandsonen er nødvendig, men dette kan best gjøres av lokalpolitikere uten innblanding fra overordnede organer. I plandelen til kommunene må det klart fremgå hvor bygging kan og ikke kan tillates. Med dagens lovverk setter regjeringen en stopper for enhver fornuftig utnyttelse av strandsonene. Mange steder langs kysten ferdes det aldri mennesker, fordi terrenget er uegnet. Ofte vil det være mulig å utnytte disse områdene til fritidsbebyggelse. Allmennheten ville ikke forsake noe om disse områdene ble utbygget. Dispensasjoner fra byggeforbudet må kunne bestemmes av lokale politikere. Byråkrater hos fylkesmannen eller i departementet er neppe bedre skikket til å ta disse avgjørelsene enn lokalpolitikerne. Statsråden vil sikkert hevde at dette er feil, fordi han er departementets øverste politiske myndighet. Min påstand er likevel den at statsråden helt og holdent må høre på anbefalinger fra byråkratene. Til slutt tar jeg opp forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre. Representanten Henning Skumsvoll har tatt opp det forslaget han refererte til. Det er ikke så lenge siden vi hadde en tilsvarende diskusjon i Stortinget, da Høyres representant Arve Kambe tok opp dette temaet i en interpellasjon. Det er en viktig sak for Høyre som vi har til debatt akkurat nå. Det er ingen tvil om at friarealene i kystområdene våre har en stor betydning. Friluftslivet i disse områdene er rikt. Mange ønsker å benytte seg av disse arealene, og det er viktig også for Høyre at allmennheten skal ha tilgang til kystnære områder. Derfor er vi også positive til de oppkjøpene som staten selv har gjort for å sikre uberørt natur i kystområdene våre. Også ut fra et folkehelseperspektiv er det viktig å stimulere til et rikt og mangfoldig friluftsliv. Når det er sagt, har regjeringen varslet at de vil komme tilbake med en mer differensiert håndheving av byggeforbudet langs kysten vår innenfor og mellom kommuner. Det synes vi fra Høyres side er positivt, fordi kysten vår er differensiert. Det er store forskjeller på pressområdene bl.a. her i Oslofjorden og nedover mot Agder-fylkene og det som vi opplever bl.a. på Vestlandet og lenger nord. Det er ikke det samme presset når det gjelder verken hytter eller befolkning. Dermed mener vi fra Høyres side at det blir feil automatisk å overføre som er i Oslofjorden og Agder-områdene, til andre deler av landet. Fra vårt ståsted ser vi fram til et mer differensiert syn og differensierte retningslinjer i disse spørsmålene. Det går på mange måter et ideologisk skille mellom de rød-grønne partiene og Høyre når det gjelder hvem det er som skal ha makt, og hvem det er som skal ha råderett i arealpolitikken? Fra Høyres ståsted har vi stor tillit til lokale myndigheter – lokalpolitikere som kjenner til sine egne områder, og som kan gjøre gode avveininger i balansegangen mellom urørt natur ved å sikre tilgang for et mangfoldig friluftsliv, men også kunne tilby hyttebygging og andre inngrep i kystsonene våre. De rød-grønne partiene, særlig Arbeiderpartiet og SV, mener at staten vet bedre enn det lokalpolitikerne gjør. Jeg kan forstå at Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti har det ståstedet, men jeg er litt mer spørrende til Senterpartiet, som også stiller seg Senterpartiet, som på mange måter ønsker å fremstå som et parti som er opptatt av den lokale råderetten og den private eiendomsretten. Dette synet er veldig fraværende i regjeringens politikk. Det er mulig at Senterpartiet her har lite gjennomslag for å kunne støtte opp om den lokale råderetten i

og uheldig bruk av dispensasjonar og unntak, eller at dårleg planlegging har gjort at særs mykje av strandsona er bygd ned og allmenta har dårleg tilgang til strandsona, mens i mange andre kommunar rundt om i landet har ein massevis av ledig strandsone og er faktisk avhengig av å kunne forvalte ho for å skape den ynskte utviklinga i Nettopp derfor har den raud-grøne regjeringa presentert ei differensiert forvaltning av strandsona som tek omsyn til kvar i landet ein er, og kva press det er på strandsona den aktuelle staden. Dei statlege planretningslinene er no under utarbeiding. Dei opnar for at kommunar utan press på strandsona kan bruke strandsona aktivt i planlegginga si og ta omsyn til t.d. næringsutvikling. Senterpartiet er oppteke av at den differensierte forvaltninga mellom kommunar og i kommunar nettopp gjev lokalpolitikarane høve til å planleggje arealet sitt på ein heilskapleg måte. Så er det slik at òg vi frå Senterpartiet si side ser at dette stiller høge krav til både planleggingsevne og -kapasitet i kommunane, og derfor er det viktig at styrking av kommunesektoren held fram, og at strandsona òg har prioritet i kommunane si arealplanlegging. Premissen forslaget byggjer på, er heller ikkje Senterpartiet 100 pst. einig i. Det som ligg til grunn, er jo ein tankegang om at dispensasjonar og unntak er meir demokratisk enn planlegging, altså at dispensasjonar og unntak er riktigare lokaldemokratisk enn planlegging. Det er eg ueinig i. Faktisk er dei prosessane ein har kring planlegging Det er eg ueinig i. Faktisk er dei prosessane ein har kring planlegging av strandsona, meir demokratiske. Det betyr at i område som er ikkje-pressområde, vil kommunane ha ein betre reiskap til å planleggje sitt totale areal i den nye mens det i dei kommunane der ein har forvalta strandsona si dårleg, vil bli vanskelegare å ta i bruk strandsona til tiltak som t.d. næringsutvikling og busetjing. Denne differensierte forvaltninga, som seier noko om at landet er ulikt, at det er store forskjellar mellom indre Oslofjord og store delar av Nord- og Vestlandet, var det Senterpartiet og den raud-grøne regjeringa som innførte, ikkje Høgre. Ein fekk eit inntrykk her av at det var eit forsøk på å dra opp den store prinsipielle forskjellen mellom Høgre og dei regjerande raud-grøne partia fordi ein her tok omsyn til at landet var ulikt. Det er vi som tek det omsynet! Det er vi som innfører eit nytt system som gjer forskjell på forvaltninga i område der det er stort press og i område der presset er lite. Det Høgre gjorde då dei regjerte, var ikkje å endre dette lovverket. Tvert om sende den regjeringa ut brev til fylkesmennene og bad om ei generelt strengare handheving av regelverket, noko som gav det utslaget at òg i ikkje-presskommunar fekk ein ei innstramming av regelverket for strandsona. Så eg synest ikkje at Høgre har veldig mykje å skryte av når det gjeld strandsonepolitikken. Dei retningslinene som no er under utarbeiding, vil ta omsyn til at landet ser ulikt ut, og eg er faktisk stolt av at det prinsippet har kome med no under

Skumsvoll var inne på at med dagens regler ville ikke sørlandsbyene kunne vært bygd. Men poenget er jo nettopp at de er bygd, og at det er bygd kolossalt mye langs kysten, og så skal vi ta vare på de relativt få – spesielt ved Oslofjorden – urørte områdene for at folk skal kunne drive båtliv, skal kunne slå opp telt, skal kunne campe, grille, spille ball og hva det måtte være. er vel det fremste av alle eksempler på hvilken fantastisk berikelse det er for folk å ha en sånn mulighet. Regjeringen mener at denne muligheten også skal være for folk flest, inkludert de som ikke har hytte eller landsted, men også de som har hytte eller landsted, men som gjerne ønsker å kunne ha en videre horisont, og bevege seg andre steder. Vi mener også at kysten skal tas vare på for kommende generasjoner, slik at de som ikke har stemmerett i dag, og som vi ikke kan fri til i dag, men som ønsker å kunne oppleve denne kysten i årene framover, også skal få den muligheten. Da tror vi at det er langt bedre å basere utbyggingsmønsteret langs kysten på planlegging. Erling Sande var veldig tydelig inne på det. Fordelen med det er at kommunen da kan klargjøre hvilke områder av kommunen man ønsker å ta vare på for allmennheten og for kommende generasjoner, og hvilke områder man vil bygge ut. Denne prosessen er helt transparent, alle kan se inn i det. Velforeninger, idrettslag, pensjonistforeninger og hvem som helst som måtte ha interesser i saken, kan gjøre sitt syn kjent, og det er en helt åpen prosess. Jeg sier ikke at det er kameraderi i kommunene i alle andre prosesser. Jeg bare sier at faren for det, og mistanken om det, vil alltid være til stede når det er prosesser basert på enkeltstående unntak framfor denne typen åpenhet. Så har altså Erling Sande helt rett i at det er den rød-grønne regjeringen som har innført en differensiert strandsonepolitikk. Senterpartiet har en betydelig del av æren for det. Det var nettopp da ulike synspunkter brynet seg mot hverandre at vi fikk denne differensierte politikken, som tidligere regjeringer ikke har ført. Det betyr at vi har en langt mer liberal praksis i de områdene av landet hvor det ikke er et sterkt press, enn i de områdene hvor det er det. Det betyr at Oslofjorden og sørlandskysten singles ut som et helt særlig område hvor det er en streng forvaltning. Så gjenstår det arbeid med noen ytterst få kommuner. Det er hovedsakelig kommuner i Haugesund-regionen, i Hordaland, så er det noen ytterst få spredte andre kommuner. Men hvordan man skal utforme regelverket for disse kommunene, gjenstår, og det skal vi komme tilbake til, men det blir nettopp i tråd med prinsippet om differensiert strandsonepolitikk: streng der det er nødvendig, ikke på langt nær så streng når den ikke trenger å være streng. Så må jeg bare si at jeg er bekymret for Høyre. Det er to måter å danne regjering på. Den ene er demonstrert av de rød-grønne ved at Kristin og Jens begynte å snakke sammen, og etter hvert også begynte å snakke med Åslaug. De brukte lang tid på å snakke sammen, til å snakke seg fram til et politisk grunnlag for en regjering. Det vi nå ser, er en helt annen metode, nemlig at et parti løper etter og kopierer et annet. I dag har vi altså fem saker, tror jeg det er, hvor Høyre nå plutselig løper og kopierer Fremskrittspartiet, med standpunkter som ikke Høyre er kjent for. Jeg står her med hva Børge Brende sendte ut da han var miljøvernminister, det er ikke så veldig lenge siden: «Jeg vil spesielt understreke kommunenes ansvar for å forvalte områdene i tråd med nasjonale interesser. Fylkesmennene og fylkeskommunene må også sørge for at de nasjonale retningslinjene følges.» Han skriver også: «Kommunene har som ansvarlig plan- og byggesaksmyndighet plikt til å følge nøye med på hva som skjer i strandsonen og sørge for at plan- og bygningsloven håndheves. Fylkesmannen må fortsatt holde intensiv kontroll» – intensiv kontroll, intet mindre – «med hva som skjer av tiltak i strandsonen for å sikre at nasjonale målsettinger blir ivaretatt.» Jeg er bekymret når vi ser på summen av de sakene vi har her i dag – rovdyr, strandsone, kjøpesenterutbygging – hvordan Høyre altså løper fra det som var partiets standpunkt inntil helt nylig. Det er ikke mulig å kjenne igjen Børge Brendes Høyre, og langt mindre Willochs Høyre, i det Høyre vi nå ser kappløpe med Fremskrittspartiet. Jeg tror ikke verdikonservative velgere vil sette pris på dette – når det blir kjent. Foreløpig vet de ikke om det. Men vi skal bruke de to og et halvt årene fram til valget i 2013 til å gjøre dette uttrykkelig klart for de Høyre-velgere som måtte ha interesse av miljøvern. Det blir åpnet for replikkordskifte. Har Skumsvoll anmodet om to replikker? Ja takk. Da er det to replikker fra Skumsvoll først, vær så god. Takk, president! Både statsråd Solheim og representanten Sande det fram som at vi ikke ønsker å ha planlegging. Det gikk klart fram i mitt innlegg at vi vil ha planlegging. Vi vil ikke bare ha dispensasjoner. Men vi vil at de som har mest kjennskap til området, som er kommunalpolitikerne, skal gjennomføre planleggingen. Vi tror nemlig ikke at byråkrater hos fylkesmannen eller i Miljøverndepartementet er bedre egnet enn som kjenner området helt ut. Det er overprøvingen i fylkesmannens miljøvernavdeling og i Miljøverndepartementet som vi har sett oss veldig lei på. Mitt spørsmål til statsråden er om han mener at byråkratene hos fylkesmannen og departementet er så mye bedre egnet enn lokalpolitikerne til å avgjøre strandsoneutviklingen. Svaret på det er et veldig klart nei. Selvsagt skal det være de lokale politikerne og for den del den lokale forvaltningen som skal lage planen. Det er det som er utgangspunktet. Alt dette er en lokal plan fra den enkelte kommune, utarbeidet av kommunens politikere, selvsagt i samarbeid med forvaltning og eksperter i kommunen. Men for å sikre at vi også får en nasjonal politikk hvor vi f.eks. unngår at én kommune overbyr en annen ved å legge til rette på en måte som skaper vanskeligheter for andre, at én kommune ødelegger for en annen, må vi også ha en nasjonal politikk for å sikre at kommunene holder seg innenfor de retningslinjer som Stortinget fastsetter. Derfor: Basis er kommunal planlegging, men vi har fylkesmannen og det statlige apparatet for å sikre at vi også henger sammen som ett rike – slik Harald Hårfagre en gang samlet oss. Det som vi ønsker å få fram i dagen, er at gang på gang blir det minste tiltak som skal gjøres – et tilbygg på 5 m2 på en hytte – nektet, fordi det kan ses fra sjøen, det kan ses fra luften, det kan faktisk ses, fordi det er et tilbygg. Hvis man har en slik politikk, er ikke det med på å gi tilgang for allmennheten. Det finnes jo tilgang i dette landet. Det er heldigvis ikke forbudt å bygge hytte, men det er måten dette blir gjennomført på – det er strategien fra departementet gjennom fylkesmannen – som gjør at vi ikke får noen utvikling. Det er stopp. Det er den utviklingen som vi i opposisjonen er sterkt imot, og vi håper at man med disse differensierte retningslinjene kan La meg for det første si at de aller, aller fleste – det overveldende flertall av denne typen konflikter – løses lokalt i en dialog mellom kommunen og fylkesmannen og den personen eller den familien det måtte gjelde. Det er et ytterst lite antall saker som vi i Miljøverndepartementet får inn til overprøving, og da tar vi standpunkt til dem. Jeg må også si at jeg er enig med representanten Skumsvoll i at det å gå inn i bagatellmessige detaljer som ikke har betydning for selve dette viktige, nemlig allmennhetens adgang til strandsonen, bør offentlige myndigheter unngå. Strandsonen i Norge står og faller ikke med en enkelt utedo eller en fasadeendring eller slike ting, men vi ser også en serie eksempler på folk som helt bevisst legger opp hindre i terrenget for å hindre at allmennheten kan gå tur på en helt vanlig måte. Det burde kommunene være veldig strenge mot og gripe resolutt inn mot.

men heldigvis har regjeringen i denne prosessen vært lydhør for geografiske forskjeller, befolkningsforskjeller osv. og signalisert at det vil komme en differensiert strandsonepolitikk som også Høyre synes er fornuftig. Så sier statsråden i sitt innlegg at det vil også innebære at en vil bli mer liberal enn tidligere i enkelte områder. Da er mitt spørsmål til statsråden: I hvilke områder vil en bli mer liberal enn tidligere? Jeg vet ikke om jeg brukte uttrykket «mer liberal enn tidligere». Jeg sa at vi ville være liberale i områder hvor det ikke er et sterkt press på strandsonen. Eksempler på det er stort sett hele Nord-Norge og Sogn og Fjordane – for å ta et par opplagte eksempler. Men også i disse områdene er det slik at man må ha en viss differensiering. Det er klart at det finnes enkeltsteder langs kysten i Nord-Norge og i Sogn og Fjordane hvor presset på arealene er veldig stort, og hvor det er viktig å sikre at også allmennheten får tilgang til badestrender eller til steder hvor man ønsker å fiske eller hva det måtte være. Men dette er ikke områder hvor det er et generelt press på samme måte som det det er i Oslofjorden eller tett på byer som Bergen og Trondheim. Det er denne differensieringen vi nå har lagt til rette for – veldig liberalt i Nord-Norge og i Sogn og Fordane, veldig strengt i Oslofjorden, og så skal vi finformulere retningslinjene for de mest omstridte områdene, som er Haugesunds-området og i deler av Jeg har lang erfaring som bygningssjef, teknisk sjef og lokalpolitiker, så disse sakene har jeg arbeidet med i ca. 30 år. Jeg har sett utviklingen hele tiden. Det gledelige svaret på mitt forrige spørsmål var da statsråden sa at han syntes det var feil når bagatellmessige tiltak ble nektet. Det er akkurat det som skjer! Mitt spørsmål til statsråden er derfor: Kan vi nå forvente at statsråden går ut og forteller fylkesmannens miljøvernavdeling at et tilbygg på 8 m2 kan tillates, og at en liten brygge kan tillates? Det er ikke å lage et område mer til hinder for offentligheten; det er et tiltak som kan hjelpe folk som allerede er etablert. Jeg har gjentatte ganger i Stortinget sagt at jeg mener at når disse tingene håndteres – først av kommunen og siden i dialog med fylkesmannen – er det ingen grunn til å slå ned på bitte små ting som ikke har noen praktisk betydning for det som er formålet. Formålet her er jo allmennhetens alminnelige adgang. Enkelttiltak som ikke er til vesentlig hindring for det, bør man se liberalt på. Derimot bør man være langt strengere på andre områder. La meg få ta et eksempel fra Fredrikstad kommune, hvor det er helt åpenbart at man har anlagt alle uteanleggene med det formål å hindre allmennheten i å passere. Den typen ting bør man være veldig streng på. Så er det altså slik at det lokale vettet er stort, og kommunene og fylkeskommunene klarer nesten alltid å finne praktiske løsninger på dette.

Jeg er redd for at det er snakk om krokodilletårer som han nå deler i denne sal når det gjelder omtanken, men vi legger oss det på sinne likevel. For Høyre er det helt åpenbart at vi er utrolig privilegert. Vi har en fantastisk norsk natur, og den skal vi ta vare på. Kysten er en del av den naturen vi selvfølgelig tar og skal ta vare på. Men det er stor forskjell. Det er ikke alle områder, selv ikke på Sørlandet eller indre Oslofjord, som er lik hverandre. Det er det verken regjering eller storting som kjenner til i stor grad, det er det lokalpolitikerne som kjenner til. Det handler om hvorvidt man skal gi lokalpolitikerne makt og myndighet i egen kommune. Det handler om at vi som storting skal sette noen mål og også tillate at lokalpolitikerne nyanserer innenfor et handlingsrom. Det handlingsrommet som nå legges til grunn når det gjelder utvikling, utbygging, langs kysten og i hundremetersbeltet, er med det for øye å slå fast et totalforbud i indre Oslofjord og på sørlandskysten fram til Lindesnes. Det er ikke å slå et slag for det lokale selvstyret. Det er heller ikke å slå et slag for sunn fornuft. For å illustrere dette ønsker jeg å nevne et eksempel fra Hestvika i Kristiansand kommune, eller rettere sagt på Flekkerøy, hvor en familie som har bodd på øya i generasjoner, gjør en avtale med kommunen om å gi fra seg størstedelen av sin tomt vederlagsfritt til kommunen, slik at kommunen kan bygge skole, bygge ut skolen. Det er først når kommunen skal gjøre sin del av jobben, nemlig å gi tillatelse til en liten hytteutbygging, at innsigelsene kommer. Da har tomten allerede blitt bebygd fra kommunens side, og fylkesmannen kommer med innsigelse. Denne saken er flere år gammel. Vedkommende familie har stanget hodet i det offentlige byråkratiet over lang tid. Sluttsummen av saken er at man har mistet størsteparten av tomten sin og fått intet tilbake. Kommunens og øyas barn leker i en ny skole som er aldeles fabelaktig, men den store taperen er det offentliges troverdighet og denne familien. La meg utfordre statsråden: Ønsker statsråden denne type avtaler hvor man fra kommunens side får vederlagsfritt en kjempetomt med fantastiske strandområder som betyr at allmennheten får muligheten til å bevege seg i et område de ikke har gjort tidligere, mot at det da foretas en liten utbygging, i dette tilfellet én hytte? Høgre ønskjer, i motsetnad til Senterpartiet og del andre raud-grøne politikarar, at makt og sjølvråderett over strandsona skal tilbake til kommunane og til lokaldemokratiet. I Sogn og Fjordane er fråflytting ei stor utfordring. I kystkommunane Gulen, Solund og Askvoll er det ei svært aktuell problemstilling, og det er eit svært viktig spørsmål kvar ein skal busetje folk når det meste av areala er verna. I desse kommunane bur det vel 6 000 innbyggjarar. I dei same kommunane er det om lag 4 000 holmar og skjer. Når ein ser på kart over kva som er verna og kor liten del av landareala som er til disposisjon, ser ein at dette har gått over stokk og stein, for å bruke eit folkeleg uttrykk. Det er, og har alltid vore, kultur for å byggje i strandsona i mange delar av landet. Dersom ein skal få til ei positiv utvikling i kystkommunane, må ein vidareutvikle lokal styrke og attraksjon, og då er bruk av strandsona viktig. Forbodet mot bygging i hundremetersbeltet er svært negativt både for næringsutvikling og for busetnad. Saman med ei stadig meir radikal statleg handsaming av buplikt, jordvern og frådelingsspørsmål skaper dette både motløyse og maktesløyse i lokaldemokratiet og i lokalmiljøet. Høgre ønskjer å ta vare på naturen og naturmangfaldet, og vi ser det som svært viktig at naturområde er utan inngrep. Høgre ønskjer også at det skal vere strandsoner som er urørte. Likevel meiner Høgre at dagens forvalting bryt med all forståing av tidlegare kultur- og strandsoneforvalting. Det skaper unødige konfliktar og mangel på respekt for lover og reglar. Den statlege harde forvaltinga er øydeleggjande for initiativ frå tiltaksføre innbyggjarar. Staten erklærer på mange måtar mistillit til lokalpolitikarane i spørsmål om arealforvalting. Råderetten over eigen eigedom blir stadig redusert, og lokaldemokratiet står for fall saman med mykje flott kulturlandskap som generasjonane før oss har forvalta på ein god måte. I innstillinga vi handsamar, blir det vist til at partisekretæren i Arbeidarpartiet, Raymond Johansen, har uttala at lovdelen om strandsoner er eit problem, og at det er absurd at same regelverk skal gjelde for store delar av Vestlandet. Vi ser òg at Liv Signe Navarsete har brukt i sin motmaktturné. Det har også kome mange liknande utsegner frå raud-grøne politikarar der dei er i fullt firsprang vekk frå ansvaret for strandsonedelen av den nye plan- og bygningslova, og dette har dessverre blitt ei vanleg øving i desse
slapp, nemlig med signalene. Noe av det statsråden også var inne på, er hva som er bakgrunnen for den debatten vi har i dag. Hvorfor ligger dette forslaget her i dag? Dette har for så vidt vært diskutert før også. Bakgrunnen for det er nettopp det at det har kommet ganske sterke og entydige signaler fra representanter fra regjeringspartiene at det forslaget som regjeringen har lagt fram, har en del elementer i seg som gjør at det blir absurd. Raymond Johansen, partisekretær i Arbeiderpartiet, brukte det uttrykket da han snakket om at man skulle ha samme regelverk for store deler av Vestlandet som for Oslofjorden og sørlandskysten. Det blir også sagt her, fra Senterpartiet, at dette med differensiering på en måte er noe som den rød-grønne regjeringen har stått i spissen for. Det tror jeg vel kanskje Grunnen til at vi har fått dette kystopprøret dette året, er jo nettopp forslaget fra denne regjeringen om at store deler av Vestlandet skal behandles på samme måte som Oslofjorden. da statsråden sto og pekte på Oslomarka og på Oslofjorden og sa: Se på dette flotte forvaltningsregimet vi har der, det skal vi ha langs hele kysten. Jeg er glad for at statsråden gir litt andre signaler nå. Jeg tror nok at det opprøret som har kommet langs kysten – det er 14 kystkommuner i Hordaland bl.a. som står bak det, og noen av dem er styrt av lokale politikere – også har gått inn til regjeringen, at de retningslinjene man har lagt fram forslag om, innebærer en absurd måte å styre på. Så har man vært inne på dette med fylkesmannen. Det står i brevet fra Miljøverndepartementet i forbindelse med denne saken: «Derimot skal staten vise stor varsomhet med å overprøve kommunestyrets politiske skjønn i lokale forhold.» Jeg holdt på å si at hadde bare vært slik, hadde det ikke vært noe problem. Men det er jo mange av oss som også har bakgrunn fra lokalpolitikken, og som ser at slik problem. Men det er jo mange av oss som også har bakgrunn fra lokalpolitikken, og som ser at Jeg tror vi alle kan si at vi er opptatt av allmennheten og av å sikre de områdene som allmennheten faktisk bruker. I fremskrittspartikommuner langs vestlandskysten gjør man det. Kommunene kjøper opp disse områdene for å sikre at allmennheten skal kunne ha tilgang. Men det er jo ikke alle områder som egner seg for det. Vi har nå en sak i Bergen, hvor en person har søkt om å få legge en flytebrygge langs et bratt fjellparti. Et nærmest enstemmig tverrpolitisk bygningsråd i Bergen har gått inn for det, og så opplever man altså at fylkesmannen snur den saken på tvers av hele det lokalpolitiske regimet. Den som har gått krassest ut mot fylkesmannen, er Arbeiderpartiets leder av Men jeg opplever vel at det er litt mer imøtekommenhet fra regjeringen nå. Det synes jeg er positivt. Det er vel kanskje kommet en del signaler inn til regjeringen som viser at slik som man har tenkt, kan man ikke gjøre det. Så får vi bare håpe at det til sjuende og sist kan løses på en måte som ikke bare ivaretar allmennhetens interesser, men også dem som faktisk bor langs kysten. Disse tre minuttene skal jeg bruke til å vise et par eksempler fra hjemkommunen min, Farsund, og nabokommunen Flekkefjord. På Sørlandet er tre minuttene skal jeg bruke til å vise et par eksempler fra hjemkommunen min, Farsund, og nabokommunen Flekkefjord. På Sørlandet er det en gammel tradisjon å bygge båthus. Der kan båtene legges sikkert under tak. Muligheten for båthus ligger i liten forskjell mellom flo og fjære. Båt og sjøliv er viktig for mange i og behovet for båtplasser er stort. Ventelistene er lange, og mange opplever aldri å få båtplass. En reguleringsplan med 500 båtplasser og 23 båthus ble vedtatt av Farsund kommunestyre, men det ble reist innsigelse fra fylkesmannen. Miljøverndepartementet stadfestet fylkesmannens innsigelser og bestemte at båthusene måtte tas ut av planen. Jeg har arbeidet med kommunale reguleringsplaner i 30 år både som byråkrat og politiker, men jeg har aldri vært borti en avgjørelse fra departementet som er så graverende som denne. I spørretimen den 17. februar tok jeg opp denne saken med statsråd Solheim, hvor jeg ba om at departementet igjen så på denne avgjørelsen. Statsråden ville ikke vurdere saken på nytt, men svarte i generelle vendinger at årsaken var at strandsonen skulle brukes til turgåing, fotballspilling og grilling. Dette gjelder et anlegg som skal legges i en meget bratt skråning mellom riksveien og sjøen, og som er ubrukelig til noen av de nevnte aktiviteter. Dette er en så feil avgjørelse at jeg vil sammenligne saken med Forsvaring av et konkret avslag med en generell begrunnelse gjør at opinionen mister all respekt for politiske vedtak. Innbyggerne merker seg at Miljøverndepartementet og også settefylkesmenn tillegger byråkratene hos fylkesmannen større vurderingsevne enn lokalpolitikerne. Båthusavslagene i Farsund må stå som en bauta over en av de største statlige overkjøringer og feilinngrep i lokaldemokratiet som statsråd Solheim har gjort. I nabokommunen Flekkefjord ligger det en godkjent kystsoneplan regulert til hytteformål. Når denne planen skal realiseres, forlanger fylkesmannen at nåværende retningslinjer benyttes med tilbakevirkende kraft. Planen ligger i Miljøverndepartementet, og kommunen venter spent på departementets avgjørelser. Dersom vi ikke snart får en styrking av lokaldemokratiet, forsvinner all interesse for lokalpolitikk. All bygging i strandsonen må utføres etter plan, men ingen avslag må gjøres på generelt grunnlag. Til slutt: Mitt sterkeste ønske for feilavslaget i Farsund og ankesaken fra Flekkefjord er at statsråden er ydmyk overfor kritikken. En omgjøring av vedtaket om båthusavslag i Farsund ville bli meget godt mottatt av både sosialistiske og borgerlige velgere. På folkemunne i Farsund skrattler man av Solheims uttalelser og avgjørelse i båthussaken.

natur! Derfor er det så avgjerande viktig for oss at vi tek vare på allmentas interesser og moglegheiter for å kunne bruke denne praktfulle naturen, og derfor har Arbeidarpartiet heile tida vore oppteke av fri ferdsel og allmentas rettar. Det er jo det denne saka dreier seg om. For det jo inga rolle om det er staten eller fylket eller kommunen som forvaltar dette regimet, dersom ein er sikker på at allmentas rett til fri ferdsel og bruk av naturen er mogleg. Dette gjeld på fjellet, og det gjeld langsmed sjøen, som det her no er snakk om. I utgangspunktet meiner eg at det er veldig bra at det er kommunane som har moglegheit til å forvalte naturen. Men når det gjeld denne saka langs strandsona, har jo restriksjonane kome nettopp fordi veldig mange kommunar har vore altfor liberale med å gi dispensasjonar, slik at ein god del av kysten mange har peikt på, gjeld det fyrst og fremst Oslofjordområdet og nedover mot Sørlandet. Derfor står den raud-grøne regjeringa for ein differensiert politikk på dette området. Siri Meling sa at det ikkje er uventa at Arbeidarpartiet og SV står for denne haldninga. Ja, det var veldig bra at Høgre sa at er veldig attkjennelege på akkurat det, for Høgre eller andre bør så klart ikkje vere overraska over at vi ønskjer å ta vare på allmentas rettar til fri ferdsel. Det har vi kjempa for gjennom tidene. Det vil vi stå for, og det vil vi slåst for i tida framover – «to the bitter end». Mange av oss har jo sett i

Neste taler er Erling Sande, deretter

Men jeg må si at jeg blir ganske forundret over debatten. I forbindelse med veldig mange andre, tidligere stortingsmeldinger har Høyre som parti vært med på å støtte de nasjonale målene om å ivareta strandsonen – de sa til og med så langt tilbake som på 1990-tallet en eller annen gang at de ønsket seg differensierte retningslinjer når det gjelder strandsonen, og har argumentert ut fra at en skal ha det i pressområder. Rogaland og Hordaland er noen av de fylkene som bl.a. blir diskutert her, hvor det i framtiden – om ikke lenge – vil bo om lag en million mennesker. At en da ikke ser at det er pressområder, synes jeg er utrolig rart. I denne saken har Høyre snudd i forhold til hva de har stått for før, da de har ment at det er områder som skal ivaretas. Her har representanten Skumsvoll gode eksempler, synes han. Jeg kunne ramse opp akkurat like mange andre gode eksempler, men med motsatt fortegn – i Stavanger kommune, i Sandnes kommune, i Ryfylke og opp gjennom Hordaland. Men det som blir feil, er at vi debatterer ikke noe enten–eller eller et totalforbud, som representanten Skovholt Gitmark sier fra denne er at vi ikke ønsker å havne i den situasjonen, i f.eks. Hordaland og Rogaland, som en har havnet i i Oslofjordområdet og på deler av Sørlandet. Det er ikke slik, som representanten Skumsvoll sier, at det ikke hadde vært noen sørlandsbyer hvis det ikke var for at det ikke var fritt fram for Jeg tror sørlandsbyene hadde vært der, uansett. Det som kanskje kunne vært, var at en både i Blindleia og langs kysten på Sørlandet kunne kommet seg inn, eller gått langs sjøen til fots. Det er helt umulig i dag på store deler av sørlandskysten, og det er til og med umulig å komme med båt fra havet inn til sørlandskysten og legge seg til som et vanlig menneske. Denne saken er ikke en sak om totalforbud eller Statsråden har sagt nå – som statsråder har sagt før – at han på sikt ser at en må differensiere mellom kommunegrenser. Han har sågar sagt, lenge før dette forslaget kom, at en må se på mulighetene for å differensiere også internt i kommunene. Her opplever jeg at hele bevisbyrden i saken er overveldende på og de rød-grønnes side. Kommunene har i lokaldemokratiets ånd sagt ja, ja, og områder har blitt bygd ned og bygd ut. Det forundrer meg veldig at Høyre nå snur i noe som har vært viktig for dem i flere tiår – å ha nasjonale mål for strandsonepolitikken – og også mener at det er i nasjonal interesse at kommunepolitikere og fylkespolitikere også ser de nasjonale målene. Berre nokre kommentarar til det som har blitt sagt i debatten. Representanten Åmland seier at differensiert forvaltning ikkje er nytt. Jo, det er det. Det er noko nytt. Sidan det generelle byggjeforbodet kom, har det ikkje vore differensiert forvalta rundt omkring i landet, ifølgje lov- og regelverk. Nettopp derfor er det viktig å få slått dette prinsippet fast. Det har ein gjort, og ein varsla allereie i plan- og det kom til å bli gjort. Og så er det jo gledeleg at så mange av opposisjonen sine representantar støttar denne tankegangen. Når ein høyrer representanten Lødemel uttalar seg, kan ein jo få inntrykk av at Høgre, i motsetnad til Senterpartiet, ynskjer lokaldemokratiet inn. Ein kunne nesten få inntrykk av at det var like før ein var i ferd med å foreslå fjerning av heile byggjeforbodet, ut frå retorikken som Høgre har ført i denne salen. Det er i alle fall eit forslag som eg ikkje har registrert har kome enno. Det er større forskjell på Høgre no og Børge Brende sitt Høgre enn det er på Høgre no og det den raud-grøne regjeringa har presentert. Det synest eg illustrerer ganske godt at den differensieringa som vi no legg opp til, har ganske brei støtte i Stortinget, sjølv om retorikken skulle tyde på at ein her har foreslått ein heilt annan politikk – ein mykje strammare politikk – enn tidlegare. Det er ikkje tilfellet. Knapt noka sak i samband med arealforvaltninga langs vår langstrakte kyst er meir kontroversiell enn strandsoneforvaltninga. Vi har pressområde som det er verdt å verne om. Men mange opplever at dei områda som slett ikkje er pressa, likevel får ei restriktiv behandling trass i det som blir sagt i dag. innstramming i strandsonepolitikken dei siste åra vitnar om ein formyndarskap som ikkje høyrer heime i Noreg, og svært mange saker viser at det er på høg tid å få fram ei ny og framtidsretta forskrift som tek i vare lokaldemokratiet, og ikkje minst lokal kunnskap. Dagens retningslinjer er så rigide og manglar legitimitet og forståing. No høyrer vi at statsråden hevdar at det er annleis, men ein opplever det ikkje slik ute i distrikta. Då er det ein link som manglar. Manglande kunnskap om lokale forhold og rigide retningslinjer skaper stor frustrasjon og blir forsterka av overkøyring av gjerne samrøystes tilrådingar frå lokaldemokratiet, representert ved kommunestyre og ansvarlege Dette er med på å forsterke ein monaleg flyttestraum frå distrikta til sentrale strøk, grunna mangel på lokal handlefridom, og vi har sett mange av dei. Strandsoneproblematikken blir ikkje meir oversiktleg av alle dei signala som kjem frå dei ulike statsrådane når dei blir utfordra i media. Motmaktturneen til Navarsete er eit eksempel. Og igjen ser vi at Senterpartiet, som skulle vere Sosialistisk Venstreparti vere totalt dominerande – og brukar tida på vikarierande prosjekt som gir eit skin av distriktsengasjement. Alle ser etter kvart at dette er eit spel for galleriet og lite anna. Når så representanten Sund meiner at høgresida er utan ryggrad i strandsoneforvaltinga, får nok det stort gehør langs den kyststripa som Arbeidarpartiet no har proklamert at dei vil ta tilbake. Så dersom det er den medisinen vi ser i dag som skal skrivast ut, så er det berre ein ting å seie: Feil medisin kan sjølv den beste
Det bildet representanten tegner av sørlandskysten, er ikke korrekt. Det er ikke en eneste kommune langs hele sørlandskysten som har bebygd mer enn 50 pst. av arealene. Faktisk er de aller færreste av kommunene i nærheten av slike tall. Det har vært en fornuftig utbygging langs sørlandskysten – en utbygging som enkelte rød-grønne politikere mener har gått altfor fort som har gjort at vanlige folk har fått hytter, som har gjort at vanlige folk faktisk får lov til å tilbringe en sommer eller noen uker langs kysten. For meg er det grunnleggende positivt. Men vi skal selvfølgelig være vare med tanke på at våre arealer bygges ned. Derfor er det viktig at vi har kombinasjonen av rikspolitiske retningslinjer. Høyre er ikke motstander av de rikspolitiske retningslinjene, et lokalt demokrati, et velfungerende lokalt demokrati i tillegg. Det er nemlig slik at en stupbratt skråning faktisk kan ha en liten hytte uten at det har noen som helst betydning for allmennheten. Men i et system hvor alt er myntet på at enten er man innenfor eller utenfor et hundremetersbelte, da er det i realiteten et totalforbud det som Jeg vil gå så langt som til å invitere Eirin Sund til sørlandskysten, slik at vi sammen kan dra ut i båt og se på de fantastiske uberørte perlene som er, og at vi kan svinge innom en og annen uthavn også og se på de fantastiske bebygde perlene som Sørlandet har å tilby. Vi har flere muligheter enn sterke statlige restriksjoner, eller for den saks skyld nærmest totalforbud å by på. Det finnes muligheter som skjærgårdspark, et alternativ som jeg mener blir betydelig bedre dersom man faktisk betaler grunneier det eiendommene er verdt, og ikke de tre kroner og femti øre som har vært vanlig per kvadratmeter i så altfor mange tilfeller. Man har også muligheten til å si at et lokalt flertall også betyr noe, at det ikke er uten grunn med et sterkt Høyre og et sterkt Fremskrittsparti, faktisk legger opp til at flere skal få båtplasser i områder hvor allmennheten ikke ferdes. Dette ville ha vært områder som ville ha vært åpnet opp for allmennheten, ikke stengt igjen for allmennheten. Den type beslutninger skal vi aldri fatte i Stortinget, det må tilligge et lokaldemokrati. Det styrende prinsippet for Høyre er jo nettopp kombinasjonen av føre var-holdning, et lokalt selvstyre og eiendomsrett. Alt dette går det an å kombinere, men da må man ikke være så sneversynt å tro at alt kan styres fra denne sal. Representanten Henning Skumsvoll har hatt ordet to ganger og ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg vil følge opp representanten Gitmarks innlegg og si at det er riktig at det er veldig få kommuner som har bygd ned mye av strandsonen. Farsund kommune bygde over en 20-årsperiode ned 2 pst. Det vil ta 100 år å bygge ned 10 pst. med denne farten – og de er blitt kritisert fordi de gir så mange dispensasjoner. Men det som er tilfellet, er at sosialistene og deres holdning hindrer at de minst bemidlede får seg hytte på Sørlandet, for på Sørlandet og langs Oslofjorden er det helt forskjellig. Der hvor jeg kommer fra, Farsund – som er så langt sør i landet som mulig – kan alle få bygd seg en hytte hvis man får tillatelse. Så må man differensiere og her kan det bygges, og her kan det ikke bygges. Jeg inviterer statsråden og komiteen til å komme og se hvordan det er i Farsund. Da ville man kanskje få en annen oppfatning av denne saken. Jeg har en liten kommentar til representanten Sandes innlegg. Jeg kan ta utgangspunkt i det som står i representantforslaget vårt når det gjelder bakgrunnen for differensiering. I Bergens Tidende 7. mars 2010 sier partisekretæren i Arbeiderpartiet, Raymond Johansen, at han har et ønske om å få Arbeiderpartiet tilbake til makten på Sør- og Vestlandet. Da peker han spesielt på strandsoneloven som et problem, og sier at forslaget til ny strandsonelov som framsettes – og her snakker vi om den rød-grønne regjeringens forslag til strandsonelov – «er lett å forsvare i forhold til Oslofjorden og sørlandskysten, der det er sterkt byggepress. Men det blir absurd at det samme regelverket skal gjelde for store deler av Vestlandet.» Dette er det verken Høyre eller Fremskrittspartiet som har funnet på, dette er det partisekretæren i Arbeiderpartiet som har sagt. Det er veldig godt sagt. Litt av utgangspunktet for debatten her var jo at vi ville se om de rød-grønne hadde tenkt å følge opp det man har lyst på makt og å komme i posisjon på Vestlandet. Man har forstått at da må man lytte til folk, og spesielt når det gjelder strandsoner, har det vært et problem. Derfor vakte det store protester og opprør da dette forslaget ble lagt fram, ikke bare fra borgerlig styrte kommuner, men spesielt fra dem som har vært styrt av Senterpartiet og Arbeiderpartiet langs kysten. har jeg lyst til å ta opp igjen det jeg så vidt nevnte i mitt forrige innlegg, nemlig det statsråden skriver i brevet til komiteen i forbindelse med denne saken: «Derimot skal staten vise stor varsomhet med å overprøve kommunestyrets politiske skjønn i lokale forhold.» Vi som er ute i distriktene, opplever at slik fungerer det veldig ofte ikke. Jeg vil gjerne få lov til å framsette et ønske til statsråden: Er statsråden villig til å sende ut retningslinjer som understreker dette for fylkesmennene rundt omkring, at de skal vise varsomhet med å gå inn der hvor kommunen har hatt en grundig prosess? Vi har en slik sak som jeg nevnte, i Bergen. Jeg må si at hvis det er snakk om at allmennheten skal bruke en del av disse områdene, som i den saken fra Bergen, og også i andre saker som noen har nevnt hvis allmennheten skal gå i land der og grille, så må de i hvert fall ha med seg solid, avansert klatreutstyr for å komme i havn. Jeg vil ikke anbefale det heller, for det er såpass steinete og ulendt at jeg ikke tror det er noen som går i land der for verken å grille eller spille fotball eller noe annet. Da er det fornuftig at man kan bruke disse områdene til næringsutvikling – skape arbeidsplasser. Det vil faktisk skape tilgjengelighet til områder som i dag ikke er tilgjengelige langs kysten.
står, som det framgår av innstillingen, sammen med flertallet i denne saken – sammen om ikke å støtte forslaget som er Det har vært mange debatter om strandsonen og forvaltningen av strandsonen i salen her de siste årene. Det er ikke uten grunn, for det er spørsmål som vekker stor oppmerksomhet og stort engasjement blant folk. Ja, det er viktig med lokalt selvstyre. Ja, det er viktig med lokal frihet til å bestemme innenfor ansvarlige rammer. Men det vil også være slik – ikke minst i miljøpolitikken, men også på andre områder – at et godt demokrati bestandig vil være et samvirke, en balanse, mellom lokalt selvstyre og nasjonal politikk. Ja, for det er jo riktig at det er mange kommuner, både på Sørlandet og i andre deler av landet, som har bygd ut mindre enn 50 pst. av sin strandsone og har relativt store ubebygde områder igjen. Men så lenge den utbyggingen bare fortsetter, som det jo faktisk er rom for å gjøre med dagens regelverk, er det bare et tidsspørsmål før man har bygd over 50 pst., før man har bygd over 60 pst., og før man har bygd 70 og 80 pst. Så lenge man spiser av et eple, blir det mindre og mindre igjen av eplet. Så enkelt er det. Og derfor må på en måte strandsonepolitikken ta det inn over seg. For spørsmål om demokrati i forvaltningen av strandsonen er ikke bare et spørsmål om balanse mellom nasjonale myndigheter og lokale myndigheter. Det er også et spørsmål om balanse mellom dagens befolkning og de generasjonene som kommer etter oss. For vi kan, gjennom å slippe dette for fritt, ødelegge handlefriheten for de generasjonene som kommer etter oss. Det er også et faktum at lokaldemokratiet har sine utfordringer når det gjelder arealplanlegging. Det kan være så enkelt som at et kommunestyreflertall i en kommune i en periode ønsker å bygge ut den sørlige delen av kystsonen sin, mens kommunestyret i perioden etterpå ønsker å bygge ut den nordlige delen av kystsonen og har et annet syn på det. Og sånn kan man fortsette å spise opp en strandsone år for år, periode for periode. Derfor er det, og skal det være, en balanse mellom nasjonal politikk og lokalt selvstyre i strandsonespørsmål. Det er veldig viktig at det er nasjonale retningslinjer, og at politikken brukes for å ivareta
Neste taler er

Men la meg bare si det generelle, som jeg har sagt gjentatte ganger her – jeg er helt sikker på at fylkesmennene hører veldig nøye etter – og det er at min innstilling er at man skal være veldig restriktiv der det dreier seg om å privatisere nye områder som er allment tilgjengelige – hindre dem i å bli alminnelig brukt av folk flest – mens man kan være langt mer liberal på små endringer der det bebyggelse, der det dreier seg om fasadeendringer, små tilbygg, små endringer, der man ikke privatiserer områder som har vært tilgjengelige for allmennheten. Der kan man være langt mer liberal. Nå snakker vi altså om de tett utbygde områdene langs Oslofjorden og andre steder. Så har flere henvist til partisekretær Raymond Johansen. La meg da få si at jeg har jeg var sammen med ham senest i helgen – så jeg påberoper meg retten til å vite mer om hva Raymond Johansen mener enn Fremskrittspartiet og Høyre gjør. Jeg er helt sikker på at det han sa, var nøyaktig det regjeringen nå gjør – nemlig at vi legger opp til en differensiert politikk hvor vi skal gå grundig gjennom disse kommunene i Nord-Rogaland og Hordaland, også Farsund og Flekkefjord, som Skumsvoll er veldig engasjert i, og noen kommuner i Sør-Trøndelag – det er de kommunene som mener seg feilplassert. Vi skal finne ut hvordan de skal håndteres i det nye, differensierte systemet, også om mulighetene for eventuelt å se på forskjeller mellom disse kommunene og innad i de kommunene. Så må jeg bare til slutt si at det ble hevdet at i de færreste av sørlandskommunene er over halvparten nedbygd. La oss ikke da glemme at også på sørlandskysten er det fundamentale forskjeller mellom områder som både er attraktive for allmennheten og attraktive for hyttebygging, og områder som ikke er attraktive for noen av delene, av forskjellige årsaker. Verdens Gang har en gang regnet ut at en eiendom som min familie hadde oppe i Gudbrandsdalen, var verdt 800 mill. kr, hvis ikke jeg husker beløpet Verdens Gang hadde funnet ut, feil. Det var på basis av at hvis vi kunne selge hyttetomter på baksiden av Gudbrandsdalslågen, nede ved Lågen, der hvor ikke en solstråle har vist seg siden Adam og Evas tid, for samme pris som man kan selge hyttetomter i Hafjell, hvor vi ikke har noen eiendom, så ville vår skogseiendom i Gudbrandsdalen være verdt 800 mill. kr. Men det regnestykket går ikke helt i hop, for man skal være ganske god i salg for å få solgt en tomt på baksiden av dalen, nede ved Lågen for samme pris som der det er attraktivt – nemlig i Hafjell. Samme resonnement gjør seg selvfølgelig gjeldende langs kysten. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4. Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til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

hovudsak går forslagsstillarane inn for å auke kompetanseutvikling og -utveksling i kommunane for å gjere dei i stand til å følgje opp nasjonale mål på miljø- og klimaområdet. Forslagsstillarane legg vekt på bevaring av biologisk mangfald, jordvern, bevaring av friluftsområde, tilgang på grøne lunger, opprydding av forureina grunn, lokal luftforureining, avfall og og dei meiner at kommunane i større grad må rustast til å løyse desse oppgåvene lokalt. Kommunane er med på å forvalte all natur i Noreg. Kommuneforvaltninga skal bidra til å gjennomføre både lokal og nasjonal miljøpolitikk. Kommunane har mange roller og mange verkemiddel for t.d. å få ned klimagassutsleppa i Noreg. Dei er politiske aktørar, dei er tenesteytarar, dei er dei er eigedomsinnehavarar, og dei er ansvarlege for gode stader å leve på for befolkninga. Derfor kan dei bidra betydeleg til å få ned utsleppa av klimagassar både i eiga drift gjennom å stille strenge krav som innkjøparar, og gjennom å påverke andre aktørar. Dei kan i særleg grad påverke utslepp frå transport, avfallsfyllingar, stasjonær energibruk og landbruk. Kommunane sit med mange av nøklane for å nå desse måla. Vi må auke bevisstheita om naturmangfald for å skape forståing for dei tiltaka som trengst for å nå nasjonale og internasjonale mål. Som forslagsstillarane er òg regjeringa oppteken av at kommunane skal vere i stand til å fylle den rolla. Derfor har regjeringa hatt fokus på nettopp miljø- og klimaarbeid i kommunane. I innstillinga nemner ein følgjande døme: Gjennom programmet «Framtidens byer» samarbeider staten og Noregs 13 største byar om å redusere klimagassutsleppa og gjere byane meir miljøvennlege. Gjennom erfaringsutveksling med andre byar og samarbeid med både stat, næringsliv og innbyggjarar skal byane bli grønare. I «Framtidens byer» er klimavennlege produkt kvardagslege, kollektivreiser vanlegare og lufta reinare. I programmet «Livskraftige kommuner» har 200 kommunar arbeidd i læringsnettverk med andre kommunar. Dei gode råda og erfaringane som blir utveksla, handlar om alt frå korleis kjempebjørnekjeks kan slåast tilbake, til avfallshandtering og energieffektivisering. Programmet er knytt saman med prosjektet som fokuserer på energieffektivisering og bruk av grøn energi for å få ned utsleppa. I tillegg har Kommunal- og regionaldepartementet finansiert klima- og energikurs for kommunane sidan 2007. I tillegg er det sett av midlar til opplæring i den nye plan- og bygningslova. Rettleiarrolla som direktorat, fylkesmenn og fylkeskommunar har overfor kommunane, skal Fylkesmennene har i oppgåve å hjelpe kommunane med utvikling av robuste, interkommunale fagmiljø på plan- og miljøområdet. Regjeringa har fokusert sterkt på kommunane si rolle i miljø- og klimadugnaden. Utan kommunane sin innsats, når vi ikkje måla. Derfor har regjeringa lagt vekt på kompetanseutvikling og -utveksling i kommunane – og skal meiner at representantforslaget sitt ibuande ynske er vareteke gjennom regjeringa sin politikk. Fleirtalet si innstilling er derfor at forslaget blir Kommunane er heilt avgjerande, sentrale aktørar om vi skal nå våre overordna nasjonale mål. Det gjeld på klima- og miljøområdet så vel som Derfor må kommunane ha ressursar, dei må ha kompetanse, vilje og evne til å vareta miljøområdet på ein god måte. Det dreier seg om alt frå arealplanlegging, renovasjon, avfallshandtering, varetaking av det biologiske utslepp av klimagassar osv. Staten har sjølvsagt eit ansvar – ikkje berre for å trekkje opp nasjonale overordna mål, vedta nye lover, retningslinjer og krav, men òg for å hjelpe – og rettleie – kommunane med å handtere desse miljøoppgåvene. I mi tid som kommunepolitikar at staten sette inn øyremerkte tilskot for oppretting av miljøkonsulentar. Så her blei det mange arbeidsplassar for nyutdanna høgskulekandidatar innanfor eit område som då ikkje var så stort, men som seinare har vakse nokså formidabelt – både i direktorat, departement og fylkeskommune, og hos fylkesmenn. Men desse miljøkonsulentane fekk sanneleg òg sett miljøarbeidet på dagsordenen, og fekk fokusert på det rundt om i norske kommunar. Etter det har det òg vore eit utstrakt samarbeid mellom stat og kommune med de 13 største byane om å redusere klimagassutsleppa og gjere byane meir miljøvennlege. Her står jo transportsektoren for ein sentral del. Og her har Samferdselsdepartementet og transportmyndigheitene, samferdselsmyndigheitene,

får innført krav om fjernvarmeanlegg osv., er det mykje å hente på det området. Enova finansierer ein god del tiltak. Det er òg verkemiddel for å styrkje kommunanes plan- og miljøkompetanse som blir vurderte i budsjettarbeidet for bra, men det aller viktigaste er jo at vi har ein god rammeøkonomi for kommunesektoren, der ein har moglegheit til å kunne gjere eit godt arbeid på dette området, og at miljøomsynet blir ein integrert del av all verksemda i kommunen. Høyre støtter Venstres forslag. Norske kommuner trenger tilstrekkelig med ressurser, kunnskap og

De færreste av norske kommuner har det i dag. De største kommunene har muligheter til å utarbeide og følge opp en offensiv, faglig forankret miljø- og klimapolitikk. Oslo er et godt eksempel på en stor kommune med svært ambisiøse klimamål og gode resultater å vise til. Den norske gjennomsnittskommunen er imidlertid liten målt i antall innbyggere, men stor målt i antall kvadratmeter hver av dem kan boltre seg på. Det gjør det faglig og ressursmessig krevende å ivareta nasjonale mål som bevaring av biologisk mangfold, jordvern, friluftsområder, opprydding av forurenset grunn, luftforurensing, avfallshåndtering og klimagassutslipp. De fleste av miljøutfordringene i Norge må finne sin lokale løsning. Derfor er det avgjørende at vi setter kommunene i stand til å gjøre den jobben på en god måte. I påvente av den kommunereformen mange av oss kan være enige om at er en forutsetning for å styrke og videreutvikle det lokale selvstyret, er Venstres forslag riktig og nødvendig. I Oslo ser vi hva som er mulig å få til dersom kommunen har ressurstilfang og politisk prioritering av klima- og miljøarbeid. Klimagassutslippene skal kuttes med 50 pst. innen 2030. Det er et ambisiøst mål som krever ambisiøse tiltak. Kommunens 750 virksomheter er i ferd med å bli miljøsertifisert. Oljefyring vil være faset ut av alle kommunale bygg innen 2012. Fjernvarmeproduksjonen er doblet, og biogass- og biogjødselproduksjon er under etablering, basert på husholdningenes matavfall og kloakk. På Skøyen i Oslo er det 5 000 boliger som får varme og varmtvann basert på spillvarme i hovedkloakken. Stort mer kretsløpsbasert blir det vel neppe. I Bjørvika skal det etableres fjordvarme som vil kjøle byggene om sommeren og varme dem om vinteren. gjenåpnes. Fjorden har aldri vært renere enn i år. Vannet i springen renses i et splitter nytt vannrenseanlegg på Oset, og marka rundt byen er ivaretatt på naturens premisser helt siden Christiania kjøpte sine første skoger på 1800-tallet. Med en vekst på 10 000–15 000 mennesker i året praktiserer Oslo en miljøvennlig fortettingspolitikk rundt kollektivknutepunkt, ikke minst illustrert gjennom fortettingen ved Norges største kollektivknutepunkt, Oslo S. Det må være en viktig og riktig prioritering å sette kommunene i stand til å kartlegge lokale miljøutfordringer, enten det er forurenset grunn eller vann, avfallshåndtering eller registrering av naturtyper. Like viktig er det å gi kommunene verktøy til å følge opp i praksis. Den som står nærmest problemet, er ofte den som er best egnet til å løse det – så også med kommunene i Norge. i klimaforliket om å kutte utslippene i Norge med 15–17 millioner tonn CO2 innen 2020 – og det har jeg gjort nokså klart her i dag at Høyre stiller seg bak – er vi helt nødt til å handle på bred front. I dag er det de store kommunene som går foran og viser vei i mange viktige spørsmål, mens staten og regjeringen lunter etter. Vi bør la alle kommunene få mulighet til å være med og dra lasset.
Neste taler er Erling Sande, deretter Snorre Serigstad Valen

Samtidig synes jeg at vi skal unngå at en fra sentrale myndigheters side ender opp med å legge stadig mer press på kommunene i klimaarbeidet, mens regjeringen selv utsetter sin klimamelding og ikke minst overfor f.eks. Lindås kommune ødelegger fullstendig ethvert forsøk på å få et normalt CO2-regnskap etter at regjeringen har skrinlagt Mongstad-prosjektet. Samtidig er det viktig at en gjør kommunene i stand til å utføre de oppgavene som er fornuftige, og ikke minst at en gjør kommunene i stand til å utføre de oppgavene som sentrale myndigheter pålegger dem å gjøre. Vi kan ikke ha det sånn at en nasjonalt ikke klarer å forplikte seg til noe, ikke legger fram helhetlige stortingsmeldinger fordi en venter på utenlandske prosesser, samtidig som en forventer at en kommunalt har framdrift på disse områdene og gjør vedtak nærmest koste hva de koste vil. Fremskrittspartiet har derfor en merknad i denne innstillingen der vi ber om at Miljøverndepartementet sørger for at klimaplaner som nå lages i kommunene, blir evaluert – ikke nødvendigvis samtlige, men at et representativt utvalg av tilfeldige kommuner blir gjennomgått for å se at de planene som er lagt til grunn, og som det er blitt brukt mye tid på i mange kommuner, faktisk gir noe igjen, at ikke dette blir byråkratiske oppgaver som en gjennomfører uten at en egentlig får så mye igjen for de pengene og den tiden som lokale politikere bruker. Fra Fremskrittspartiets side mener vi det er, hvis en skal kutte CO2-utslippet og ta den delen av forslaget, en nasjonal og ikke minst global tilnærming som må til. Det å legge et stort press på kommunene har relativt liten nytte i forhold til hva de faktisk kan påvirke. Jeg vil også påpeke at det er mange områder der en fra sentrale myndigheter har store gap. For eksempel handler det om noe så enkelt som innkjøp av strøm, der alle i denne salen er veldig glad for at vi har fornybar energi i Norge, og mange tar avstand fra kjernekraft, og gasskraft også er svært problematisk, men det er veldig få statlige bedrifter eller kontorer som kjøper strøm med opprinnelsesgaranti. Sånne tiltak ville gjort regjeringens krav mer troverdige, når de er ute og forteller kommunene hva de skal gjøre, for da har man i hvert fall gått foran som et godt eksempel gode eksempelet mangler mange steder. Regjeringen er veldig flink til å stille krav til kommunene uten å levere på egen hånd. Men alt i alt: Det er i kommunenes egeninteresse og i nasjonal interesse at en bruker sine energi- og miljøressurser på en god måte, og det å gjøre kommunene i stand til dette er noe også Fremskrittspartiet støtter. Alle utslipp er lokale. Det kan virke som en klisjé, men likevel er det all grunn til å slå dette fast ved enhver passende anledning, og dette er jo en passende anledning. For det mangler ikke på politiske aktører som mener at hva vi gjør i Norge, er ubetydelig fordi det finnes så mye større utslipp andre steder. Det kan jo alle si. Alle vil kunne peke på noen andre, som er større eller slipper ut mer – nabolandet vårt, nabokommunen vår, den andre fabrikken, butikken over gata. Derfor er det så viktig også å fokusere på kommunenes rolle i miljøarbeidet og i klimaarbeidet. Derfor er også eksempler som Arendal så oppløftende en kommune som har satt seg som mål å bli klimanøytral i løpet av 2017, hvis jeg ikke husker feil, og de ligger an til å lykkes. Sånne eksempler synliggjør handlingsrommet kommuner har allerede i dag for å ta grep for miljø og klima, og hvilket potensial som ligger i offentlig sektor i Norge, som utgjør mange millioner tonn med CO2. Ofte er en sånn innsats også lønnsom. Det er ikke bare klima og natur som vil tjene på mer energisparing f.eks., det gjør også den som sparer. Jeg deltok selv på miljøarbeiderkonferansen i Sør-Trøndelag i regi av fylkesmannen i Sør-Trøndelag i mars i år, som samler miljøarbeidere fra alle kommunene i fylket. Bredden i arbeidsoppgavene deres er stor, og mengden utfordringer desto større. er variert og bred, som den må være, men mange føler seg nok litt alene til tider og føler behov for mer oppfølging. Derfor er det også gledelig at Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning vil styrke sitt arbeid med tilrettelegging, oppfølging og veiledning av kommunene som miljøvernmyndighet. Miljøverndepartementet vil på sin side styrke fokuset på miljøet i Det er en viktig debatt Venstre tar opp med dette forslaget. Derfor føler jeg meg også trygg på at regjeringen kommer til å vurdere ulike virkemidler for å styrke miljøkompetansen i kommunene i prosessen med statsbudsjettet som kommer til neste år. De nasjonale målsettingene og ambisjonene i miljøpolitikken, for ikke å si de internasjonale, har økt kraftig de siste tiårene, etter hvert som vi har blitt klar over størrelsen og dimensjonene på de utfordringene vi står overfor. Det gjelder på klimaområdet, der vi gradvis, i løpet av flere tiår, har sett at alvoret er enda større enn man først hadde trodd, at endringene skjer raskere enn man tidligere har trodd. Tilsvarende, uten at det har vært like mye oppmerksomhet om det, ser vi også at utfordringene for økosystemene gjennom endringer og reduksjon av artsmangfoldet representerer en minst like stor utfordring. Til sammen utfordrer dette all verdens land – til store grep, nasjonale handlingsplaner og en radikal politikk på mange områder. Til sjuende og sist skal de ulike tiltakene gjennomføres i lokalsamfunn, i lokalmiljø, i kommuner. Det er ikke alle beslutningene som fattes lokalt, men mange viktige beslutninger fattes lokalt. De skal tilrettelegges, og man bærer konsekvensene av beslutningene lokalt. Hver eneste dag tas det beslutninger i norske kommuner, det jobbes med langsiktige arealplaner, andre typer planer, som legger føringer for utslippsmønster og belastning på arealene og arealbruk for Nettopp derfor er kommunene så viktige i miljøpolitikken og for å realisere de ambisjonene vi har. Så har vi ikke bare klimaet og biologisk mangfold som utfordringer, men vi har, som forslagsstillerne også peker på, jordvern, bevaring av friluftsområder, tilgang på grønne lunger, opprydding av forurenset grunn, vi har lokal forurensning og ikke minst også avfallspolitikken. På alle disse områdene spiller lokale myndigheter en viktig rolle. Derfor mener Kristelig Folkeparti at det er behov for større oppmerksomhet omkring kommunenes rolle og potensial i miljøpolitikken. Statsråden viser i sitt svarbrev til ulike tiltak som allerede er i Statsråden viser i sitt svarbrev til ulike tiltak som allerede er i gang og har vært i gang over tid på dette området, for å styrke kommunene. Kristelig Folkeparti mener imidlertid at det er behov for en enda mer dedikert innsats på dette området, og at det er behov for tiltak, som det forslagsstillerne har pekt på i forslaget som er fremmet fra Venstre. På den bakgrunn tar jeg opp det forslaget som Kristelig Folkeparti er med på i innstillingen. Representanten Øyvind Håbrekke har tatt opp det forslaget han refererte til. Innledningsvis vil jeg takke Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti

Det er en styrke for miljø- og klimaarbeidet og lokaldemokratiet dersom man i større grad ruster kommunene til å løse miljøutfordringene lokalt. Derfor ønsker Venstre at mest mulig av kompetansen innenfor dette feltet skal ha lokal forankring. Det har vi fått kunnskap om ikke er tilfellet i dag, og verst stilt er de små kommunene. Jeg er glad for den positive ordlyden i brevet fra statsråden, der han sier at han vil se på andre mulige virkemidler for å styrke kommunenes plan for miljøkompetanse i forbindelse med Jeg stiller meg mer undrende til flertallet i komiteen, som viser til Enova som vil avvikle direktestøtten til energi- og klimaplaner, når det nå blir pliktig å utarbeide slike planer. For kommuner som ennå ikke har kommet i gang med arbeidet, er siste frist for innsending til statsstøtte satt til 1. juli 2010. Når vi ser på Enovas hjemmesider, ser vi at kun 160 kommuner har utarbeidet energi- og klimaplan. 239 har gjort vedtak om å utarbeide en plan, mens i 32 kommuner er status ukjent eller uten vedtak om plan. Igjen er det de minste kommunene som henger etter – uten at vi skal ta debatten om store og små kommuner her. Jeg har også inntrykk av at det i hovedsak dreier seg om energiplaner og mindre om klimaplaner, som kommunene har utarbeidet – uten at jeg har noe godt statistisk belegg for å mene sterkt om dette. Avslutningsvis: Venstre er glad for den støtten vi føler i denne saken, og ser fram til initiativ fra regjeringen i budsjettet for 2011. Regjeringen deler Borghild Tendens hensikt, nemlig å få kommunene til å være mer aktive, gjøre mer i klimaarbeid og miljøpolitikk mer generelt. Vi tror det er positivt at det legges vekt på det, og som mange av talerne i debatten har sagt, er det jo lokalt og konkret utslippene foregår – ikke i en slags abstrakt verden der ute. En må ta tak i det der det foregår, og kommunene er veldig viktige aktører. Det pågår jo allerede en serie prosesser som har et skjæringspunkt mot det som her foreslås. Vi har programmet «Framtidens byer», hvor de 13 største byene er aktive – det gjøres mye der. Astrup hadde en god start på kommunevalgkampen med en gjennomgang av hva som gjøres i Oslo, men det gjøres mye bra arbeid både i Oslo og i de andre kommunene på mange områder. Vi har programmet «Livskraftige kommuner», hvor langt flere kommuner er med, og det er en serie andre tiltak. Det er sendt ut statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene, hvor veldig mange kommuner har fulgt opp med egne planer. Selv om det ofte er et betydelig antall kommuner som ikke er med, er det klart at de kommunene som er med, dekker den altoverveiende delen av befolkningen – og også av utslippene. Kommunene har stor innflytelse på en serie sider ved klimapolitikken: Arealplanlegging – jeg kommer tilbake til kjøpesentre ganske snart, men det er på det – kollektivtrafikk er et annet eksempel. Energiforsyning, både kommunens egen energibruk og tilrettelegging for innbyggerne, er et annet område. Ganske snart kommer klimatilpasningsutvalgets innstilling, og kommunene vil få klare oppgaver der også. Til slutt vil jeg peke på et tema som jeg mener det er viktig å ta tak i. Det er at vi ikke kan ha det sånn at hver gang det kommer nye og viktige oppgaver, skal det nødvendigvis være slik at alle aktører skal gjøre alt de gjorde før, så kommer dette på toppen, og de skal ha nye penger for å gjøre det. Jeg hadde for ikke lenge siden en god meningsutveksling med noen av mine meget gode venner i Den at Den norske kirke skulle bli en veldig viktig klimapolitisk aktør. Men forutsetningen var at staten bidro med penger, slik at de kunne få noen stillinger for å gjøre dette. Det må være mulig for Den norske kirke, innenfor rammen av de svære bevilgningene de har, og alle de stillingene de har, å se på om ikke noe av det kan brukes på klimaområdet. Så gikk det ikke lenge før jeg møtte noen fra LO, og jammen var det akkurat det samme budskapet der også. LO skulle også bli veldig aktive på området – så sant de kunne få statlige bevilgninger til å gjøre noe. man folk fra næringslivet, er det langt fra sjelden å høre det samme, at også de skal gjøre en hel masse på klimaområdet så sant staten betaler for det – og nå er det kommunene. Det er altså ikke slik at klima kommer på toppen av alt annet man gjør her i verden, som en ny utfordring. Klima er en av de mest sentrale eller kanskje den mest sentrale utfordring som menneskeheten står overfor, helt avgjørende å ta tak i for alle, enten det er Kirken, fagbevegelsen, næringslivet eller kommunene. Det kan ikke være slik at man skal gjøre alt akkurat som før – på den gamle måten – og få ekstrabevilgning før man begynner å gjøre noe på klimaområdet. Når jeg sier dette, er det fordi vi må se på alle støtteordningene vi har, og hvordan vi kan bidra til at de blir mer effektive, og se på alle retningslinjene som kommer fra statlig hold. Men vi skal være forsiktige med å lage nye systemer som først og fremst har den effekt at ting man likevel ville ha gjort,

dels i at større kommuner som har et svært apparat, og som ofte gjør utredninger som i praksis også vil angå nabokommunene, kan stille det til rådighet, og at fylkeskommunene og det statlige apparatet må kunne stille kompetanse, personer og mer kunnskap til rådighet for de minste kommunene. Det er jo selvfølgelig også et spørsmål om politisk vilje, men det er i veldig stor grad spørsmål om størrelsen på kommunene når det gjelder evnen til å ta tak i disse problemene. Jeg tar gjerne en replikk til mens jeg først står her. Vil miljøvernministeren bidra med noe – altså incentivordninger – i forbindelse med budsjettet til høsten for å få litt mer lokal forankring og litt mer kunnskaper ut i kommunene om dette viktige Hva vi konkret skal bidra med i budsjettet, kan jeg selvfølgelig ikke si nå. Det finnes mange ordninger allerede, og vi skal se på behovet for eventuelt nye, men jeg avviser den tanken at man alltid må ha nye penger for å gjøre noe. Ofte dreier det seg om på en fleksibel måte å bruke alle de ressursene som er der, ved at de større kommunene hjelper de mindre, ved at kommuner går sammen om kunnskap, og at stat og fylkeskommune kan bidra til å hjelpe de mindre kommunene. Men det er et helt reelt problem som representanten peker på, at mange mindre kommuner ikke har apparat, kunnskap og kompetanse nok til virkelig å ta tak i utfordringene. Det er jo fullt mulig å være enig med Erik Solheim i at ikke alle oppgaver skal få kastet nye, friske penger etter seg. Det går jo også an å tenke seg at kommuner fikk beholde litt mer av sine egne skatteinntekter – at det var en mulig finansieringsmodell. Men for å følge opp spørsmålet fra Tolker jeg deg rett hvis jeg tolker deg dit hen at større kommuner hadde lyktes bedre i klimaarbeidet? Vil statsråden være enig i at det kunne være en fordel med færre og større kommuner i Norge? Presidenten må minne om at all tale skal rettes til presidenten, selv om jeg registrerte at representanten forbedret seg underveis. Jeg tror jeg har gleden av å kunne få lov til å si at det er noen spørsmål jeg er veldig glad for å slippe å ha så mange meninger om, og dette er et av dem. Jeg tror ikke jeg skal ha noen sterke meninger om kommunesammenslåing nå. Jeg registrerer at noen kommuner slår seg sammen frivillig – som Vindafjord og Ølen, som frivillig har slått seg sammen. Jeg hørte det også var folkeavstemning i Nord-Trøndelag, med en tilsvarende prosess. Det er selvsagt noe man bare kan applaudere. det er fornuftig å ha en større kommunesammenslåingsprosess, skal jeg ikke ha noen veldig sterke oppfatninger om, men det er klart at det er reelt at små kommuner i seg selv ikke kan besitte tilstrekkelig kompetanse om energispørsmål eller kommuneplanlegging for klimaendring, når kommunene bare har noen få hundre innbyggere. Da må man søke den andre steder – i samarbeid med andre kommuner eller få den fra staten.

Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til statsråden. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil fem replikker med svar etter innlegget fra statsråden innenfor den fordelte taletid.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

Riksantikvaren er gitt i ansvar av storting og regjering å ta vare på nasjonale kulturminneverdier. Gjennom lov om kulturminner har riksantikvaren bl.a. myndighet til å frede bygninger og anlegg. Disse fredningsvedtakene og andre vedtak etter kulturminneloven følger forvaltningslovens regler om varsling, begrunnelse og klageadgang. Alle vedtak kan etter dette klages inn for Miljøverndepartementet, som er overordnet riksantikvaren, og vil derfor kunne bli utsatt for et politisk skjønn i siste instans. Det er derfor sterkt misvisende når det framstilles som om riksantikvaren ikke er underlagt demokratisk kontroll og politisk styring. Riksantikvaren har også innsigelsesrett etter plan- og bygningsloven når det gjelder kommunens arealplaner. Dette er helt ordinær saksgang. Også på dette området er det slik at dersom kommune og riksantikvar ikke kommer til enighet, er det Miljøverndepartementet som fatter en endelig avgjørelse. er et tungt samfunnsansvar. Å sikre verdier av nasjonal verdi krever sterke virkemidler og vil kunne innebære konflikt med lokale interesser. Vi har tilsvarende situasjoner på en rekke områder i samfunnet, naturvern, strandvern – som vi diskuterte tidligere i salen – landbruk, bare for å nevne noen. Riksantikvaren skal påpeke om kulturhistoriske hensyn ikke er ivaretatt. Det er riksantikvarens jobb å gjøre det, en jobb og et oppdrag som Det norske storting og regjeringen har gitt embetet. Den jobben mener jeg riksantikvaren gjør på en forbilledlig og god måte. Når riksantikvaren benytter seg av innsigelsesretten, er det i tråd med det oppdrag som er gitt av Det norske storting. Å være politisk uenig i en sak er en ærlig sak. Å søke å straffe et offentlig embete for å gjøre jobben sin fordi man er politisk uenig, er imidlertid både uryddig og i grenseland for hva man mener bør kjennetegne et åpent og velfungerende demokrati. Av den grunn må jeg si jeg reagerer ganske kraftig når jeg ser at Fremskrittspartiet i kjølvannet av enkelte konkrete saker der de er uenige, søker å Politikere som ikke takler kritikk og ulike synspunkt, er etter min mening svært dårlige beslutningstakere. Vi i de rød-grønne mener at riksantikvaren har en svært viktig, om ikke alltid like populær jobb. Som nasjon er det viktig å verne om sin historie. Vår historie er vår nasjonale forankring både på godt og vondt. Nettopp på dette området er vern om kulturminner svært sentralt. En nasjon som ikke tar seg råd til å hensynta sentrale kulturminner som historisk forankring for ettertiden, vil også over tid bli en fattig nasjon. Vi i de rød-grønne vil bygge opp under det faktum at Norge også i framtiden skal være en rik nasjon på mer enn materielle verdier. Vi vil også verne vår rike historie og vår felles kulturelle forankring. Av den grunn er vi takknemlig for den viktige jobben som riksantikvaren gjør i vårt samfunn. Av den grunn støtter vi ikke det forslaget som behandles her i dag. Jeg vil begynne med å påpeke at representantforslaget i Dokument 8:115 S for 2009–2010 er for å lede oppmerksomheten mot å styrke det lokale selvstyret av areal- og planarbeidet i kommunene. Skal interessen for lokaldemokratiet styrkes og vitaliseres, er det helt avgjørende at lokalpolitikerne får større makt og innflytelse over kommunens saker. Arealsaker peker seg ut som det mest konfliktfylte og er et område hvor overordnede myndigheter til stadighet setter til side enstemmige kommunale vedtak. Plan- og bygningsloven er grunnpilaren for all kommunal planlegging. Den gir klare retningslinjer som politikerne må forholde seg til. Dette burde være tilstrekkelig for å få en god forvaltning av kommunenes egne arealer. I forbindelse med utbyggingen av deler av Bjørvika i Oslo, reguleringsplanen for Bygdøy natur- og folkepark samt byggingen av nytt rådhus i Tønsberg har riksantikvaren reist innsigelser mot planarbeidene. Dette forsinker fremdriften og har som regel et ikke ubetydelig kostnadselement i seg. For Fremskrittspartiet er det viktig å begrense den statlige forvaltningens muligheter til å overstyre demokratisk fattede lokale vedtak. Fremskrittspartiet mener f.eks. at riksantikvaren burde være mye mer restriktiv i utøvelsen av sine rettigheter gjennom protester overfor lokaldemokratiet. Sektororganer får lett en skjevhet mot sine virkeområder uten å vurdere helheten i saken – som de kommunale politikere alltid må gjøre. Når kommunale vedtak fattes, gjerne enstemmig, representerer disse vedtak også kommunens innbyggere. Innsigelser som medfører store endringer i planer og prosjekter, gjør at respekten for overordnede sektormyndigheter stadig minker, og interessen for lokalpolitikk blir lidende. Statlige sektororgan på fylkesnivå utøver sin makt uten tilhørighet til politiske vedtak. Tidligere måtte f.eks. fylkesmannens miljøvernavdeling, veg- og landbruksmyndigheter legge fram sakene for sine politiske utvalg. Dette er ikke tilfellet lenger. Nå er det byråkrater som helt og holdent vurderer om det i saker som er fremlagt, skal reises innsigelser. Rikspolitiske retningslinjer legger føringer som lokalpolitikerne ikke kan gjøre noe med. Når innsigelser er reist, blir nabofylkets miljøvernavdeling satt til å behandle søknaden som kollegaer i nabofylket har Utfallet blir i de aller fleste saker som innsigelsen. Deretter kan saken lande hos Miljøverndepartementet. Selv om departementet ledes av statsråden, er det byråkrater som ved korte og flyktige besøk kommer med sine endelige vedtak som ikke kan ankes videre. Fremskrittspartiet vil fortsette å arbeide for at lokaldemokratiet skal styrkes. I Aftenposten fra 3. februar er det et stort oppslag på førstesiden med bilde av statsminister Stoltenberg, kunnskapsminister Halvorsen og kommunalminister Navarsete. Teksten sier at nå vil disse tre ha gode ideer og tips fra eksperter, gründere og mannen i gata. Lokalpolitikernes kunnskaper, erfaring og gode ideer og råd ser ikke ut til å ha stor interesse for regjeringens ledelse når disse ikke er nevnt med et ord i det store oppslaget. av kommunale vedtak fra statlige organer er nok den retningen regjeringen ønsker det. Til slutt tar jeg opp fellesforslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre. Representanten Henning Skumsvoll har tatt opp det forslaget han refererte til. Riksantikvaren har viktige oppgaver som Miljøverndepartementets fagdirektorat på kulturminnefeltet. Dette er i mange tilfeller oppgaver som det er

Der er jeg enig med saksordfører Eirin Kristin Sund. Derfor ønsker Høyre en sterk riksantikvar. Men like viktig er det lokale selvstyret. For Høyre er det et mål at flest mulig beslutninger fattes nærmest mulig dem det angår. Derfor ønsker vi å styrke det lokale selvstyret og lokaldemokratiet. Ideelt sett burde vi ha færre og større kommuner i Norge, som på den måten vil ha en størrelse og et ressursgrunnlag som gjør det mulig å overføre flere oppgaver til kommunene. Det vil styrke interessen for lokaldemokratiet, men også sørge for lokale løsninger på lokale utfordringer. Statlig overstyring medfører alltid en risiko for at det fattes prinsippbeslutninger som passer godt i teorien, men som egner seg mindre bra i praksis. Et sterkt lokaldemokrati gir bedre offentlige tjenester og arealplaner med lokal forankring og tilslutning. Derfor har Høyre et restriktivt syn på den statlige forvaltningens muligheter til å overstyre demokratisk fattede lokale vedtak. Dette gjelder også riksantikvaren. Høyre mener den statlige miljø- og arealforvaltningen bør reformeres. Det er behov for bedre balanse mellom statlige og lokale myndigheter, der hensynet til enkeltpersoner og lokalsamfunn ivaretas bedre enn i dag. Derfor er det vår mening at statens bruk av innsigelse må begrenses til der det er absolutt nødvendig av hensyn til overordnede nasjonale med andre ord at riksantikvaren kan bruke innsigelsesretten der areal eller planforslag er i strid med bestemmelser i lov, forskrift, overordnet plan eller nasjonale mål vedtatt av Stortinget. I realiteten ser vi at riksantikvaren engasjerer seg sterkt langt utover de rammene jeg antyder her. Det finnes en rekke enkelteksempler på at lokaldemokratiet overkjøres i saker som må sies å ligge helt i ytterkant av riksantikvarens mandat for å engasjere seg. I Oslo har vi sett flere slike saker den siste tiden. Riksantikvaren bør dessuten se mer kritisk på hva som bør vernes. Vi har eksempler på at selv 1970-tallsbygninger er fredet, til tross for at de fleste nok vil oppfatte den kulturhistoriske verdien som begrenset. Det samme gjelder fredning av infrastruktur. Dagens sak handler imidlertid mindre om enkeltsaker og mer om den prinsipielle tilnærmingen vi skal ha til statlige innsigelser generelt og riksantikvarens rolle spesielt. Hvordan man velger å se på forholdet mellom statlig overstyring og lokal selvråderett, handler om grunnleggende samfunnssyn. Høyre har alltid kjempet for et samfunn bygget nedenfra. Det er gode mennesker som skaper et godt samfunn, ikke samfunnet som skaper gode mennesker. I dette ligger kjernen i Høyres forsvar for det sterke lokaldemokratiet, tuftet på frie, ansvarsfulle menneskers innsats og engasjement. I dette ligger vår skepsis mot den erosjonen i den lokale selvråderetten som statlige innsigelser representerer. Derfor ønsker Høyre at riksantikvarens mandat, fullmakt og rolle skal opp til vurdering. Som statsråden har slått fast i svaret sitt til komiteen, er fleire av påstandane som representantforslaget er grunna på, direkte feil. Som direktorat for kulturminneforvaltingar er riksantikvaren si rolle fastsett i m.a. plan- og bygningslova. Som alle andre direktorat er også riksantikvaren underlagd politisk styring, og sånn skal det òg vere. Så kan ein vere einig eller ueinig i dei innstillingane som kjem frå etaten, men det er altså den politiske styringa som står over. Sånn er det i alle delar av samfunnet vårt, i alle etatar. Vi må aldri kome dit at vi skubbar byråkratane framfor oss når det er avgjersler som vi ikkje likar. I så tilfelle er ikkje ordrane tydelege nok, og det er òg eit politisk ansvar. Vi får eit høve til å diskutere litt kulturminnepolitikk no, og det er bra, fordi det brukar vi ikkje mykje nok tid på i denne komiteen, sjølv om vi vitterleg er kulturminnekomiteen. Det er viktig å hugse at kulturminna er ei eineståande kjelde til innsikt, til identitet, til oppleving, og det er Vi forvaltar dei materielle spora etter fortida på vegner av komande generasjonar. For Senterpartiet er den forvaltartankegangen veldig sterk. Vi skal overlate samfunnet i minst like god stand som vi overtok det i. Det gjeld òg for kulturminna. Det er viktig at vår generasjon ikkje forringar kulturarven, og derfor spelar riksantikvaren ei viktig rolle. i kulturminnepolitikken må lokale interesser vegast opp mot dei nasjonale. Derfor finst innsigelsesinstituttet. I kulturminnepolitikken har vi faktisk òg nokre døme der Senterpartiet er glad for at riksantikvaren greip inn, og det er nettopp fordi store og viktige nasjonale interesser har I innstillinga til saka viser Framstegspartiet og Høgre m.a. til at riksantikvaren har kome med innvendingar mot byutviklingsplanar for Bjørvika. For meg er det eigentleg eit godt eksempel på kvifor vi treng riksantikvaren. Bjørvika er eit viktig område for historie og identitet i heile Noreg. Det er ein del av historia til Noreg og ikkje kommune. Om fjorden blir lukka ute, med unntak for nokre få privilegerte, og mellomalderhovudstaden blir oppstykkja og skuggelagd, er det også eit tap for nasjonen, etter Senterpartiet sitt syn. Derfor håpar eg at dei lokale politikarane i Oslo lyftar blikket og tek inn over seg nettopp det, at ein hovudstad også ber med seg historia til Oslo som hovudstad og har betyding òg for folk utover dei som bur og jobbar i denne kommunen. Det har vore fleire tilsvarande døme. Eg trur dei fleste vil vere einige i at utan Bryggen i Bergen hadde ein stor del av Noregs felles historie og arv frå hansatida gått tapt. Utan riksantivaren hadde det sett mørkare ut også for Bryggen i Bergen, som no er på si verdsarvliste. Det er jo fleire enn innbyggjarane i Bergen som er glade for det. Det same gjeld Karl Johans gate her rett framfor oss. Det var riksantikvaren som gjekk imot planane om bygging av høghus langs den gata den gongen, og det var Senterpartiet sin miljøvernminister på alvor. Dersom ikkje hadde kanskje paradegata sett annleis ut enn ho gjer i dag. Så er det slik at det er som regel det beste om dei lokalt fatta vedtaka blir ståande, og det er jo òg det som skjer i dei fleste tilfella. Den gode dialogen er den beste reiskapen. Om riksantikvaren i samarbeid med kommunane set fokus på viktige kulturminne, aukar det òg merksemda lokalt kring verdien av desse kulturminna, og så finn ein ofte ei løysing på utfordringane. Så er det viktig at riksantikvaren er tydeleg på kva som er sentralt, og kva som er perifert. I nokre tilfelle vil det vere slik at riksantikvaren sitt syn vil vike, for då er det andre omsyn – lokalpolitiske omsyn – som veg tyngre, og det vil også vere riktig i De utmerkede innleggene til saksordfører Eirin Kristin Sund og komiteens leder, Erling Sande, dekker mitt syn til fulle. Jeg er veldig overrasket over det som framlegges her – igjen fra Høyre, ikke fra Fremskrittspartiet. Jeg er overrasket over at Høyre slenger seg på dette. Det er et parti som ønsker å framstå med en verdikonservativ profil. Jeg er helt sikker på at veldig mange av partiets kjernevelgere ville reagere sterkt hvis de fikk vite at Høyre slenger seg på et lettvint populistisk innspill fra Fremskrittspartiet, som i tillegg inneholder en rekke feil. Det er altså ikke slik at riksantikvaren skal ha noen vetorett. Det er heller ikke slik at riksantikvaren kan overprøve kommunale planvedtak. Det riksantikvaren kan gjøre, er å komme med innsigelser til kommunale planer. Og hvis man så ikke blir enige, som er den ideelle prosess, går det til Miljøverndepartementet til avgjørelse. På årlig basis er det 50 av 2 000 arealplaner i Norge som kommer til Miljøverndepartementet. I en del av dem gir vi den som kommer med innsigelse – enten det er fylkesmannen, riksantikvaren eller andre – rett. I andre tilfeller gir vi kommunene rett. Men det er altså en prosess som avveier de ulike hensynene gjennom dialog, som det ble sagt av Erling Sande, og Miljøverndepartementet er – man kan si det slik – noen ganger strengere og noen ganger mildere enn de som kommer med innsigelse. Det som gjør saken veldig spesiell, er at det er så åpenbart at dette er litt slik «surpomperi» fordi riksantikvaren har gått inn i Bjørvika. Det er noe som jeg tror et veldig bredt flertall av byens befolkning, inkludert velgere til Høyre og Fremskrittspartiet, har satt stor pris på. Det er utlyst en stor debatt, det er utlyst muligheten til å se på disse tingene på nytt, tenke seg om og unngå å gjøre feil, i det som er et av de tre historiske sentrene i Norge. Ved siden av Bryggen i Bergen, Nidarosdomen og Erkebispegården i Trondheim er og andre. Så det er veldig, veldig dumt å gjøre feil i et slikt område, og riksantikvaren har gitt Oslo kommune en ny mulighet til å unngå å gjøre feil. Jeg håper de klarer å løse det i dialog, hvis ikke vil saken til sjuende og sist komme til Miljøverndepartementet. Når man innbys til en bred debatt om noe i det norske samfunnet og det blir en sjanse til å delta i den debatten – heldigvis har jo byrådslederen etter hvert også gått inn i debatten på en konstruktiv måte burde man jo være glad, istedenfor å reagere med: Er det mulig nå å finne tiltak som kan sørge for at riksantikvaren holder kjeft? La meg også minne om, for ordens skyld, at her har den rød-grønne regjeringen utnevnt en statssekretær i Bondevik-regjeringen til riksantikvar, nettopp for å få den bredden i holdninger som en skulle tro alle skulle være tjent med. Som flere har vært inne på: Hvis vi går tilbake i historien, er det lettere å peke på områder hvor vi er veldig lei oss fordi viktige ting er gått tapt, fordi vi ikke gjorde nok for å ta vare på det, enn det motsatte. Mange norske byer og tettsteder er mindre av kultursentre, mindre av historiske sentre, enn de kunne ha vært hvis vi hadde vært flinkere til å ta vare på fortiden. Her i Oslo – for dem som hyller lokaldemokratiet – vedtok altså bystyret å rive Gamle Aker kirke. Jeg tviler på at noen i dag mener at det er en riktig idé, men det var altså sett på som en riktig idé i samtiden. Hvis man hyller det kommunale selvstyret og mener det skal få lov til å bestemme, vel, så var det altså en idé på 1800-tallet. Det forelå planer om seks felts motorvei rundt Slottet i sin tid – det kom selvfølgelig mange innsigelser mot en slik idé. Vi ødela Enerhaugen, og vi kunne ha ødelagt Karl Johan. Det har vært formidabelt viktig å ha myndigheter som griper inn og å tenke oss om en gang til av hensyn til historien og kulturarven – Bryggen i Bergen, jugendbyen i Ålesund. Jeg var i Odda for en måneds tid siden. Der fortalte de at en stavkirke der var i sin tid vedtatt revet, for man hadde jo ikke noe bruk for dette gamle ruklet. Men så endrer holdningene seg. I dag er det vel ikke et menneske i Norge som vil rive stavkirkene, men det var altså en gang tidligere slik. For å gjøre en lang historie kort: Jeg er forbauset over den kulturløshet og den historieløshet som å gjøre en lang historie kort: Jeg er forbauset over den kulturløshet og den historieløshet som Willochs parti – og for den del en rekke andre formidable skikkelser i norsk historie – nå hiver seg på ved å støtte dette forslaget fra Fremskrittspartiet om det som må være, selv om det ikke er klart og tydelig sagt, en form for vingeklipping av riksantikvaren, en institusjon som vi virkelig trenger for å møte det nye, moderne Norge, men med basis og røtter i norsk historie og tradisjon. Det blir replikkordskifte. Representantforslaget er satt fram for å peke på overordnede organers maktmisbruk til dels, etter våre vurderinger. Lokalpolitikere får stadig mindre innflytelse og vedtaksrett. Det gjelder ikke minst over egne arealer, som vi sa også i forrige sak. Offentlige organer er gitt for stor makt og interessen for lokaldemokratiet og alt politisk arbeid i kommunene. Så mitt spørsmål er: Vil statsråden gjøre noe for å øke innflytelsen til lokalpolitikerne, spesielt i behandlingen av arealsaker, mot offentlige organer? Det som er temaet her nå, er jo hvorvidt riksantikvaren skal vingeklippes eller ha en mulighet til faktisk å spille den viktige rollen å ta vare på historie, tradisjon og kultur i Norge i byggeskikk, i planlegging og på mange andre områder. Utgangspunktet for denne saken var altså Oslo kommune. Der hadde kommunen selv, stikk i strid – så vidt jeg oppfattet det – med sine egne retningslinjer lagt på uten at dette var en del av planleggingen. Så går riksantikvaren inn og påpeker dette og starter da en debatt, som jeg tror, som sagt, et dundrende flertall av byens befolkning har satt pris på. Den debatten vil avklares ved at riksantikvaren og Oslo kommune forhåpentlig blir enige om noe som kan ivareta dette på en ordentlig måte. Hvis de ikke blir enige, kommer saken til Miljøverndepartementet for fornyet behandling. Er ikke dette bra, da, at vi får denne belysningen av det i full offentlighet, uten at tingene skal skje uten debatt? Før Peter N. Myhre får replikk, vil presidenten gjøre oppmerksom på at en i replikkene skal forholde seg til den saken som er oppe til behandling. Nå landet riktignok statsråden dette bra og fikk replikken inn på riktig sak. Ja, han er flink! Vi har blitt tatt med på en liten runde her nå både med komitélederen og ikke minst med statsråden, som viser til Bryggen i Bergen, Nidarosdomen, Erkebispegården og det var nok mange av oss som ble litt forbauset da riksantikvaren – en helt nyutnevnt riksantikvar – kastet seg inn i et område som var ferdig regulert for seks år siden, og som nå skal bygges ut, nemlig Bjørvika. Bjørvika er altså et helt flatt område, og det finnes ikke bebyggelse der. Siden det nå er regjeringen som har ansvaret for alt riksantikvaren gjør, i det store og det hele og særlig i det små, så er mitt spørsmål til statsråden: Hva er det i Bjørvika som det er så viktig at riksantikvaren trer inn og bevarer? La meg for det første si at jeg har ønsket å gi de ulike fagetatene under Miljøverndepartementet stor frihet til å legge fram sitt syn – Direktoratet for naturforvaltning, Klima- og forurensningsdirektoratet, riksantikvaren – uten å ta en telefon til statsråden for å sjekke om han er enig i alt de gjør. har Direktoratet for naturforvaltning lagt fram et opplegg for motorferdsel i utmark som ikke regjeringen har fulgt, for å ta ett eksempel. Jeg mener det er viktig at vi har sterke, tunge fagetater som gjør det de mener er riktig. Når det så gjelder dette, er altså ikke Bjørvika, men Gamlebyen og Bjørvika – hele dette området Oslos historiske sentrum, et av de viktigste sentrene i Norge. Det er et fantastisk viktig område for norsk historie, tradisjon og identitet, og det betyr mye hvordan man ser dette – Akershus festning, middelalderruinene – i en sammenheng. Og selv om Bjørvika i betydelig grad er et område som var sjø – hvis man går en del hundre år tilbake i tid – må man se dette som en helhet, og det er det riksantikvaren ønsker å gjøre.

i kabinettet mitt, og der var det et slips med Ole Brumm på. Så tenkte jeg at i dag skal jeg jo debattere med Solheim i Stortinget, og da passer det veldig bra med «ja takk, begge deler» – for her er det ja til gasskraft og ja til teknologi, og ja og nei til ulv, og nå er det ja til lokalt selvstyre, men også mye for riksantikvaren, så her er det «ja takk, begge deler» hele veien. Så det passer nok bra. Hvor stor verdi har siktlinjer i Bjørvika? Det kan sannsynligvis ikke kvantifiseres. Har det kulturell verdi? Har det miljøverdi? Har det estetisk verdi? Ja, muligens det. Historisk verdi? Ja, muligens det. Men det har også en kostnad. Er det en kostnad på 10 mill. kr? Er det verdt 100 mill. kr? Er det verdt 500 mill. kr? Hvor mange Så sa saksordføreren at vi må ta oss råd til det. Hvem er «vi» som tar oss råd til det? Når det gjelder Bjørvika og siktlinjer, er det altså Oslos innbyggere som må kutte på velferd eller på andre ting fordi riksantikvaren mener det har en verdi i hundremillionersklassen å ha økte siktlinjer i Bjørvika. Da kan du si: Hvordan kan man komme frem til den typen summer? Man kan komme frem til den typen summer fordi vi forholder oss til markedsøkonomien. Selv statsråd Solheim er nødt til det, og ønsker markedsøkonomi. Vi forholder oss til markedsøkonomien innenfor alle andre felter i kommunen, men skal plutselig ikke bry oss om markedsøkonomi når vi snakker om siktlinjer og kultur, for det er litt vulgært, litt smålig. Da skal en heve seg over økonomien. Men det har altså en konsekvens. Man viser til et stort flertall av Oslos befolkning – ja, selvfølgelig, jeg er for det, jeg også, men ikke når jeg får vite at det kanskje gjør at vi får dårligere eldreomsorg, eller at skolene forfaller i enda større grad. Da er ikke jeg for det. Det er klart at jeg er for det – jeg er for å bevare alt mulig rart, jeg, så lenge det ikke får noen slags konsekvenser for meg på noen andre områder. Det er «ja takk, begge deler», og det er det vi snakker om i dette dokumentet. Vi ønsker å gå inn og se på hvorvidt det er mulig å se på de fullmakter og den rolle som riksantikvaren har i dag, som kanskje bør endres eller tydeliggjøres. Det er hele poenget med dette forslaget. Så kunne det jo være slik at når riksantikvaren går inn og for markedsøkonomien, som får en kostnad for Oslos innbyggere, så kunne han tatt av sitt eget budsjett. Så kunne det være en sum, og så kunne regjeringen, med Solheim i spissen, sagt at vi vurderer riksantikvarens arbeid til å være så verdifullt at vi setter av 5 mrd. kr, så han kan verne og holde på – men for 5 mrd. kr pr. år – uten at Oslos innbyggere eller andre kommuners innbyggere lider under dette; man må prioritere det over statsbudsjettet og ikke la det gå ut over velferden til Oslo kommunes innbyggere. Det er en viktig debatt vi har her i dag, for den skal gi noen signaler om hvordan vi ser for oss det antikvariske arbeidet i Norge i årene fremover, og det antikvariske arbeidet er viktig. Det er ikke nødvendig å ta opp igjen disse temaene som opptil flere har vært inne på når man snakker om Karl Johans gate i Oslo, Bryggen i Bergen og Domkirken i Trondheim. Det dreier seg i hverdagen om helt andre ting enn disse store nasjonale symbolene. Jeg sjekket listen i dag. Det er for tiden 535 fredede objekter bare i selve Oslo – 535. Det finnes ingen budsjetter for å kompensere for det som er nødvendig å gjøre med disse fredede objektene. Dette er altså en gal strategi, fordi det er altfor mange fredningsvedtak i forhold til de ressursene som står til disposisjon fra det offentliges side til å gjøre noe med dette. Jeg kan bare ta to eksempler. Ganske nylig vedtok bystyret i Oslo en reguleringsplan for å bygge en sykkelvei til Bygdøys friområder, langs Dronning Blancas vei, altså et av de viktigste og mest benyttede friområder i hele landet. Så grep riksantikvaren inn, fordi han var imot at man måtte ta i bruk deler av et jorde for å få bygget den sykkelveien. Det er helt uforståelig for byens befolkning at man ikke skal få anledning til å bygge en gang- og sykkelvei her, kanskje Oslos viktigste gang- og sykkelveiprosjekt. Et annet eksempel: Folketeaterbygningen, Arbeiderpartiets hule, er fredet. Det var noen som ergret seg over at fiskebutikken var blitt nedlagt, for den hadde gått konkurs, eller hva det var. Så er det noen som har satt i gang nå for å prøve å reetablere fiskeomsetning i dette legendariske lokalet ved inngangen til Folkepassasjen, og hva skjer? Jo, de må gjøre dette handikaptilgjengelig, og da må døren skiftes ut. Så sier riksantikvaren at det er ikke tale om, de får ikke lov til å skifte ut den Resultatet blir da at de som sitter i rullestol, må ta en lang omvei inn gjennom noen gangkorridorer, og kan altså ikke bruke hovedinngangen fra gaten. Det er et sørgelig resultat av feilslåtte beslutninger tatt av riksantikvaren. Dette har vi altså fått understreket, dette er regjeringens ansvar. Regjeringen tviholder på at riksantikvaren ikke skal kritiseres for dette fra denne talerstol. Bygninger i daglig bruk med et løpende vedlikeholds- og moderniseringsbehov bør ikke fredes, de bør spille den rollen de skal. Det er rørende hvilken omsorg statsråden har for de verdikonservative i Høyre. Men jeg tror kanskje han skal overlate til dem som er verdikonservative, å bekymre seg for vår helbred. Sist jeg sjekket, var ikke statsråden blant dem. Jeg må også si: Det må være mulig på den ene siden å si at ja, det er viktig med kulturminnevern, ja riksantikvaren har en viktig rolle å spille, og på den andre siden si at det faktisk kan være at vi må se på mandatet til riksantikvaren, det kan kanskje være at det mandatet er litt utydelig, det kan kanskje være at det skaper en viss unødvendig friksjon mellom det lokale selvstyret og riksantikvarens rolle. Jeg mener det er mulig å forene disse to. Vi ønsker – og det sa jeg også i mitt innlegg – en sterk riksantikvar, vi mener det er viktig å ta vare på kulturminner. Det skal vi også gjøre. Samtidig krever vi også en viss form for forutsigbarhet i riksantikvarens rolle, og vi mener å se nå en god del eksempler på at det ikke er så enkelt. Da at det kunne være bra med en vurdering av riksantikvarens rolle og mandat. Så peker statsråden på debatten i Bjørvika. For oss handler ikke dette om enkeltsaker. Det handler om en prinsipiell tilnærming til dette. Vi mener at det lokale selvstyret er viktig. Som verdikonservative mener vi det. Vi mener også at kulturminnevern er viktig. Og vi mener det er mulig å harmonere de to, men det krever kanskje en noe annen tilnærming til dette med riksantikvarens rolle. I Bjørvika, siden statsråden selv tok det opp, er det klart at det oppleves som underlig når riksantikvaren kommer lenge etter at toget er gått, og den forrige riksantikvaren ikke hadde innsigelser, med en innsigelse på en plan som allerede er vedtatt. Det er klart at det oppleves som spesielt. Det samme gjelder på Bygdøy med ridehallen som står der. En samlet Oslo-benk er tilhenger av den – et samlet, enstemmig bystyre. Det er klart at det er mulig at riksantikvarens rolle her kunne ha vært tydeligere i forhold til hva man i og for seg forsøker å ivareta. For å konkludere: Statsråden klarte å provosere representanten med sitt innlegg ved å begynne å snakke om verdikonservative og Willoch. Det hjelper. Men jeg mener det er fullt ut forenlig, og jeg synes det er overraskende, hvis ikke statsråden klarer å være enig med meg i det. Når jeg viser omsorg for det jeg kaller det verdikonservative Høyre, er det fordi det er et Høyre som venstresiden, de rød-grønne, har mye til felles med og kan samarbeide mye med. Det paradoksale er at det å ta vare på miljø, det å ta vare på gamle bygninger, historisk er som nå ivaretas mest tydelig i det norske samfunnet av venstresiden. Hvis en går tilbake til det opprinnelige, er det klart at det var lettere å få gjennomslag for det å ta vare på gamle bygninger hos konservative adelsfolk i Storbritannia enn innenfor arbeiderbevegelsen. Arbeiderbevegelsen sto for moderniteten, høyresiden sto for å ta vare på, det konservative. Jeg skulle ønske noe av dette kunne bli med i det nye Høyre. Det vi nå ser, er at dagens Høyre løper fra C.J. Hambros Høyre, Jon Lyngs Høyre og Kåre Willochs Høyre, i håp om en slags regjeringsallianse med Fremskrittspartiet. Det er jeg skuffet over. Men reelt verdikonservativt – jeg har ikke problemer med å bruke begrepet verdikonservativ om meg selv Jeg mener det er utrolig viktig å ta vare på grunnleggende verdier i en tid hvor samfunnsendringene er store. Fremskrittspartiet føler jeg mindre slektskap med. Og det er ikke slik at jeg tvilholder på at riksantikvaren ikke skal kritiseres fra Stortingets talerstol. Hvis riksantikvaren aldri gjorde noe som ble kritisert fra Stortingets talerstol, ville jo ikke mannen gjøre jobben sin. skal være en sentral bidragsyter i den norske samfunnsdebatten. Da vil det bli diskutert her. Det er bare positivt. Det jeg ikke vil, er at vedkommende skal vingeklippes. Når Høyre, som før i dag ville gå oppoverbakke for å komme nedoverbakke, nå vil starte med å vingeklippe riksantikvaren, for så å styrke riksantikvaren for å ha en sterk riksantikvar, er det ikke lett å forstå det. Det er mulig å kjenne prisen på alt, men ikke verdien av noe, er et gammelt ord. Det Det er mulig å kjenne prisen på alt, men ikke verdien av noe, er et gammelt ord. Det er ikke mulig å sette pris på siktlinjene i Bjørvika, det er ikke mulig å si nøyaktig hvor store kostnader man skal ta med det. Bygde vi Slottsparken full, ville vi også få mange penger til Oslos befolkning. Fulgte vi den gamle planen om vei gjennom Frognerparken og nedlegging av Frognerparken, ville vi også få fantastiske pengeinntekter til Oslos befolkning til bruk i eldreomsorg eller skole. Jeg tror ikke Fremskrittspartiet mener det, men det illustrerer poenget at vi også må ta vare på viktige ting for byens befolkning, selv om det skulle koste oss noen kroner her og der. Fremskrittspartiet har forgjengere. Jeg har sitert dette før, men gjentar det gjerne: Da Gamle Aker kirke i sin tid ble vedtatt nedlagt av kommunestyret i Aker, skrev byens konservative presse at vel liker vi Akerkirken, vel ønsker vi å holde den i hevd, men ikke i en slik grad at vi bruker 20 spesidaler på det. Tiden for formiddagens møte er omme. Presidenten vil foreslå at dette møtet fortsetter inntil sak nr. 6 er ferdigbehandlet. – Det anses vedtatt. og det er også

Jeg kan i grunnen forstå at Fremskrittspartiet blir irritert over at riksantikvaren blander seg inn og snakker om at kulturhistoriske verdier forstyrrer de markedsøkonomiske kalkylene. Men når riksantikvaren går inn, er det med bakgrunn i Lambda – dette museet i tolv etasjer med knekk på som vil slå i hjel hele Bjørvika hvis det blir bygd slik som det er prosjektert. Den innsigelsen har gitt byrådet en ny mulighet for vurdering, og det er en mulighet som byrådet burde være glad for. Gå ut og snakk med folk i byen vår. Det er svært mange av våre innbyggere som gir uttrykk for at dette vil de ikke ha. De føler at riksantikvaren reiser en innsigelse på vegne av dem. Når Fremskrittspartiet fnyser av begreper som siktlinjer og snakker om markedsøkonomi, hva er det da vi snakker om? Vi snakker om hvordan vi tar vare på ruinene av det som var Norges opprinnelige hovedstad. Det perspektivet er fullstendig borte når Fremskrittspartiet og Høyre snakker i salen her i dag. Det er en skam hvordan den arven har blitt behandlet fram til Middelalderparken ble en realitet. Man har gjort noen forsøk, bl.a. gjennom vannspeilet, på å gjenskape det som var Nå blir dette liggende bak en vegg uten kontakt med sjøen og Akershus festning. Dette handler om veldig mye mer enn pen utsikt. Når riksantikvaren tar dette opp, gjør riksantikvaren jobben sin. Her er det ikke snakk om å verne noe som helst, men å klare å ha en bevissthet rundt byens kulturhistoriske arv når man bygger noe som er helt nytt. Dette er også en nasjonal kulturhistorisk arv. Se bare på hvordan Trondheim, f.eks., klarer å bygge en identitet rundt det opprinnelige Nidaros. Jeg mener at det er synd at de partier som styrer Oslo, ikke ser det, men reagerer med å skulle ta fra riksantikvaren makt fordi man ikke liker hva han sier. Det mener jeg er grunnleggende udemokratisk. Flere har ikke bedt om ordet til sak Stortinget tar nå pause til kl. 18, og starter da med sak nr. 7. Det er også der Eirin Kristin Sund som er saksordfører, hun er dermed første taler på kveldsmøtet. Presidenten minner om at en beriktiget innstilling er
ja,